president!

Guri Melby og Ann Kathrine Skjørshammer For Rogaland fylke: Sissel Knutsen Hegdal Det foreligger to permisjonssøknader: fra Venstres stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Terje Breivik i tiden fra og med 8. desember til og med 12. desember fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Freddy de Ruiter i dagene 9. og 10. desember Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknadene behandles straks og

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag vil fortsette utover kl. 16. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1–5 behandles under ett. – Dette anses vedtatt. Etter ønske fra arbeids- og

Arbeiderpartiet 40 minutter, Høyre 35 minutter, Fremskrittspartiet 20 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra hovedtalerne fra hver partigruppe og fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen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

Derfor er det viktig med et budsjett som løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Vi har noen utfordringer med overgangen til et nytt år. Vi har i budsjettet for 2015 – som et enstemmig storting slutter seg til – en estimert arbeidsledighet på 3,6 pst. Noen av tallene sier en nedgang, mens andre tall sier en oppgang. Det betyr at regjeringen er nødt til å ha en god dialog med partene i arbeidslivet det neste året for å sette inn tiltak dersom det er behov for det. Vi har også et budsjett som setter inn en rekke tiltak, både for å styrke arbeidslinjen og for å sikre en stabil kronekurs. Når vi nå ser at eksportrettet næringsliv sliter, vil f.eks. det bidraget det samme næringslivet når det gjelder kronekursen, som er svekket den siste tiden, ha betydning. Denne komiteen, som jobber i arbeids- og sosialsegmentet, har styrket Nav. Det er et stort fokus internt i Nav på å forbedre tjenestene for å styrke arbeidslinjen framfor mål er et trygt, fleksibelt arbeidsmarked som sikrer en lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner, og det skal alltid lønne seg å jobbe. Regjeringen vil jobbe for et velfungerende trepartssamarbeid, høy produktivitet i næringslivet og høy trivsel blant arbeidstakerne.

veldig krevende å få behandlet en ny arbeidsmiljølov, som kommer til behandling her på Stortinget på nyåret. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen gikk til valg på skatte- og avgiftslettelser. Det leverer dette budsjettet. Vi gikk til valg på en stor innsats på helse- og omsorgsoppgaver. Det får en stor styrking i dette budsjettet. Vi gikk til valg på et tryggere lokalsamfunn, og politiet vel for første gang i et statsbudsjett at de ikke trenger mer penger. Samferdselsbudsjettet har vært en kjempevinnersak for denne regjeringen, og det er akkurat dette vi gikk til valg på. For oss i Høyre er arbeidslinjen noe av det viktigste for politikken vår. Vi har en rekke tiltak i budsjettet som skal bidra til å få flere i arbeid, at det skal bli enklere å komme i arbeid, og hvis man kommer ut av arbeidslivet, har vi en rekke tiltak for å komme tilbake igjen, enten i utdanning eller i yrke. Vi reduserer formuesskatten ganske betydelig. Det gjør vi for å sikre norske arbeidsplasser, men ikke minst også for å skape nye arbeidsplasser, som dette landet trenger. Vi øker innslagspunktet i toppskatten. Det vet vi bidrar til arbeidslinjen og økt Vi øker minstefradraget og bidrar til å løfte dem som tjener minst. Mange studenter har gjennom årene sagt at frikortgrensen er for lav. Vi øker frikortgrensen i dette budsjettet opp til 50 000 kr. Et bidrag for å få folk inn i arbeidslinjen vet vi er arbeidslinjen vet vi er barnehageplasser, sånn at mor og far kan være i jobb. Så vet vi også at for å ha en sosial kanal inn i arbeidslivet er det, selv om barnehageprisen er relativt lav, for veldig mange en relativt høy pris. Derfor kutter regjeringen barnehageregningen med 5 500 kr i året for dem som trenger det mest. I budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre gjør vi fra neste år – altså for 2016 – endringer i barnetillegget som støtter opp under arbeidslinjen. Vi tar maks 95 pst. utbetaling av den inntekt man hadde før uførhet. Vi gjør det, sammen med et enstemmig storting i dag, enklere å kombinere uføretrygd med jobb. Det er, sånn som jeg ser det i debatten, et enstemmig storting som også i dag støtter regjeringens overgangsordninger når det gjelder den nye uføretrygden, også på overgangsreglene. Vi har et budsjett som øker ressursene til sosiale entreprenører og nye virkemidler. Vi slår sammen en rekke arbeidsmarkedstiltak. Vi utvider ordningen med aktivitetsplikt for personer over 26 år. Vi styrker ordningen for gruppe sånn at også de med sterkt begrenset gangfunksjon nå inkluderes i ordningen. Regjeringen styrker tolketjenesten for døvblinde. Vi utvikler talegjenkjenningsprogram på norsk, og sammen med våre samarbeidspartier Kristelig Folkeparti og Venstre varsler vi en tiltaksplan for bekjempelse av barnefattigdom. Svært mange av dem som lever på ulike offentlige støtteordninger, gjør det fordi de ikke får den hjelpen av samfunnet som de trenger. Derfor gjeninnfører Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen den gylne regel om at vekst innenfor psykisk helse og rus skal være større enn veksten i somatikk. Der finner vi mange av dem som trenger en ny sjanse i arbeidslivet. Vi satser 0,5 mrd. kr mer på forebyggende arbeid i kommunene. Dette handler om å hjelpe dem som trenger det mest. Først skal vi hjelpe dem til å bli friske, deretter skal de

Det kom en egen melding til Stortinget på fredag, som nettopp tar opp dette. Det er ingen tvil om at det arbeidet som er gjort fra den rød-grønne regjeringen for å inkludere flere mennesker i arbeidslivet de siste ti årene, har vært rimelig svakt på resultatoppnåelse. Det er derfor denne regjeringen sier at vi må ha fokus på ting vi vet virker. Et av de tiltakene som virker desidert å få folk inn i arbeidslivet, er bruk av lønnstilskudd. Derfor har regjeringen nå fremmet forslag som skal gjøre det enklere og mer attraktivt for arbeidsgivere å bruke det, og det blir nå opprettet en ny, varig lønnstilskuddsordning for dem med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Det som arbeidsgiver får dekket av utgifter for arbeidstakere som trenger at mange arbeidsgivere enten ikke vet om det, eller lar være å ansette fordi det blir for mye arbeid for dem. Vi responderer på det som et samlet næringsliv og mange på Nav-kontorene sier. Vi har rett og slett for mange ordninger. De må slås sammen, de må gjøres lettere tilgjengelig, sånn at en arbeidsgiver skjønner hva på et mellomstort eller lite kontor – også skjønner hvilke tiltak som fungerer for den enkelte. I forbindelse med dette vil vi for 2015 også ha en aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Alt dette er med på å styrke arbeidslinjen, sikre at vi har et sosialt sikkerhetsnett for dem som har falt utenfor. Det gjør at vi ser enkeltmennesket som blir arbeidsledig,

Det løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Avslutningsvis vil jeg takke komiteen for et godt samarbeid om budsjettet, og – ikke minst – komitésekretæren for et svært godt arbeid. Det blir replikkordskifte. Høyre og foreslo opprinnelig store og grove kutt i barnetillegget. Etter budsjettforhandlingene med Kristelig Folkeparti og Venstre ble det kuttforslaget lagt bort, og man kom fram til en bedre ordning med tak. Jeg lurer på hvordan representanten Kambe vurderer de to ulike variantene. Mener variantene. Mener representanten Kambe – og er han enig med de fleste andre i – at Høyre og Fremskrittspartiets opprinnelige forslag var for usosialt og bidro til for store kutt? Og er representanten Kambe enig i at den løsningen man har kommet fram til nå med Kristelig Folkeparti og Venstre, er en bedre løsning enn det Høyre opprinnelig foreslo? Ut fra den debatten som har vært i det offentlige, offentlige, representert ved SVs Karin Andersen, er det vel Arbeiderpartiet som opprinnelig hadde et forslag til løsning på barnetillegget som Arbeiderpartiet på et vis har blitt avslørt på. Så egentlig kunne spørsmålet vært stilt til Arbeiderpartiet selv. Det som jeg tror, er at det alltid skal lønne seg å være i arbeid. De som ikke er i arbeid, skal få gode nok tiltak for å komme seg tilbake igjen i arbeidslivet. Der har arbeidspartiregjeringen gjennom åtte år med arbeidsministeren gjort en svært dårlig jobb. Resultatene står seg ikke, og jeg tror det er delaktig i at Arbeiderpartiet tapte valget. Vi har større ambisjoner enn det. Når det gjelder innretningen på barnetillegget, følger vi opp Brochmann-utvalgets innstilling. Vi sier at ja,

Det blir sagt veldig ofte i sammenheng med alle dem som har en delvis arbeidsevne, som nå får det stadig vanskeligere med å komme inn i arbeidsmarkedet som følge av at det er stor konkurranse. Varige eller tidsbegrensede lønnstilskudd til arbeidsgiver er et virkemiddel for å rette på dette. Mitt spørsmål er: Vil det bli færre med delvis arbeidsevne som står utenfor arbeidslivet ved neste nyttår, med regjeringas tiltak i dette budsjettet? Det er ingen tvil om at når denne regjeringen har begynt å arbeide med å se på hvilke tiltak som fungerer for arbeidsledige, ser den at veldig mange av dem i åtte år nå har gått i ring på ulike tiltak som ikke Folk sitter på motivasjonskurs og jobbsøkerkurs uten at det er det som skal til for å hjelpe dem. Den stortingsmeldingen som vi fikk oversendt på fredag, bidrar til å styrke ordningen med lønnstilskudd, tiltak som virker, og vi kommer med oppfølging av Nav, slik at dette skal ordne seg, tror vi. Det er helt klart, som også representanten Lundteigen stiller spørsmål om, at det er en at de tiltakene vi setter i verk, skal medføre færre som står i kø, og flere som er inkludert i arbeidslivet, enn det var da vi startet regjeringsperioden i 2013.

Men derfor var vi i Kristelig Folkeparti glad for at vi fikk flere tiltaksplasser inn i budsjettforliket med regjeringspartiene. Jeg vil gjerne høre hva representanten Kambe mener om utsiktene, og hvordan han tenker å møte dem. For hvis det faktisk er slik at ledigheten øker, vil det jo være behov for flere tiltaksplasser, men kanskje også andre grep som kan imøtese dette og sikre at vi unngår at mennesker faller ut av arbeidslivet og blir der lenge, før en klarer å få dem tilbake i arbeid.

Så det er helt åpenbart at vi må se på samarbeid både mellom næringslivet og fagbevegelsen og ikke minst med Nav, for å sørge for at de som blir arbeidsledige, kommer ut i jobb. Samtidig vet vi at de fleste arbeidsledige er tilbake i ordinær jobb etter at det har gått tre måneder, og de aller fleste etter at det har gått seks måneder. Så her har vi en jobb å gjøre for å sikre at den utviklingen fortsetter. Replikkordskiftet er omme. Det budsjettet vi skal behandle i dag, er

innlegg her understreket skattelettene i det som er forslagene i dette budsjettet. For det budsjettet vi behandler i dag, er – hvis en skal vurdere det slik media av og til gjør, hvorvidt statsrådene har tapt eller vunnet budsjettkampen – åpenbart budsjettet til en statsråd som har tapt. Men viktigere og langt mer alvorlig enn det er at dette er et budsjett som skaper mange tapere der ute i samfunnet. For regjeringa legger stor vekt på skattelette, og det er regjeringa og det vedtatte statsbudsjettets klart største satsing når det gjelder kroner og øre. Men noen betaler for de skattelettene, og det er dem dette budsjettet i stor grad omhandler. Så mye som 1 mrd. kr var regjeringa beredt til å ta

Et av de temaene som heldigvis fort kom på dagsordenen, var kuttet i barnetillegget på over 500 mill. kr for dem som er på uføretrygd – 28 000 kr i kutt per barn. Reaksjonene var sterke, og jeg så at det var noen i statsrådens parti som mente at de ikke hadde fått fram budskapet. Det var nettopp det regjeringa hadde gjort, og det var derfor reaksjonene var så sterke. Så er det gjennom budsjettavtalen, og det vil jeg gi Kristelig Folkeparti og Venstre ros for, funnet fram til en annen løsning, som allikevel innebærer 50 mill. kr i kutt, men som er en helt annen løsning enn det som regjeringa opprinnelig la fram. Så til permitteringsregelverket. Det er riktig – og regjeringa varsler – at vi er i en situasjon der vi har utfordringer med hensyn til sysselsettingen, og at arbeidsledigheten kan komme til å vokse. Et samlet næringsliv i Norge har gjentatte ganger sagt at da må det være feil å kutte i permitteringsregelverket, for det regjeringa da gjør, er å gjøre det vanskeligere å være seriøs. Statsråden pleier som regel å fortelle noen anekdoter om hvor han har vært, og hvem han har snakket med. Vi preker med folk vi også, men jeg har ikke til dags dato funnet én på arbeidsgiversiden, og ikke én på arbeidstakersiden – i den grad det måtte bety noe for statsråden – som mener at kuttet i permitteringsregelverket er fornuftig. Allikevel videreføres det. Landsforening – Fellesforbundet på den andre siden – og ikke minst i den næringen som nå har store utfordringer, leverandørindustrien knyttet opp til reduksjon i oljeprisen og derav reduserte investeringer, sier det seg selv at det å ha mulighet til å permittere for å bruke den tida til å skolere folk til å komme enda bedre kvalifisert tilbake etter permitteringstida, er en styrke og en støtte til næringslivet. Regjeringa gjør altså det stikk motsatte. Regjeringa tvinger folk ut i ledighet istedenfor at de skal kunne være permittert en periode. Generelt kan en si at næringspolitikken er den aller viktigste arbeidsmarkedspolitikken, og særlig i en situasjon der en ser at det er mørke skyer rundt oss når det gjelder sysselsettingen. Allikevel ser vi at regjeringa kutter i den marine sektoren, som er utrolig viktig for hele landet Norge, den kutter i reiselivssektoren, den kutter på landbruk, den kutter på skogbruk, og den kutter på Innovasjon Norge. Den kutter i det hele tatt på den satsingen som skal bidra til at det ordinære arbeidslivet går bra, og derfor skaper den utfordringer for arbeidsmarkedspolitikken. Næringspolitikken er den viktigste arbeidsmarkedspolitikken, kuttene er systematiske. Men samtidig som regjeringa spår økt ledighet, holder den fremdeles det lave nivået den kuttet arbeidsmarkedstiltakene ned til for i år. I tillegg for dem som har ekstra behov på arbeidsmarkedet – det er noe justering på det i budsjettavtalen, men det var altså regjeringas forslag. Vi satset både på å øke de ordinære tiltaksplassene og på å øke med 1 000 plasser med tanke på dem som har spesielle behov på arbeidsmarkedet, ikke minst 300 plasser for dem som trenger varig tilrettelagt arbeid, som er noen av dem i samfunnet som jeg tror både vi som og andre i Stortinget har hatt gleden av å se føler glede ved å kunne være i arbeid, altså også for dem som kanskje ikke klarer konkurransen i det ordinære arbeidslivet. Vi kommer i senere innlegg grundigere tilbake til tiltak mot sosial dumping. Vi har lagt fram tre planer fra den forrige regjeringa, planer der tiltakene i stor grad var tiltak mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet. En kamp mot sosial dumping er ikke bare en kamp mot sosial dumping, men også mot Høyre og Fremskrittspartiet. Vi ser nå en rekke tiltak fra regjeringa som går i feil retning. Vi har altså kommet med forslag til nye tiltak mot sosial dumping i nært samarbeid med begge partene i næringslivet, har lagt inn 22 forslag til tiltak og satt av penger til det i budsjettet. Så noen få ord om minstelønn, siden jeg er ordfører for sak nr. 4 på dagens kart, Innst. 66 S. Jeg er veldig glad for at det er et bredt flertall bak å avvise forslaget om minstelønn. All erfaring tilsier at å innføre minstelønn – med det lønnsdanningssystemet som vi har i Norge, og har hatt siden hovedavtalen av 1935, der vi lar partene ta seg av lønnsdannelsen, og at ikke myndighetene gjør det – ikke vil bedre situasjonen med hensyn til sosial dumping, men tvert imot presse det laveste lønnsnivået nedover mot minstelønnen. Jeg ser i merknadene at Fremskrittspartiet og Venstre viser til Fafos rapport, men den kan altså ikke leses slik at de anbefaler minstelønn – tvert imot. Jeg registrerer at statsråden ikke anbefaler minstelønn, men at det tar noe lengre tid for stortingsgruppa til Fremskrittspartiet å snu seg enn det tar for statsråden. Apropos det å snu seg er det for så statsråden. Apropos det å snu seg er det for så vidt bra at statsråden nå har snudd allerede to ganger når det gjelder brudd på IA-avtalen. Men det er bekymringsfullt at regjeringa generelt og denne statsråden spesielt har lagt opp til en arbeidsform der en ikke skal snakke med partene i arbeidslivet. Det gjelder enten en diskuterer arbeidsmiljølov, som vi kommer tilbake til, permitteringsregelverk eller oppfølging av IA-avtalen. Det ser jeg som en utfordring for regjeringa framover. Så tar jeg opp de forslagene som Arbeiderpartiet er alene om, og de forslagene vi er sammen med andre om,

Hvilke omlegginger, hvilke endringer, vil Arbeiderpartiet gjøre i velferdsordningene våre for å sikre bærekraft og legitimitet? I tillegg til perspektivmeldinga kan jeg bygge opp under det representanten spør om ved å vise til at det faktisk var jeg som statsråd som satte ned fordi jeg er veldig opptatt av at vi skal ha bærekraft i velferdssystemet i Norge framover, og fordi internasjonalisering forandrer rammevilkårene for det. I tillegg til at de fleste som har snakket om Brochmann-utvalget, har snakket om trygd og arbeidsinnvandring, er det slik at norsk næringsliv i dag er i en helt annen internasjonal situasjon, der noen av deres ansatte i perioder bor i utlandet og jobber i utlandet, og noen av de utenlandske ansatte jobber i Norge – det var mange grunner til å nedsette det utvalget. Det er den tilnærminga vi vil ha. vi vil ha. Vi vil se på de utviklingstrekk som er i samfunnet, og se om vårt trygdesystem står i forhold til de nye utfordringene vi møter, f.eks. det at det skal være lettere for en norsk ansatt i et norsk selskap som driver i utlandet, i perioder å kunne fungere i utlandet. Så står vi på arbeidslinja – det har vi gjort, og det kommer vi til å gjøre.

det gamle slagordet «arbeid til alle» ikke nødvendigvis er Arbeiderpartiets slagord. Tidligere sto Arbeiderpartiet klart og støtt på arbeidslinjen. Vi vet at da Arbeiderpartiet satt i regjering, ønsket de å kutte i barnetillegget for uførepensjonister sånn at det alltid skulle være mer lønnsomt å jobbe enn å gå på trygd. Det fikk de ikke igjennom, men de kutter som kjent i barnetillegget til dem som mottar arbeidsavklaringspenger. Og mitt spørsmål er: Er det mer usosialt å kutte og justere barnetillegget for dem som mottar arbeidsavklaringspenger, enn for dem som mottar uføretrygd? Først

Det er helt feil at Arbeiderpartiet noen gang har foreslått et generelt kutt i barnetillegget. Det som er sant, er at vi diskuterte på bakgrunn av faglige innspill som vi fikk, om det ville være riktig å sette et tak på barnetillegget. Det er noe helt annet. Det har aldri blitt diskutert et generelt kutt i barnetillegget, men det er sånn at vi diskuterte det og la det bort.

som det arbeidstakarar har. Det er viktig for veldig mange. Eg kan ikkje sjå at Arbeidarpartiet i sitt alternative budsjett meiner at det er ei riktig prioritering. Det har dei heller ikkje vist nokon vilje til å meine tidlegare. Så mitt spørsmål til representanten Dag Terje Andersen er: Kan sjølvstendig næringsdrivande og gründerar med sjuke barn sjå fram til eit solid kutt dersom Arbeidarpartiet kjem tilbake i regjering?

uføre, eller der det rett og slett ikke er prisjustert. I sum har det blitt mye penger, og vi har da ikke kunnet prioritere nye velferdsordninger. Jeg for min del er veldig for disse forbedringene for selvstendig næringsdrivende, som den forrige regjeringa også sto for, og som jeg tror representanten Rotevatn er enig i, men det er altså en sammenheng mellom de innbetalingene i forhold til de ytelsene en får tilbake, både med hensyn til sykdom og med hensyn til permittering osv. For situasjonen for en arbeidstaker er jo at det er en innbetaling fra både arbeidsgiver og arbeidstaker til folketrygden. Men det er ikke sånn at vi er imot å utvikle et bedre sikkerhetssystem for selvstendig næringsdrivende – tvert imot. Replikkordskiftet er omme.

der innspill, tanker, forslag og debatt skaper politikken i stedet for at politikken er avgjort før den kommer hit til denne sal. Selv om man ut fra innlegget til representanten Dag Terje Andersen kunne få inntrykk av at nå går alt i feil retning, og at alt er så ille med dette budsjettet, Men selv om mye går godt, er det fortsatt sånn at altfor mange i dag står utenfor arbeidslivet, altfor mange mennesker med muligheter og ønsker om å kunne bidra i arbeidslivet. Det er jo det som er noe av grunnplanken bak budsjettet til Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen, og senere budsjettforliket med Venstre og Kristelig Folkeparti: å styrke de tiltakene som hjelper folk ut i arbeid, styrke de tiltakene som gjør at flere skal kunne stå på egne ben, styrke de tiltakene som gjør at flere får realisert sine drømmer. Og skal vi få til det, må vi ha et arbeidsliv som er allsidig, som har plass til også dem som ikke nødvendigvis er helt A4. Vi vet at arbeidslivet har forandret seg betydelig gjennom mange år. Den tradisjonelle tungindustrien der man jobbet mer standardisert, er det langt mindre av i dag. Vi har langt flere såkalte frie yrker, og det er også en fordel, for det gjør at vi nå har et arbeidsliv som passer bedre for mange som f.eks. har forskjellige funksjonshemninger, noe vi har diskutert mye her i denne sal. Men da er det også viktig at regelverket og hjelpemidlene er tilpasset det. Men selv om Fremskrittspartiet er sterk tilhenger av arbeidslinjen og å legge til rette for at flest mulig skal

men Fremskrittspartiet ønsker ikke et sikkerhetsnett som er som et garn som gjør at hvis man først har falt utenfor, så blir man fanget i systemet. Vi ønsker et sikkerhetsnett som skal hjelpe hver enkelt til å komme ut av sikkerhetsnettet og kunne stå på egne ben så langt som mulig. Derfor er jeg glad for at dette budsjettet har en sosial profil på mange områder, og vi satser tydelig

om det er lønnstilskudd, om det er tolketjenester etc., det er et vidt spekter – og da er det viktig at vi har hjelpemidler som ser den enkeltes behov, muligheter og ønsker. Den viktigste kampen mot fattigdom, som det er kommet mange pene ord og drømmer og visjoner om, er å hjelpe folk til å kunne forsørge seg selv. Og da er arbeidslinjen viktig. Men det hjelper ikke å snakke pent om arbeidslinjen hvis vi ikke har hjelpemiddelapparatet rundt. Da er jeg glad for at regjeringen nå styrker Nav, som skal være spydspissen vår for å hjelpe mennesker tilbake i arbeidslivet eller hjelpe mennesker som er på vei til å falle ut av arbeidslivet, til fortsatt å kunne være der. Da er det viktig med det ekspertutvalget som er nedsatt, som skal se på hvordan vi faktisk kan forbedre Nav,

som gjør at de som trenger det mest, fortsatt skal kunne få det. Samtidig sikrer vi arbeidslinjen gjennom at ingen skal få over 95 pst. av det de hadde tidligere. Men skal vi ha et godt arbeidsliv, som også har plass til alle, er det viktig at vi har et arbeidsliv som er anstendig og trygt. Vi vet at det norske arbeidslivet i all hovedsak er anstendig og trygt for de aller fleste. Men vi har også mange eksempler på episoder i arbeidslivet med useriøse aktører, og da har bl.a. fagbevegelsen spilt en viktig rolle med hensyn til å passe på. Men samtidig vet vi at organisasjonsgraden i fjor var nede på 51,7 pst., og den har vært fallende gjennom flere år. Det betyr at ca. halvparten av landets arbeidstakere står utenfor den sikkerheten og det vernet som fagforeningene ofte kan gi. Da kommer jeg tilbake til spørsmålet om å utrede en nasjonal minstelønn. Fremskrittspartiet er positive til en slik utredning. Vi mener det er viktig at alle arbeidstakere skal ha et vern, ikke kun den halvparten som er fagorganisert. Derfor tar jeg opp det forslaget som Fremskrittspartiet og Venstre står bak i sak nr. 4. Men skal man ha et godt arbeidsliv, hjelper det ikke at vi som politikere eller Stortinget vedtar at vi skal ha arbeidsplasser, for politikere skaper ikke arbeidsplasser; næringslivet skaper arbeidsplasser. Politikerne legger til sosialpolitikk, må vi derfor ikke se isolert på vårt budsjettområde. Når regjeringen nå styrker utdanningen, styrker videreutdanningen av lærere, er det viktig. Vi bedrer rammebetingelsene for næringslivet – jeg hører at det blir kritisert her i dag at vi legger bedre til og vi legger bedre til rette for og styrker infrastrukturen i Norge, noe som kommer både innbyggere og næringsliv til gode. Det at vi reduserer skatter og avgifter for folk flest, men også for næringslivet, det at vi forenkler og moderniserer næringslivet, er viktig. Så Fremskrittspartiet er glad for dette budsjettet, vi er glad for budsjettforliket. Vi mener vi har fått et godt budsjett som har en god kombinasjon: incentiver for å hjelpe folk ut i arbeid, at mennesker kan få brukt den arbeidsevnen de har, samtidig som vi har et godt sikkerhetsnett som vi har styrket, sånn at de som faller utenfor, skal ha et trygt, godt og anstendig liv. Representanten Erlend Wiborg har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte. Det er

Han meir enn antyda at ei viktig årsak til korttidsfråværet er at folk skulkar fordi dei er fyllesjuke, snyltar og utnyttar systemet. Eg har tiltru til at Wiborg vil føre ein kunnskapsbasert politikk, og for dei av oss som ikkje høyrer til «institutt for framifrå svogerforsking», er det interessant å høyre kva slag forsking representanten baserer utsegnene sine på, som gjer at dette vil fungere, og om dette er noko som også regjeringa kjem til å gå inn for. Hvis representanten Bjørdal hadde lest hele innlegget, hadde han tydelig sett at jeg var helt tydelig på at Fremskrittspartiet lovte velgerne at dagens sykelønnsordning skulle bestå i inneværende valgperiode. Det kan godt hende at valgperiode. Det kan godt hende at representanten Bjørdal har en annen forståelse av valgløfter enn Fremskrittspartiet har, men Fremskrittspartiet har som intensjon å følge valgløftene, så det blir ingen endringer i sykelønnsordningen i inneværende periode. Det Fremskrittspartiet våger, er å være et parti som tør å ta debatter og diskusjoner åpent, for vi mener at den beste politikken blir til ved at forskjellige diskutert. Så skal vårt landsmøte før neste stortingsvalg ta stilling. Jeg registrerer at det også er representanter innenfor Arbeiderpartiet som har tatt til orde for å vurdere karensdager, men dette er altså ikke aktuell politikk for Fremskrittspartiet eller regjeringen

for flere som har funksjonshemninger. Men situasjonen er den at det er stadig flere med delvis arbeidsevne som står utenfor arbeidslivet, på tross av at vi har en del lette arbeidsplasser i fysisk forstand som burde vært bedre tilpasset dem som har delvis arbeidsevne. Mitt spørsmål er: Vil regjeringas budsjett føre med seg at er: Vil regjeringas budsjett føre med seg at det vil bli færre med delvis arbeidsevne som står utenfor arbeidslivet ved neste nyttår? Det er et krevende spørsmål, men bør kunne besvares med ja eller nei i sin konklusjon. I likhet med representanten Lundteigen tror jeg ikke vi politikere skal spå effekten av hva som skjer om en måned. Men ja, regjeringen legger opp til å få flere som i dag står utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet. arbeidslivet. Jeg registrerer at Lundteigen og Senterpartiet ønsker å fortsette den politikken som har blitt ført, som faktisk har medført at vi har over 600 000 mennesker i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Den politikken ønsker representanten Lundteigen å videreføre. Jeg er derfor glad for at vi har fått en ny regjering som heller ønsker å gjøre døren inn til arbeidslivet videre og bredere sørge for at flere mennesker som i dag aldri får muligheten til å sette sin fot innenfor arbeidslivet, nå skal få muligheten til å få satt foten innenfor, få vist seg frem og få bygd opp CV-en. Det er derfor jeg er glad for at vi moderniserer arbeidsmiljøloven, så vi også kan ha en arbeidsmiljølov tilpasset de nye yrkene, som representanten Lundteigen er inne på. For når samfunnet forandrer seg, må også virkemidlene forandre seg. Det ønsker denne regjeringen, men det ønsker ikke Senterpartiet.

SV skulle som kjent avskaffe fattigdommen med et pennestrøk. Det klarte de ikke, de har ikke snakket om det. Jeg synes det er viktig at når man skal tenke nytt, må man huske på at mennesker som faller utenfor arbeidslivet av forskjellige årsaker, mennesker som er i fattigdom, også er mennesker som fortjener å bli behandlet med respekt. Representanten Bergstø går til angrep som faktisk vil gi mennesker som mottar sosialhjelp, verdighet, sørger for at de har noe meningsfylt å fylle dagen med, sørger for at de kan få noe på CV-en. Det er å ta mennesker seriøst og ikke gi opp mennesker og passivisere dem, noe tydeligvis Sosialistisk Venstreparti ønsker. Replikkordskiftet er omme. En av de viktigste oppgavene vi har som politikere, er

arbeidslivet, at vi må trygge arbeidsplassene, og at vi må skape et inkluderende arbeidsliv, sånn at en kan stå i arbeid så lenge som mulig. Kristelig Folkeparti løfter også fram et annet perspektiv hver gang vi har disse debattene, og det er viktigheten av et velfungerende samfunn på andre områder. Skal en lykkes med å skape arbeidsplasser eller skape et inkluderende arbeidsliv eller sikre at mennesker kommer i jobb, så handler det om en trygg oppvekst. Det handler om velfungerende familier der ungene får en trygg og god oppvekst, et godt velferdssamfunn med frivillighet og en trygg og god skole, sånn at de rustes for framtida. Derfor er vi veldig glad for budsjettforliket som vi fikk til med regjeringspartiene og Venstre, der vi styrker familievernet for å hjelpe de familiene som begynner å slite, der vi får mer tidlig innsats i skolen, og vi får flere lærere for de yngste elevene. elevene. Elevene og ungene skal rustes for livet, og de skal rustes for arbeidslivet. Et annet viktig felt for Kristelig Folkeparti er å målrette innsats mot de menneskene som har falt ut av arbeidslivet. Derfor var vi fornøyd for inneværende år da vi fikk 3 000 nye tiltaksplasser. For 2015 fikk vi gjennomslag for 500 nye tiltaksplasser for mennesker med nedsatt arbeidsevne som trenger hjelp og bistand for å komme tilbake igjen. Vi fikk også 200 VTA-plasser, noe vi er godt fornøyd med. Vi kommer til å fortsette kampen for å bekjempe fattigdom og hjelpe familiene som er i fattigdom – ungene som er i fattigdom. Arbeid er nøkkelen til å komme varig ut av fattigdom. Men så vet vi også at det ikke er alle som vil kunne jobbe. Derfor er jeg glad for den uførereformen som egentlig også ligger til grunn, og som vil innføres fra 1. januar. Vi vet at en av tre uføre klarer å kombinere trygda med å jobbe noe. Den nye uførereformen som et enstemmig storting vedtok i 2012, legger også til rette for at en skal kunne kombinere arbeid og trygd på en best mulig måte. Vi er veldig fornøyd med at vi klarte å ivareta det behovsprøvde barnetillegget for uføre.

med. Vi er også fornøyd med at vi klarte å ta vare på overgangsstønaden, og at den fortsatt skal kunne være for tre år, der en tydelig stiller aktivitetskrav, men der det også er en mulighet for å kunne kjempe seg gjennom utdannelse, eller for å kunne kjempe seg inn i arbeidsliv når en er enslig forsørger. Budsjettforliket er fullt av gode tiltak for dem som trenger det mest. Vi gjør f.eks. barnehageplassene billigere for husholdninger med inntekt under 473 000 kr. Vi får utvidet gratis kjernetid for 4–5-åringene. Vi har gitt 220 mill. kr mer til kommunene for at de kan ivareta ressurskrevende tjenester, noe som er kjempeviktig når en også tenker i et menneskeverdsperspektiv. Vi har fått 100 mill. kr ekstra til rusarbeid i kommunene. fått 30 mill. kr til frivillige organisasjoner på rus og psykiatri. Vi har styrket barnevernet med i hvert fall 40 mill. kr. Vi har 20 mill. kr ekstra i en tilskuddsordning for å bekjempe barnefattigdom. Vi har millioner til ferietiltak, og vi har 10 mill. kr til personer med nedsatt funksjonsevne. Denne lista kunne vært lengre, og dette kommer i tillegg til det som lå inne fra regjeringas side, som også var bra. bra. Derfor mener vi at det forliket og det budsjettet vi vedtar i dag, er et budsjett som både bidrar til å skape arbeidsplasser, til å hjelpe mennesker til å kunne bli i arbeidsplassene, og til å hjelpe flere mennesker inn i arbeid. Samtidig ivaretar vi de menneskene som ikke kan jobbe, og som derfor får målrettede tiltak for å bekjempe fattigdommen. Det blir replikkordskifte. Som jeg nevnte i mitt innlegg, så er

jeg skal la det ligge nå til fordel for først og fremst å gratulere Kristelig Folkeparti og Venstre med at man har fått begrenset kuttet i barnetillegget for uføre. Det var et av de styggeste, mest dramatiske, usosiale kutt som var foreslått av regjeringa i statsbudsjettet. Kristelig Folkeparti og Venstre har altså nå forhandlet seg fram til den løsningen som bare Høyre og Fremskrittspartiet var for faktisk ble behandlet, men det er allikevel bedre enn det regjeringa foreslo i denne omgangen. De skriver i merknadene at de tar utgangspunkt i Brochmann-utvalget. Det er veldig mange av betingelsene i Brochmann-utvalgets forslag til tak på barnetillegget som ikke er tatt inn nå, og da Når det barnetillegget kuttes – vi stemmer imot, men det blir allikevel vedtatt – vil representanten i hvert fall sørge for at Brochmann-utvalget i større grad blir fulgt opp enn det som nå ligger til grunn i budsjettet? Takk for spørsmålet. Jeg må jo si at da vi var med og behandlet uførereformen sist, var min opplevelse av Høyre og Fremskrittspartiet at de ønsket den løsningen de la fram i budsjettforliket, at de ønsket en standardisering, som også Brochmann-utvalget peker veldig tydelig på, og som flere har ønsket. Når det gjelder barnetillegget til uføre, er det uføre, er det jo noen dilemmaer. Det er noen argumenter for, og det er noen klare argumenter mot. Jeg mener at det heller klart mot, nettopp fordi man ville hatt urimelige kutt for noen mennesker som trenger det mye, og som sannsynligvis aldri ville kommet seg ut i arbeid. Derfor vil vi ivareta behovsprøvinga samt sette et tak så det ikke vil være sånn at hvis man prøver seg ut i arbeid, så så vil ikke det lønne seg. Derfor mener jeg at den ordninga som ligger der, er god. Så har representanten Andersen et veldig godt poeng med at det også er viktig da å ivareta den andre biten med at hvis man gjør endringer, så må man ha flere målrettede tiltak mot de fattigste. I min liste som jeg leste opp her mot slutten, er noen av dem ivaretatt, men jeg kan også love representanten at jeg kommer til å kjempe videre for å få enda flere tiltak for dem som trenger det mest. Kristelig Folkeparti er

Samtidig registrerer jeg at Kristelig Folkeparti har vist noe skepsis mot regjeringens forslag som kom nå på fredag, om en moderat oppmyking av midlertidige ansettelser, som kan bidra til å gjøre døren videre og hjelpe flere til å få en fot innenfor. Men samtidig vet jeg at Kristelig Folkeparti deler regjeringen og Fremskrittspartiets ambisjoner på dette feltet, så mitt spørsmål blir: Hva mener representanten Ropstad er viktig for å hjelpe folk fra trygd til trygg jobb? Ropstad er viktig for å hjelpe folk fra trygd til trygg jobb? Takk for det spørsmålet. Det jeg mener bør være en felles målsetting for alle de fire partiene som nå forvalter flertallet i fellesskap, er at vi klarer å lykkes med å inkludere enda flere mennesker i arbeidslivet. har den tro at det å kunne være ansatt midlertidig har en positiv effekt. Det gir en mulighet til å vise at man kan noe, det kan være en vei inn. Men vi har ikke noen blind tro på at midlertidig ansettelse er den eneste løsninga, og jeg vil også advare mot midlertidig ansettelse hvis det blir sånn at det er til erstatning for faste jobber. Målet må bli at vi får flere arbeidsplasser som er faste, og så kan man gå veien dit hen gjennom midlertidig ansettelse. så kan man gå veien dit hen gjennom midlertidig ansettelse. Derfor kommer jeg til å være konstruktiv i forhandlingene framover, som jeg regner med at kommer til å komme. Men vi tror på de andre tiltakene også. I det som lå inne om et inkluderende arbeidsliv i resten av proposisjonen, var det gode tiltak. Jeg mener også at Stortinget må se på flere tiltaksplasser – men også bedre tiltaksplasser – og kortere ventetid, så man kommer raskere inn og får hjelp, for vi vet at jo lenger folk er ute av arbeidslivet, jo vanskeligere er det å få dem tilbake

og det er ikke enkelt – samtidig som de har lav inntekt i familien totalt og flere barn, skal få et kutt i sitt barnetillegg. Hvorfor er det så viktig for Kristelig Folkeparti å kjøre prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide så langt – noe som en ikke gjør i andre saker, f.eks. i forbindelse med AFP – at det skal ramme de absolutt svakeste? Jeg skjønner dilemmaet. Kan representanten utdype dilemmaet? Når jeg utdyper dilemmaet, mener jeg det kanskje først og fremst går på det som regjeringa foreslo når det gjelder et standardisert tillegg, for jeg mener det er der en først og fremst mer kan snakke om en arbeidslinje. Den løsninga som Kristelig Folkeparti kjempet igjennom nå med et tak på

så tror jeg det vil være en varig ordning. Ettersom dette har vært en ordning som har vært debattert, og Lundteigen kjenner selv til hvordan det var i forrige runde, frykter jeg at dette er en debatt som kan komme igjen og igjen. Nå tror jeg vi har fått en varig ordning som tross alt skjermer de aller fleste. Replikkordskiftet er omme. Jeg vil først fremme det forslaget som Senterpartiet er

som er et sjølstendig samfunnsmessig mål for Senterpartiet. Det sikres gjennom arbeid, arbeidsinntekt og små inntektsforskjeller. Det sikres gjennom skatt etter evne. Det sikres gjennom et sikkerhetsnett ved sjukdom, uførhet og ledighet for mennesker som sliter. Dagens budsjettdebatt gjelder arbeid og sikkerhetsnett, altså arbeids- og Det norske arbeidsmarkedet endrer seg raskt i negativ retning for mange. Det er en av de viktigste sakene framover, utviklinga i arbeidslivet. Nå må vi få en debatt om prinsippet om friest mulig arbeidsinnvandring innen EØS-området, fra land med om lag 10 pst. av det norske lønnsnivået. Noen tjener på billige tjenester med dette systemet, men stadig flere taper. Det svekker lønns- og arbeidsvilkår for stadig flere bransjer, bransjer som vi i Norge er helt avhengig av at kompetent ungdom går inn i. Videre svekker det også muligheten for de mange som har delvis arbeidsevne, til å komme inn i arbeidslivet. Det blir stadig vanskeligere å komme inn i arbeidsmarkedet. Med trangere tider og retning mot økt ledighet trengs det enda sterkere virkemidler for å kompensere for den utviklinga som her er beskrevet. Derfor: Senterpartiet arbeider for å si opp EØS-avtalen og innføre en handelsavtale med en regulert bevegelse av arbeidsinnvandring. Vi er veldig tilhenger av sterke fagorganisasjoner som gjør at vi får en balanse mellom arbeidsgivers makt og arbeidstakers makt. Vi er veldig for handlingsplaner mot sosial dumping og allmenngjøring av tariffavtaler. – som sagt – de som har delvis arbeidsevne, må i større grad komme inn i arbeidsmarkedet ved at arbeidsgivere som ønsker å ansette de personene, får varig eller tidsbegrenset lønnstilskudd, slik at det blir lønnsomt for sosialt innstilte arbeidsgivere å yte sin skjerv her. Det som ellers er sentralt i innstillinga, er Vi må få mer tilsyn i praksis. Den utviklinga som vi har hatt de siste 10–15 årene med mer papirtilsyn, har vist seg å innebære for liten risiko for dem som kutter svinger innenfor arbeidstilsynsområdet. Vi må få en større innsats mot dem som er useriøse, og som bedriver sosial dumping. Det er derfor viktig at regjeringa setter i gang felles tiltak mellom arbeidstilsyn, skatteetat og politi. nok, her er utfordringene store til negativ utvikling for både arbeidstaker og de seriøse arbeidsgiverne. Det blir vanskeligere og vanskeligere for de seriøse arbeidsgiverne å opptre i et slikt marked som går på kanten av det som er både lov og norsk arbeidslivstradisjon. Senterpartiet går derfor inn for å bevilge 75 mill. kr mer til Arbeidstilsynet

Det har vært en flaggsak, og Senterpartiet har sikret flertall for det tidligere. Det kommer vi til å fortsette å arbeide for å sikre flertall for, fordi midlertidige ansettelser er noe man bruker for å ta arbeidstopper i en bedrift – det er ikke en del av det ordinære ansettelsesforholdet. Vi avviser minstelønn, og vi er veldig opptatt av at sikkerhetsnettet skal bedres. Derfor: Når det gjelder barnetillegget,

Vi er glad for at inntektsgrensen for sjukepenger og foreldrebetaling er trukket. Vi er glad for forbedringen for sjølstendig næringsdrivende, men totalt sett: Regjeringa prioriterer de svakeste svakere, og det er grunnleggende feil. Representanten Per Olaf Lundteigen har tatt opp det forslaget han refererte til. Vil representanten også ta opp forslaget som Senterpartiet har sammen med SV i sak

opp, president! Representanten Per Olaf Lundteigen har tatt opp de forslagene har refererte til. Det blir replikkordskifte. Det er ingen tvil om at Senterpartiet er opptatt av unge arbeidsledige. Mitt spørsmål går på det å få unge arbeidsløse inn i arbeidslivet. Det viser seg enkelte ganger at terskelen for å komme inn er ganske høy, og regjeringen har foreslått flere ting for at det skal være lettere, bl.a. midlertidige tilsettinger og aktivitetsplikt. Mitt spørsmål er: Hvilket forslag er det representanten Lundteigen tenker seg for å få flere unge arbeidsledige inn i arbeidslivet? Vi kommer seinere, i en kommende debatt, inn på en sak hvor det nettopp er spørsmål om den gruppa av ungdommer mellom 20 og 25 år som verken har skole Det som Senterpartiet der har fremmet, og som flere partier er enig i, er at vi innfører en ordning med såkalte lærekandidater, hvor både private og offentlige bedrifter tar ungdommene inn i ordinært ansettelsesforhold – en lærekandidat på et vis som en lærling, og vedkommende yter med sin evne under bistand fra arbeidsgiver. Og så får en Og så får en gradvis økende inntekt fordi en blir mer og mer kompetent, og dermed får en på sett og vis utdannelse gjennom arbeid. Det kan være et godt tiltak for denne sårbare gruppa. Eg oppfattar at representanten Lundteigen er

Det å ha eit nasjonalt golv som vil hjelpe dei som er aller mest utsette, ser vi som eit målretta verkemiddel. Kva er problemet med dette? Minstelønn er etter Senterpartiets vurdering et krisetiltak, det er et krisetiltak når det er en ubalanse i arbeidsmarkedet mellom dem som etterspør arbeidskraft, og dem som tilbyr sin arbeidskraft. Vi ser den ubalansen ikke minst i Tyskland og Storbritannia, hvor en har innført minstelønn. Dette har ført til store diskusjoner om nivået på det hele, og det fører til en grunnleggende diskusjon om det er det rette virkemidlet i forhold til ubalansen. Senterpartiet standpunkt er: Når det gjelder ubalansen, er det roten til ondet en må ta fatt i. Og roten til ondet er en friest mulig bevegelse av arbeidskraft fra land som har 10 pst. av lønnskostnadene i Norge. Alle forstår at det gir en ubalanse. Vi må ta ondet ved roten, og dermed er det å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, slik at vi kan regulere bevegelsene av arbeidskraft. Det er det essensielle. Replikkordskiftet er omme. Utfordringane for velferdsstaten blir store framover. Dette kunne vi lese i perspektivmeldinga frå den raud-grøne regjeringa. Og få plassar er

Skal vi lykkast med å bevare eit solid sosialt sikkerheitsnett, er vi heilt avhengige av at det løner seg å jobbe, at fleire kjem i jobb, og at fleire står lenger i jobb. Statsbudsjettet har fått til dels hard medfart i offentlegheita på grunn av sin sosiale profil. Venstre delte i utgangspunktet ein del av den kritikken mot forslaget frå regjeringa, men etter at budsjettforliket mellom regjeringa, Venstre og Kristeleg Folkeparti kom i stand, er det etter vårt syn eit godt, framtidsretta og sosialt budsjett som vi vedtek i dag. Frå Venstre si side bør ikkje prioriteringane vere overraskande, det er dei same som dei har vore i mange år, nemleg arbeidet for fattige og vanskelegstilte barn. Vi har gjennom forhandlingane fått løfta det området i budsjettet med Det handlar bl.a. om ei kraftig satsing på barnehagar, på rusarbeid, på psykisk helse, på barnevern og på ordningar for barn i asylmottak. På denne komiteens område har det vore særleg mykje diskusjon rundt barnetillegget for uføre. Her meiner Venstre at vi har funne fram til ei god løysing, der vi tek vare på to viktige omsyn, nemleg omsynet til at det alltid skal løne seg å jobbe, og omsynet til at sosiale ordningar skal vere rause og behovsprøvde for dei som treng Med dette sikrar vi barnetillegget som ei framleis behovsprøvd ordning, men vi set eit tak på den samla ytinga på 95 pst. av inntektsgrunnlaget, slik at dei som forsøkjer seg i arbeid, ikkje kjem dårlegare ut enn dei som tek imot trygd. Dette er også noko som både mindretalet og fleirtalet i uførepensjonsutvalet såg på som ei fornuftig løysing, uavhengig av synet på om Og eg trur – til liks med representanten Ropstad – at dette er ei ordning som vil kome til å stå seg. Det er viktig for alle dei barna og familiane det gjeld, at det er føreseieleg. Samtidig som vi har sørgt for å rette opp i ein del ting i budsjettet som frå Venstre sin ståstad ikkje var gode nok, får vi til ytterlegare satsingar på bl.a. barnehagar. I Venstre er vi glade for at vi no også får større differensiering, slik at dei som har dårleg råd, kan få Så får heller dei som har betre råd, leve med at dei må bidra litt meir. Sosial utjamning kallar vi det. Vi er frå Venstre sin ståstad særleg glade for at vi no endeleg får til eit løft for dei sosiale vilkåra til sjølvstendig næringsdrivande og gründerar. Vi har ikkje i Noreg ein overflod av folk som ønskjer å ta ein risiko, starte sin eigen arbeidsplass for kanskje å lykkast med det, og tilsetje fleire særleg ikkje når det gjeld kvinner. Etter Venstre sitt syn er det viktig at ein har gode sosiale ordningar også for dei som vil prøve å forfølgje ein god idé. Det at vi no får like rettar til pleie- og omsorgspengar, er bra. Vi er også glade for at Senterpartiet har funne grunn til å støtte det i innstillinga. Tida går, men eg vil også kome innom Venstre sitt forslag om ei utgreiing av lovfesta nasjonal minsteløn, som er til behandling i denne debatten. Fleirtalet har dessverre avvist det forslaget, men vi er glade for støtte frå Framstegspartiet i komiteen. Vi er alle opptekne av å kjempe imot sosial dumping. Det å ha ei lovfesta nasjonal minsteløn kan vere eit av dei mest målretta verkemidla vi tek fram frå verktøykassa dersom vi vågar å bruke det. Dei aller fleste europeiske land har eit minstenivå for kva som er ei lovleg løn – eit golv som ingen kan gå under. under. Eg synest det er underleg at dei partia som til vanleg ikkje har problem med å detaljregulere nær sagt alle andre sider ved eit arbeidsforhold gjennom lov, tilsynelatande meiner det skal vere fullt lovleg å ha eit uanstendig lågt lønsnivå. Så har også arbeidsmarknaden forandra seg noko, bl.a. som følgje av EØS-avtalen. Det meste av det er til det gode, men noko set også ting vi tradisjonelt har gjort her i Noreg, under press. Det at vi har fått allmenngjering av løn, er eit tydeleg teikn på at noko må endrast. Det å ha eit nasjonalt nivå, noko du ikkje kan gå under, er eit naturleg neste steg, noko bl.a. også hovudorganisasjonen Virke i høyringa var svært positiv til og ville utgreie. Det same var YS, som primært er imot, men som likevel såg på dette som interessant. Eg skjønar ikkje kva det for ein kunnskap ein er redd for skal kome fram i ei slik utgreiing, så eg ser fram til å kome tilbake til dette forslaget ved ei seinare anledning. Det er eg sikker på at vi kjem til å gjere. Det blir replikkordskifte. Venstre er for minstelønn og står sammen med Fremskrittspartiet, som faktisk går imot anbefalingene fra egen statsråd. Vi andre satser på lov om allmenngjøring. Hovedgrunnen til at resten av komiteen er imot, er de erfaringene som 23 EU-land allerede har. De viser at minstelønn, hvis det er et målrettet tiltak,

Det har vi tenkt å unngå gjennom å be om ei utgreiing. Vi seier ikkje at dette er ei løysing vi skal innføre her og no frå Stortinget si side. Til det er det for mykje å ta omsyn til. Det er ting som skil den norske arbeidsmarknaden frå arbeidsmarknaden i mange andre europeiske land. Då er det grunn til å gå nøye inn i det gjennom ei kunnskapsbasert utgreiing. Eg forstår ikkje kva det er for ein kunnskap ein i Arbeidarpartiet er redd for at skal dukke opp i ei slik utgreiing. Så har vi allereie

akseptabelt. Då bør kanskje enkelte i denne salen vurdere å gjere noko med det. Som jeg sa i innledningen til mitt første spørsmål til representanten Rotevatn, har vi altså den nødvendige kunnskapen fordi 23 andre land har gjort seg sine erfaringer, og de erfaringene er ganske samstemte. Men mitt neste spørsmål blir da: Hvilket nivå mener Venstre at en norsk minstelønnsordning skal ligge på? Er 30–50 pst. av gjennomsnittslønna et anstendig nivå, eller ønsker Venstre å legge nivået høyere? Det skal ikkje Venstre slå fast her og no, av den enkle grunn at vi ber om ei utgreiing. Og igjen: Eg forstår ikkje kva det er for ein kunnskap ein i Arbeidarpartiet er redd for skal kome fram gjennom den typen kunnskapsutgreiing. Eg syntest også det var interessant at arbeidstakarorganisasjonen YS i høyringa vi hadde i komiteen, sjølv om dei primært ikkje ønskjer minsteløn, likevel syntes det var ein spennande tanke å få meir kunnskap på bordet og såg mange av dei same utfordringane som Venstre ser. Vi har ein del utfordringar i norsk økonomi no, der vi dessverre ser at det kan gå ut over mange arbeidstakarar, som ikkje blir behandla godt nok, og vi ser at folk mistar jobben. Då er eg for så vidt glad for at vi vedtek eit budsjett som er framtidsretta på arbeidstakarane og næringslivet sine vegner. Eg synest ikkje det er ein god idé i denne situasjonen å stemme for Arbeidarpartiets budsjett, som vil medføre solide skatteaukar for verdiskaping og bedrifter på 10 mrd. kr. Eller var det 13 mrd. kr? Uansett: Det er en svært dårleg

sagt at vi skal ha en styrket tiltaksplan mot barnefattigdom. For oss i regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet, handler det ikke bare om å komme opp med tiltak selv, tiltak som vi finner på. Nå måtte SV be om unnskyldning overfor landets fattige – etter ett, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte år i regjering.
men det er klart at vi må vidare. Realiteten er at det er om lag 78 000 fattige barn i Noreg. Det er eit tal som har gått opp dei siste åra. Det er alvorleg. Vi ser også at fattigdommen har endra seg noko. Der den typiske fattige før gjerne var ein minstepensjonist, ser vi no at fleire er barnefamiliar og ikkje minst barnefamiliar med ikkje-etnisk norsk opphav. Frå Venstre si side er noko av det aller viktigaste å satse på barnehagar. Vi er glade for at vi løftar talet på barnehageplassar i dette budsjettet. Der må vi kome vidare. Vi bør også kome vidare når det gjeld inntektsdifferensiering her. Vi trur også at vi må våge å sjå på kanskje den viktigaste ordninga for barnefamiliar, nemlig barnetrygda, som ikkje har vore inntektsjustert sidan 1996. Grunnen til det er sjølvsagt at alle får dette, at det er ein flat stønad. Det å differensiere meir der trur vi er eit godt steg på vegen mot større sosial utjamning, i tillegg til alt det andre viktige vi må gjere for å hjelpe barn ut av fattigdom – det vere seg tidleg innsats eller det å satse på skule, helsesøstrer og psykisk helsearbeid. Replikkordskiftet er dermed omme. Jeg vil starte med å ta opp SVs forslag. Norge er igjen kåret til

Og Norge er det eneste landet i den vestlige verden der de økonomiske forskjellene har blitt redusert de siste årene. Dette er ikke tilfeldig. Det er ingen naturlov som står bak, dette er politiske veivalg. Jeg frykter at vi vil ha andre plasseringer når status gjøres opp i årene som kommer, for jeg frykter at hverdagen til mennesker her i landet skal bli mindre likestilt, mindre trygg og mindre rettferdig.

Jeg snakket her om dagen med en mor som fortalte hvor vanskelig det var å gjøre fredagshandelen når ungen ville ha både brunost og Donald, og hun kun hadde råd til en av delene. Det å være fattig merkes ekstra godt i et samfunn der mange har mye, og der man har en politikk hvor mye skal få mer. De samme pengene kan aldri være to steder på samme tid. Gir man skattelette til de rikeste, må det tas fra en plass. Denne regjeringen har gjort et tydelig veivalg. Vi ser konturene av en samfunnsretning der hver og en skal være sin egen lykkes smed, men forutsetningene for å kunne smi er fremdeles så innmari skeive. Det er et samfunn der fagforeningene og organisasjonen sikkert har åpne dører i møte med makten, men likevel møter døve ører. Det er et samfunn der profittdrevne tjenester er i frammarsj, der kommuneøkonomien svekkes, anbudsrunder presses fram, faglige rettigheter blir forsøkt svekket, og likestillingspolitikken ser ut til å være ute av syne og ute av sinn. Vi ser konturene av et Norge i endring. SV kjemper for en samfunnsutvikling i stikk motsatt retning. Vi vil dele godene og bekjempe klasseskiller. Derfor fremmer vi en politikk for omfordeling. Folk som får god hjelp og økonomisk trygghet når de opplever sykdom, arbeidsløshet og vanskeligheter i livet, klarer også bedre å komme ut av problemene. Vi vil øke barnetrygden – særlig for familier som har mange unger, og for enslige forsørgere – og vi vil fjerne kommunenes muligheter til å avkorte sosialhjelpen mot barnetrygden. Vi vil ha en ungdomsgaranti som virker. Derfor går SV inn for en arbeidslinje som har en verdi, og er en garanti for at unge gis rett til arbeidsmarkedstiltak eller annen hjelp for å komme i jobb. jobb. Dette er særlig viktig nå når vi ser at flere opplever usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon. Da er det nødvendig med flere tiltaksplasser og et permitteringsregelverk som gir trygghet. Vi vil ha et godt regelverk, sånn at folk kan beholde jobben sin i usikre tider samtidig som bedrifter slipper å tømmes for kunnskap og erfaring. SV vil ha et godt arbeidsliv, der folk har en lønn å leve av og en arbeidsdag å leve med. Hele og fulle stillinger må være hovedregelen. Den som ikke kan jobbe, må trygges av fellesskapet og sikres inntekt. Fremdeles har kvinner mindre makt enn menn. Kvinner eier mindre og tjener mindre, og lønnsforskjellene ser ut til å øke. Det er et viktig politisk ansvar å gjøre noe med denne uretten. Kvinners deltakelse i arbeidslivet er grunnlaget for selvstendighet og økonomisk frihet. Da nytter det ikke med kontantstøtte. Fritid og arbeid bør også fordeles mest I dag jobber menn overtid og kvinner deltid. SV vil ha et arbeidsliv der flere tar del, og der forskjeller som avgjør makt og muligheter mellom kvinner og menn, reduseres. Vi vil ha nye erfaringer med redusert arbeidstid. Kortere normalarbeidsdag vil kunne gjøre det mulig for flere å jobbe fullt, samtidig som det vil gi mer fritid, bedre livskvalitet, muligens bedre helse og økt likestilling. Derfor må ufrivillig deltid bekjempes. SV ser ikke på velferdsstaten bare som et sikkerhetsnett, men som en forutsetning for å leve et godt liv. For det store flertallet ligger friheten i fellesskapet.

oppgaver for lavere betaling enn det de som i dag utfører oppgavene, får. Jeg har selv jobbet på Nav. Jeg har vært sosialarbeider og møtt mennesker som er i en vanskelig livssituasjon, og som trenger ordninger som passer for dem. Da frykter jeg en blind aktivitetsplikt mest av alt, for jeg tror det vil bli til hinder for å finne gode løsninger for det enkelte mennesket. Sosialistisk Venstreparti har igjen begynt å snakke om fordelingspolitikk og fattigdom, og det vil jeg si er

skatter og avgifter og at i stedet for å gi skattelette til de rike bør pengene brukes til å hjelpe dem som har størst behov for det. Samtidig har Sosialistisk Venstreparti fokusert mye på at de nå reduserer skatten for enkelte, men det de glemmer å si, er at de øker avgiftene så betydelig at den enkelte vil betale langt mer i skatter og avgifter. Men en overraskelse er det at Sosialistisk Venstreparti i sitt budsjettforslag reduserer utbytteskatten for aksjeutbytter. Så mitt spørsmål til representanten Bergstø er: Hvor mange fattige vil nyte godt av redusert utbytteskatt på aksjeutbytte? Under den rød-grønne regjeringen ble forskjellene i Norge redusert for første gang på 20 år. Det er jeg stolt av. De eneste som har grunn til å skamme seg på fattiges vegne, er de som ikke prøver å gjøre noe med livssituasjonen deres. SV jobber morgen, middag og kveld, dag og natt, for å endre maktforholdene i samfunnet, for at alle skal kunne stå i sin fulle lengde, og for at folk skal ha brød på bordet og en god arbeidssituasjon i sine liv. liv. Derfor er det helt avgjørende at de velferdsordningene vi var med på å styrke, fremdeles forblir gyldige i folks hverdag. Ellers vet vi at forskjellene vil øke. VG hadde en overskrift om at SV gir skattelette til «folk flest», så det er ingen tvil om at de med lavest inntekt vil tjene godt på våre skatteletter – i motsetning til regjeringen, som fremmer de rikeste.

nå. Jeg må innrømme at jeg kanskje er blitt litt skuffet over de frontalangrepene som jeg har opplevd fra SV i flere debatter som vi, og andre i salen, har hatt om dette etter budsjettforliket. Vi ivaretok jo i hvert fall 28 000 barn. Så er det rett – som SV sier – at noen vil bli rammet, fordi vi setter et tak: Man skal ikke kunne få mer enn 95 pst. av det hadde før man ble ufør, utbetalt av både trygd og barnetillegg. Jeg kan forstå at man kan kritisere dette. Men litt av utfordringa er også at det er mange andre lavtlønte og fattige i dette landet – det finnes andre som jobber for 200 000–250 000 kr i året, som ikke får barnetillegg. Er det sånn å forstå at SV også ønsker å gi barnetillegg til andre

Grunnen til at SV kritiserer løsningen, er at den er usosial i sin form. 95 pst. av 300 000 kr er noe helt annet enn 95 pst. av 500 000 kr. Det å si at man aldri skal ha muligheten til å tjene mer på trygd enn på arbeid, betyr god skrivebordshåndtering, men dårlig praksis, for jeg må innrømme at det er svært, svært få tilfeller som ville tjent mer på trygd enn på arbeid. Men på grunn av de veldig få tilfellene går man løs på en ordning. Jeg er glad for at Kristelig Folkeparti har kommet noen vei. Det er stor forskjell på 32 000 unger som i utgangspunktet ville blitt fattigere, og 4 000. Det vil merkes i folks liv.

La meg starte med å si at det er, som andre også har påpekt, en del svarte skyer i horisonten. Derfor er det viktig at man fører en politikk som gjør samfunnet konkurransedyktig, som gjør at man har tilstrekkelig bærekraft og ikke minst ruster Norge for fremtiden. Derfor er det viktig for regjeringen å legge til grunn en politikk som fortsatt fører til høy sysselsetting og lav ledighet. Det er viktig å sikre at man tetter hullene i det sosiale sikkerhetsnettet. Jeg vil også innledningsvis få lov til å takke Venstre og Kristelig Folkeparti, som har bidratt til et budsjett som er blitt bedre på mange områder. For regjeringen er det viktig at vi har et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv med plass til alle, og skal vi sikre et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv,

enn noen gang før vil bli gjennomført neste år, der politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet går sammen for å jakte på de useriøse. Jeg er glad for at regjeringen prioriterer dette høyt. Jeg er også glad for at man tar opp kampen mot de useriøse ved å se på hvordan man utvider I dag har vi en allmenngjøringsordning for byggebransjen, verftsindustrien, renholdsbransjen, jordbruksnæringen og gartnernæringen. Men allerede i november ble den utvidet til å gjelde fiskerinæringen, og det er på trappene å utvide den til også å gjelde elektrobransjen og veitransportsektoren. Det viser at denne regjeringen tar nødvendige grep og gjør kloke ting for å opprettholde et seriøst arbeidsliv, og dette gjør vi også i god dialog med partene i arbeidslivet. Det er også viktig at man legger til rette for et arbeidsliv der man klarer å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet. Derfor er jeg glad for at denne regjeringen øker innsatsen når det gjelder tiltaksplasser for dem med nedsatt arbeidsevne, med 700 flere enn det Stoltenberg-regjeringen la frem for 2014. Jeg er også glad for at denne regjeringen styrker innsatsen og slipper flere sosiale entreprenører til som kan hjelpe og kvalifisere flere inn i arbeidslivet, slik at den samlede innsatsen er større enn vi har hatt de siste årene. De sosiale entreprenørene gjør en viktig, riktig og god jobb for å lykkes. Jeg er også glad for en proposisjon med en meldingsdel, der vi kommer med en av de største reformene innenfor arbeidsmarkedstiltakspolitikken, der man gjør det som denne sal har påpekt år etter år etter år – at vi må få en tiltaksforenkling, sørge for at folk får raskere hjelp, bedre hjelp, og ikke blir gående i en evigvarende runddans i et tiltakssystem. Derfor halverer vi også antall tiltak. Det er ikke bestandig antallet tiltaksplasser i seg selv er det viktigste – det det handler om, er hvor godt man klarer å hjelpe folk som står utenfor arbeidslivet, å få flest mulig innenfor med de tiltaksplassene man har. Denne regjeringen tar gode grep for å sikre dette. Jeg er også glad for at jeg da jeg var i Namsos forrige onsdag, fikk anledning til å møte Hassan, en innvandrergutt fra Afghanistan som kom til Norge helt alene. Han hadde ingen, kunne ikke språket, var analfabet, hadde ingen familie rundt seg. Han fikk hjelp i et bilopphoggeri som drives og eies av en bedre kjent DDE-vokalist, Bjarne Brøndbo. Denne regjeringen kommer nå med forslag om spissede tiltak knyttet til lønnstilskudd, lønnstilskudd for dem som står i fare for å havne på uføretrygd. Det er bedre og lettere å ta i bruk for næringslivet når det gjelder det midlertidige. Vi foreslår et nytt inkluderingstilskudd og et nytt og bedre tilretteleggingstilskudd som gjør at funksjonshemmede i større grad får muligheter ved at pengene blir brukt på tilrettelegging og utstyr som gjør at den enkelte kan stå i arbeidslivet, fremfor å gi et driftstilskudd til en bedrift. Det er tiltak som vil hjelpe folk som står utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet. Jeg er også glad for at vi har fått på plass et SUA-kontor i Bergen, som også betyr at man vil være positiv til å rekruttere riktig og kvalifisert arbeidskraft fra utlandet på en raskere og bedre måte, samtidig som det er et viktig instrument i kampen mot sosial dumping. Når det gjelder våre velferdsordninger, er det også viktig at vi har bærekraftige, gode og trygge velferdsordninger for fremtiden. Jeg er derfor glad for at man nå har fått på plass en uføretrygd med et barnetillegg som setter et tak på 95 pst. Det oppretter også det som regjeringen har vært opptatt av, nemlig at man skal ha arbeidsincentiver, at det skal lønne seg å ta ut den faktiske arbeidsevnen sin og prøve seg i arbeidslivet. Vi vet at i dag har allerede én av tre av de 310 000 uføretrygdede en fot innenfor i arbeidslivet. Enten har man gradert uførepensjon, eller man tar i bruk friinntektsgrensen på 1G. Jeg ønsker at disse menneskene skal få realisert drømmen og ta i bruk enda mer av sin arbeidsevne, og det ønsker også denne regjeringen. Det er bra politikk, det er bra for samfunnet, og det er bra for den enkelte. Jeg er også glad for at vi innfører aktivitetskrav for sosialhjelpsmottakere. Det verste man kan møte mennesker med, er likegyldighet. Jeg ønsker å møte mennesker med respekt og ta folk på alvor. Det gjør man gjennom dette forslaget. Jeg er også glad for at denne regjeringen styrker funksjonsassistentordningen, som gjør at flere muligheten til å delta i arbeidslivet. Jeg er glad for at denne regjeringen nå gjør arbeidsplasstolk til en permanent ordning, ikke bare en forsøksordning, som den har vært i sju år under den forrige regjeringen. Tidligere i år møtte vi på Mester Grønn to døvstumme som nå er sikret bedre oppfølging med arbeidsplasstolk, noe som gjør at de kan ta i bruk sin arbeidsevne på en god, riktig og trygg måte fremover. Det er jeg glad Jeg er glad for at denne regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av Nav. Jeg er også glad for at SV reiser spørsmålet om Nav-ombud i et av sine representantforslag, men jeg tror også det er viktig å la det ekspertutvalget se grundig på med hvilke modeller, hvilke måter man kan møte det på. I Sverige har man det som kalles som hjelper folk gjennom et kronglete regelverk. Kanskje det er måten å gjøre det på. Kanskje er det Oslo-modellen som er måten å gjøre det på. Det kan være gode måter, men denne regjeringen er opptatt av å løfte brukerperspektivet, løfte brukernes innflytelse og muligheter også inn i vår arbeids- og velferdsforvaltning. Jeg er også glad for at denne regjeringen har styrket ledsaging og tolk for døvblinde ute i kommunene, slik vi lovte i valgkampen. Jeg er i tillegg glad for slik vi lovte i valgkampen. Jeg er i tillegg glad for at vi er i full gang med og i løpet av 2015 vil komme tilbake med en strategi for å ta tak i problematikken knyttet til barnefattigdom. Så har jeg lyst til å si to ord på slutten. Jeg er også glad for at vi har fått støtte i denne regjeringen for at man skal se på overgangsordningen og komme tilbake med en egen sak om det. Jeg tror det er en god måte å gjøre det på. Jeg tror det er viktig å kunne hjelpe folk til raskere å oppleve friheten ved å være selvforsørgende med egen inntekt enn det vi har klart til nå. Jeg er også glad for at vi har fått på plass en god overgangsordning for den nye uførereformen og de nye skattereglene som gjør at de som står i fare for å kunne tape fra 6 000 til 100 000, vil bli sikret gjennom en god overgangsordning som vi har fått til i vårt forlik med Kristelig Folkeparti og Venstre. Denne regjeringen tar ansvar. Så har jeg helt til slutt lyst til å si noe om permitteringsregelverket. Permitteringsregelverket fungerer. De siste ledighetstallene sammenlignet med de forrige ledighetstallene går nå ned med 400. Fortsatt kan det gå opp ved at det er svarte skyer i horisonten som vi ikke rår over, men det er positivt at det går litt ned. litt ned. Og det er første gangen på to år at det gjør det. Det synes jeg er positivt. Det betyr at arbeidsgivere ikke sier opp folk eller sender dem ut i ledighet, slik mange har hevdet, men at man bruker permitteringer på en god måte. Reinertsen i Trondheim, som hadde varslet 200 permitterte, er eksempel som viser at permitteringsregelverket fungerer, balanserer og blir brukt etter den hensikten det permitterte, er eksempel som viser at permitteringsregelverket fungerer, balanserer og blir brukt etter den hensikten det skal brukes. Det blir replikkordskifte. Det var interessant å høre alt statsråden er

Og forbedring av det regelverket som fungerer, skal vi være med på å diskutere. Så var statsråden på slutten inne på permitteringsregelverket, som det har vært en enstemmig kritikk av fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Det har blitt varemerket til regjeringa at den absolutt ikke hører på dem som lever sitt daglige liv – i dette tilfellet – i næringslivet, men heller ikke når det gjelder IA-avtalen, der han to ganger har brutt avtalen siden den ble inngått. Da blir spørsmålet mitt: Alle som kritiserer permitteringsregelverket, arbeidsgivere og arbeidstakere, har de ikke greie på sin egen hverdag? Først har jeg lyst til å svare på om eksemplet om Hassan viser at det fungerer. Nei, vi bruker altfor lite lønnstilskudd. lønnstilskudd. Næringslivet sier klart og tydelig at vi ikke tar det godt nok i bruk, og at de skulle ønske det var mer målrettet. Denne regjeringen leverer et mer målrettet lønnstilskudd. Det er positivt, og det er bra, noe som gjør at flere får muligheten. Når det gjelder permitteringsregelverket, registrerer jeg, som jeg sa avslutningsvis i mitt innlegg, at det fungerer etter hensikten. Vi har et spleiselag mellom det offentlige og arbeidsgiverne som fungerer. Ledigheten har gått litt ned. Vi har rekordlave permitteringstall, men det men det varsles at permitteringsregelverket brukes, og bl.a. Reinertsen i Trondheim er et godt eksempel på det. Jeg tror folk kjenner hvor skoen trykker. Det er også viktig for oss som politikere å ha et regelverk som fungerer etter hensikten. Det har vi fått til, og det balanserer. Vi følger utviklingen nøye videre, men vi ser at det er svarte skyer i
Det var sånn at da regjeringa svekket permitteringsregelverket knyttet til årets budsjett, kom det samstemt kritikk. Da sa den samme statsråden at han skulle følge situasjonen nøye – det gjør statsråden stadig. Så kom det mye kritikk ut over hele våren, og mange håpet på at det ville bli en endring i forbindelse med revidert budsjett. Statsrådens svar på hvorfor det ikke ble noen endring i revidert budsjett, til tross for at regjeringa varslet ytterligere noe økt arbeidsledighet, var at den skulle følge situasjonen nøye. Så er det sånn at i det statsbudsjettet vi nå har til behandling, har regjeringa nok en gang varslet at arbeidsledigheten kommer til å øke, og vi har sett det konkret knyttet til leverandørindustrien på Vestlandet. Det har vært en rekke henvendelser fra en samlet, seriøs byggenæring, som sier: Vær så snill å la oss få lov til å beholde ansatte, som vi kan investere i for kunnskap og forbedret helse, miljø og sikkerhet. Da er spørsmålet mitt nok en gang: Har de ikke greie på hva de snakker
Jeg registrerer at ledighetstallene er stabile, og har vært stabile over lang tid. Derfor følger man også den utviklingen. Jeg ser ingen grunn til å endre et regelverk basert på en arbeidsmarkedssituasjon som er stabil, og som fungerer. Jeg kunne ha nevnt bedrifter som har etterlyst at man gjerne kunne ha tenkt seg å permittere bl.a. innleid arbeidskraft, Jeg kunne ha nevnt bedrifter som har etterlyst at man gjerne kunne ha tenkt seg å permittere bl.a. innleid arbeidskraft, men jeg ser også at de samme bedriftene har fast ansatte som verken blir permittert eller oppsagt. Jeg synes det er noe forunderlig hvis det er sånn at Arbeiderpartiet mener at det er riktig at man skal permittere folk som er innleid i en virksomhet, fremfor at de skal komme seg raskt over i annet arbeidsoppdrag.

år. Jeg vil også berømme statsråden for å ha et stort engasjement for å inkludere flere mennesker i arbeidslivet, senest nå på fredag med den meldinga og proposisjonen som kom da. Selv om jeg ikke har lest tiltakene grundig, ser jeg iallfall at det er flere viktige tiltak som fremmes, og jeg ser fram

viktig at man reiser den debatten og setter seg ned sammen og finner ut hvilke måter man kan nå disse menneskene på, hvordan man kan få tatt tak i dem for å få dem tilbake i skole. Regjeringen har kjørt et forsøksprosjekt nå, i Nord-Trøndelag – det kom i statsbudsjettet – der man gjennom oppfølgingstjenesten følger opp mye tidligere dem som det er størst sjanse for at detter ut, og hjelper dem inn mot arbeidsliv, helsetjeneste eller hva det nå måtte være, på et tidligere tidspunkt enn før, nettopp for å unngå at de havner utenfor alt sammen. Jeg ser frem til å se resultatene av dette forsøksprosjektet. Statsråden sa at vi måtte ruste Norge for framtida, og det er

trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv». Med ordet «trygt» oppfatter jeg at lønnsmottakerne skal ha fast ansettelse med fast inntekt. Ordet «familievennlig» oppfatter jeg slik at man skal få tid til samvær med familien på kvelder og søndager. Spørsmålet mitt går på ordet «fleksibelt». Betyr «fleksibelt» i statsrådens språkbruk «midlertidig»? Er «midlertidig» en del av «fleksibelt arbeidsliv»? I tilfelle: Hvem skal så få mer av denne «midlertidigheten» i arbeidslivet? Gjelder det både de høytlønte og de lavtlønte? Med det forslaget vi la fram på fredag med en generell adgang på midlertidighet, kan man være midlertidig ansatt i 12 måneder og ha en karantenetid på 12 måneder. Man kan innramme dette med en kvoteordning, og man kan også ser hvor mange som i dag aldri får oppleve å komme på et intervju, aldri får oppleve å vise seg fram, synes jeg dette kan være godt, bra, viktig og riktig,

utan at høyringsdokumentet omfattar det foreslåtte kuttet frå tre til eitt år. Spørsmåla mine blir då: Kvifor foreslår ein desse endringane når regjeringa i den budsjettproposisjonen vi diskuterer i dag, skriv rett ut at enkelte grupper, spesielt einslege forsørgjarar, har hatt ei svakare inntektsutvikling enn snittet dei siste åra? Og: Kvifor fremjar regjeringa enkeltelement i ei såpass omfattande sak i budsjettproposisjonen samtidig som andre forslag blir sende ut på høyring, utan at dei innstrammingane blir sette i samanheng? Jeg mener at det er mange gode grunner til at man burde redusere fra tre til ett år, nettopp fordi vi ser at 54 pst. av dem som mottar overgangsstønad, allerede kombinerer den med tilknytning til arbeidslivet. For meg er det da viktigere med raskere hjelp og bedre hjelp får muligheten og friheten til å være selvforsørget med egen inntekt raskere, enn at de blir gående lengst mulig i en situasjon med liten inntekt og liten arbeidstilknytning. Så er jeg glad for at vi gjennom dette forliket også nå kan se alle elementene under ett, at vi legger frem en helhetlig sak. Jeg ser frem til diskusjonen med både Venstre og Kristelig Folkeparti om hvordan vi skal sikre en god fremtidsrettet overgangsordning som gjør at flere får muligheten til å komme raskere tilbake til arbeidslivet, men som samtidig ivaretar dem som f.eks. har kronisk syke barn, funksjonshemmede barn, at de får muligheten også til å kunne ha overgangsstønad i en lengre periode – og det samme når det gjelder utdanning, for dem som har behov for det. Replikkordskiftet er omme. Statsbudsjettet for 2015 har en tydelig usosial profil. Det er

handler ikke bare om utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Det handler heller ikke bare om at det truer norske lønns- og arbeidsvilkår, og at det hindrer rekruttering av fagarbeidere. Det setter hele den norske arbeidslivsmodellen i fare, konkurrerer ut seriøse bedrifter og svekker produktiviteten og kvaliteten i næringslivet vårt. Det handler om at skatteunndragelse og svart arbeid stjeler milliarder fra fellesskapet. I sum truer dette hele velferdsmodellen vår. Leser man budsjettmerknadene i «lefsa» og hører på statsrådens innlegg, kan det jo høres ut som at det er tverrpolitisk enighet om at arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er av våre største utfordringer. Men det holder ikke å si at man er opptatt av problemet, det holder ikke å dele Arbeiderpartiets analyse, om man ikke gjør noe med det. Og det er her regjeringen fortsatt skiller lag fra Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen – når det gjelder vilje og evne til handling. Det tok to måneder før regjeringen sa noe som helst om arbeidslivskriminalitet og Det første som skjedde, var at statsråden varslet et krisemøte der berørte etater skulle samles, og de useriøse elementene skulle røykes ut. Det krisemøtet ble holdt i juni. Innen den tid var det ikke bare opposisjonen i Stortinget som var utålmodig. NHO og LO skrev sammen felles brev til statsministeren og krevde tiltak. Fortsatt har ikke regjeringen svart på hva den faktisk vil gjøre, hva strategien er, bare at det skal komme en strategi. Det har gått ett år. Det er ikke nok å si at man er opptatt av å løse et problem. Går man ikke fra prat til praksis, er det ingenting verdt. Hva er det regjeringen gjør? Den peker på strengere straffer og mer kontroll. Det er bra, og det støttes tverrpolitisk. Men det er ikke nok, for arbeidslivskriminalitet er som all annen kriminalitet, den må bekjempes både med straff og forebygging. Regjeringen har ikke gitt ett eneste svar på hvordan den vil forebygge, men den har hatt sjansen. Flere ganger har Arbeiderpartiet foreslått tiltak i denne sal – ti tiltak i transportbransjen for et år siden, og vi behandler i neste uke 22 nye forslag til tiltak i en handlingsplan 4. Vi skal fortsette å foreslå tiltak der regjeringen er handlingslammet. For å forebygge arbeidslivskriminaliteten og møte den må vi satse på det sterkeste og beste virkemidlet vi har: fagbevegelsen. Tillitsvalgte med verktøy til å være våre øyne og ører er det mest effektive tilsynet rundt om på arbeidsplassene landet over. Da må vi understøtte det organiserte arbeidslivet og gi dem flere verktøy. Gjør regjeringen det? Nei, tvert imot. De fratar fagbevegelsen viktige verktøy i denne kampen. Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven er heller ikke et grep som møter og bekjemper useriøsitet i arbeidslivet. Tvert imot, de er til hinder for å komme problemet til livs. Summen av forslagene heller bensin på bålet, tilrettelegger for mer uoversiktlige forhold på arbeidsplassene, forskjellsbehandling og useriøsitet. Arbeidstilsynet sier rett ut at regjeringens forslag til endringer vil vanskeliggjøre deres arbeid mot arbeidslivskriminalitet. Det budsjettet vi vedtar her i dag, har overhodet ingen kraft til å møte vår største utfordring framover. Det inneholder ikke annet enn mye tung retorikk om arbeidslivskriminalitet fra regjeringens side, og det er ingenting verdt så lenge regjeringen i sin helhetlige politikk svekker og ikke styrker kampen mot ingenting verdt så lenge regjeringen i sin helhetlige politikk svekker og ikke styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet. Da regjeringen tiltrådte, ble velgerne lovet en kursendring i norsk politikk. Det ser vi konturene av i dette budsjettet. Det legges mer vekt på verdiskaping og økt konkurransekraft for å trygge velferden. Det innebærer en politikk som legger til rette for at flere tar ansvar og bidrar til fellesskapet og fremtidens velferd. Vi må skape før vi kan dele. Regjeringen ønsker at alle som har hel eller delvis arbeidsevne, kommer i jobb. For å få til det må det satses mer på å stimulere til et mer inkluderende arbeidsliv, og i dette budsjettet legges det opp til noen endringer i velferdsordningene for å gi incentiver til inntektsgivende arbeid for dem som helt eller delvis kan arbeide. I januar 2015 får vi en ny trygdereform. Det blir et stort skritt i riktig retning når det gjelder å Den nye uførereformen ble vedtatt av et bredt politisk flertall i Stortinget i 2011, og reformen innebærer et nytt regelverk som gir flere i yrkesaktiv alder mulighet til å delta i arbeidslivet. I praksis vil det bety at alle som har en uføretrygd, kan kombinere arbeid og trygd fra første dag de mottar sin uføretrygd. Det er viktig å understreke at de som er for syke til å jobbe, skal oppleve å ha et godt sikkerhetsnett med en god og trygg inntektssikring og ikke ha dårlig samvittighet for det. Jeg har møtt en del mennesker med store funksjonsnedsettelser som blir stresset når det blir så mye fokus på arbeid. De føler seg enda mer utenfor og mindreverdige fordi de ikke er i stand til å jobbe. Det er mange uføretrygdede som har nok med hverdagens utfordringer som å stå opp, kle på seg, spise og delta i sosiale aktiviteter når formen tillater det. Derfor må vi også ha med oss dette perspektivet når vi snakker om uføretrygd og restarbeidsevne. Hensikten med den nye uføretrygden er å gi en mer fleksibel og sømløs tilpasning til arbeidslivet enn dagens regelverk tilsier. Derfor er det viktig med de grepene regjeringen nå tar. En må se kritisk på de velferdsordningene og arbeidstiltakene vi har, og spørre: Virker tiltakene vi har, godt nok? Eller må det gjøres nye grep, noen justeringer og styrkinger, slik at tiltakene bedre kan bidra til arbeidsutprøving og gode overganger til arbeidslivet?

Men det er hyggelig å registrere at et av tiltakene, midlertidige ansettelser, fikk god støtte på lederplass i Aftenposten i går, hvor det sto: «I arbeidet med å senke terskelen til arbeidslivet bør også midlertidige ansettelser prøves.» Den foreslåtte endringen med midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven er en forsiktig og begrenset endring på inntil 12 måneders midlertidig ansettelse, karantenetid etter arbeidsforholdets slutt og en grense for andelen midlertidige ansettelser på 15 pst. Det innebærer slett ingen rasering av Det innebærer slett ingen rasering av norsk arbeidsliv, som en del i fagbevegelsen og opposisjonen i Stortinget hevder. Fast ansettelse skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det handler om å legge til rette for folk som i dag ikke har jobb, og gi dem en mulighet til å få en fot innenfor arbeidslivet. De vil da kunne få verdifull arbeidserfaring og lettere få tilbud om fast jobb. Jeg leste nylig i bladet Alt om syn om svaksynte Rainer Henriksen som fikk diagnosen RP tidlig

Tidligere var han selger, i dag jobber han som coach for selgergruppen. Han jobber ikke som coach fordi han er svaksynt, men fordi han har riktig kompetanse og er god til å coache. Han blir brukt til det han er best til. Det er flere enn Rainer som har blitt møtt med tilbud om uføretrygd når de har fått en funksjonsnedsettelse. Regjeringen vil snu den trenden og legge bedre til rette for personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet. Å være funksjonshemmet er ikke det samme som å ha nedsatt arbeidsevne. Det handler om tilrettelegging og tilpasning. Med litt tilrettelegging kan de med nedsatt funksjonsevne fungere på samme nivå som de uten. I budsjettet for 2015 er det flere tiltak som understøtter arbeidslinjen for funksjonshemmede og bidrar til en mer aktiv hverdag. I budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre ble rammen for arbeidsmarkedstiltak styrket med 75,8 mill.kr, noe som gir 500 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 200 flere plasser med varig tilrettelagt arbeid. Regjeringen vil snart, nå i desember, legge frem en melding om forenkling og effektivisering av tiltaksstrukturen som vil bidra til å ta i bruk flere virkemidler for å hjelpe dem som står utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet. I budsjettet er ordningen med funksjonsassistanse styrket, slik at flere kan tas inn i den ordningen. Arbeidsplasstolking styrkes og gjøres permanent, og i tillegg styrkes opplæringen av ledsagere til døvblinde. I flere år har mange etterlyst et talegjenkjenningsprogram på norsk. Dette er et viktig tilretteleggingstiltak for dem som har funksjonsnedsettelser i armene, men også for dem som sliter med alvorlig dysleksi. Regjeringen har nå bevilget 13 mill. kr til utvikling av et slikt program. I budsjettforliket ble innsatsen for universell utforming økt med 9,8 mill. kr, noe som er viktig i arbeidet med å styrke innsatsen, slik at Norge blir et mer universelt utformet samfunn. I regjeringsplattformen står det at regjeringen skal «tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom.» Dette synliggjør regjeringen ved innsats på flere departementsområder. Det innebærer bl.a. mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i økonomisk vanskeligstilte familier. Regjeringen vil sikre at flere barn kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt, gjennom å etablere lokale ordninger for utstyrslån og kontingentstøtte. Både tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom økes betydelig i 2015. Budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre har en bedre sosial profil på barnehagesatsingen enn det de rød-grønne leverte. Familier med lav inntekt skal få redusert barnehagepris, og budsjettet styrkes med 51 mill. kr for å gi gratis kjernetid i barnehager til fire- og femåringer fra lavinntektsfamilier i hele landet. Regjeringen vil også målrette og øke stipendsatsene betydelig for elever i videregående skole som kommer fra familier der mors og fars samlede inntekt er lav. Stipendsatsene øker faktisk med 50 pst. for de elevene som trenger dette stipendet mest. Regjeringen tar dette med barnefattigdom på alvor, tar nye grep og vil jobbe målrettet for at færre familier skal oppleve å være fattige i vårt samfunn. Regjeringen vil videre utvikle samarbeidet på tvers av departementene ved å utvikle en samlet strategi mot barnefattigdom. I arbeidet med strategien vil regjeringen bygge på samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre om tiltak mot barnefattigdom, jf. forslag i Dokument 8:125 S for 2012–2013. Til slutt: Regjeringen jobber målrettet for å redusere barnefattigdom, men det aller viktigste tiltaket i kampen mot fattigdom er å styrke innsatsen med å inkludere flere i arbeidslivet. Det er best for barna, og det er best for mor og for far.

har alle nødvendige elementer i seg for å løfte Norge til nye høyder, inn i en klar og blå himmel. Det aller viktigste er den blå profilen, dvs. et vekstfremmende budsjett med vekstfremmende og dynamiske skatte- og avgiftsletter, noe som vil bidra til økt sysselsetting og økt vekst. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen er opptatt av å bruke offentlige midler mer effektivt og prioriterer derfor tiltak for Det viktigste er at det skal bli mer lønnsomt å arbeide, spare og investere. Den gode skattepolitikken, kombinert med endringer for dem som lever av offentlig stønad, gir en dobbel positiv effekt på arbeidslinjen. Økning av frikortgrensen, redusert barnetillegg, for døve, flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne, flere VTA-plasser, økt tilskudd til sosialt entreprenørskap, talegjenkjenningsprogram på norsk, avvikling av forsørgertilleggene i supplerende stønad og avvikling av ferietillegget i dagpengeordningen er alle viktige tiltak som styrker arbeidslinjen. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har blitt kritisert for manglende sosial profil.

satsing på rus, psykiatri, helse, økt frikortgrense, lavere, enklere og færre bilrelaterte avgifter, flere studentboliger, redusert formuesskatt, også for minstepensjonister – jeg har lyst til å minne om at nesten 300 000 pensjonister nå vil få lavere formuesskatt og generelt et lavere skatte- og avgiftsnivå, noe som kommer alle til gode. Det viktigste i statsbudsjettet er at vi gjør det norske velferdssamfunnet mer bærekraftig for framtiden, ved skattelette og en styrking av arbeidslinjen. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringens første virkelige statsbudsjett er som sagt århundrets beste budsjett – selv etter at Kristelig Folkeparti og Venstre har fått «barbert» budsjettet. Noe ble litt dårligere, men noe ble også vesentlig bedre. Det viktigste er uansett at de store linjene ligger fast. Det viktigste uansett at de store linjene ligger fast. Det viktigste er nemlig at profilen, kursen og retningen opprettholdes. Selv om tempoet i endringene har blitt noe moderert etter forhandlingene med Kristelig Folkeparti og Venstre, er totaliteten meget bra. En av de sakene som kanskje har engasjert og provosert meg mest i budsjettdebatten nå i høst, er det mye omtalte Når man går på arbeidsavklaringsmidler, får man et standard barnetillegg på 7 020 kr. Det ble innført av de rød-grønne, uten noen protester. Men når man går fra arbeidsavklaring over til å bli ufør, kan barnetillegget øke til hele 35 000 kr. Hvor er logikken i at man blir økonomisk belønnet ved å bli ufør? Det er selvfølgelig helt ulogisk å belønne dem som går fra arbeidsavklaring over til å bli uføre. Det er jo det motsatte av å styrke arbeidslinjen. Avhengig av lønnsnivå og antall barn så kan man faktisk få en kompensasjonsgrad på over 150 pst. Dette svekker ikke bare arbeidslinjen, men også rettferdighetssansen til folk flest og motivasjonen til å arbeide og bidra til fellesskapet. Hovedpoenget er at for å styrke arbeidslinjen må det lønne seg å jobbe, og da kan man ikke ha kompensasjonsgrader som overskrider 100 pst. Heldigvis ble det enighet med Venstre og Kristelig Folkeparti om en maks kompensasjonsgrad på 95 pst., slik at arbeidslinjen fortsatt ligger fast.

framlegget til statsbudsjett ikkje har ein usosial profil – det er berre veljarane som har misforstått. Problemet til Sandberg, Eriksson og regjeringa er neppe at veljarane ikkje har skjønt budsjettframlegget, men at dei har skjønt det, og at dei ikkje likar det dei ser. Frå den same regjeringa som til no har gjeve meir til Olav Thon aleine enn det kostar å finansiere heile Den kulturelle spaserstokken, blir det i statsbudsjettet som treff hardast dei som ser på formuesskatt som ei utopisk problemstilling og er mest opptekne av å få kvardagen til å gå rundt. Eg greier ikkje å slutte å forundre meg over dei vurderingane som ligg bak politikken til regjeringa. Anten er det kroniske feilvurderingar av kva folk eigentleg vil ha, eller så bryr ein seg rett og slett ikkje. Det som uansett er tilfellet, er at protestane mot regjeringa det siste året har vore av ein sånn karakter som Debatten om barnetillegget har vore den mest betente sidan debatten om reservasjonsretten. Meiningsmålingane bør vere ein klar peikepinn til regjeringa om at ein overvurderer valresultatet: Folk vil ikkje ha ein blåkopi av Moderaterna i Sverige. Folk ser at den politikken regjeringa fører, slett ikkje er svaret på framtidas utfordringar, men er fortida sine svar, som vi gjennom 1900-talet har kvitta oss med og forkasta. Dei ideologane som inspirerer regjeringa, har alle fortidas merke med seg. Einar Førdes over 30 år gamle ord står seg like godt i dag: Høyretenkinga er framleis ein ideologisk mangelsjukdom. Venstre og Kristeleg Folkeparti har gjeve budsjettet nokre lysare nyansar, men framleis står mykje igjen. Eller som Helleland formulerer det: Hovudtrekka ligg fast. regjeringa bilstøtta for funksjonshemma, som til no har fått dette behovsprøvt for å komme ut av eit sosialt isolert tilvære. Desse millionane burde gå til dei som treng det mest, og difor er det usosialt å bruke dei på skattekutt til rikfolk. Hovudforsvaret til regjeringspartia er å skulde Arbeidarpartiet for å svikte prinsippet om at det skal løne seg å jobbe – det dei kallar arbeidslinja. Til det kan det seiast at arbeidslinja betyr meir i vår bruk av ordet enn det tilsynelatande gjer for regjeringa. Ja, det skal løne seg å jobbe, men det må også vere jobbar å søkje på og jobbar å få. Då er det veldig uheldig at regjeringa finansierer desse skattekutta med bl.a. å kutte i arbeidsmarknadstiltak og stimulerer bedriftene til å seie opp framfor å permittere. så mykje omtalte perspektivmeldinga som ein viss kar les Bibelen. Konklusjonen deira er at velferdsstaten er berekraftig viss vi berre svekkjer han litt i kvar runde. Eg har lyst til å understreke følgjande: Det regjeringa kallar eit meir fleksibelt arbeidsliv, er ikkje noko nytt eller uprøvt. Det har vore resepten i mange land, ikkje minst gjennom Høgrepartia forklarer økonomiske nedgangstider med at dei ramma landa har hatt for store velferdsstatar, for lite fleksible arbeidsmarknader, og då har svaret gjeve seg sjølv: Ein må kutte i velferda og deregulere arbeidsmarknaden. Problemet er at det ikkje er slik at du opnar for større forskjellar og får hjula i økonomien i gang igjen. Høgrepartia i Sverige forsøkte i årevis. Auka fleksibilitet, større lønsskilnader, lågare skattar, slankare velferdsstat og dårlegare ytingar under arbeidsløyse og sjukdom – det fungerer ikkje. Dei landa som har satsa på meir ulikheit og meir atypisk arbeid, har ikkje fått forbetring i arbeidsmarknaden, og veksten ein har forventa, har rett og slett svikta. «Trickle down»-økonomi fungerer ikkje i USA, ikkje ute i Europa, og det vil heller ikkje fungere i Noreg. Det er ingen positiv samanheng mellom denne oppskrifta og sysselsettingsvekst. Ein politikk for auka forskjellar og tøffare arbeidsmarknad skaper ikkje vekst, det skaper ikkje velstand, men berre stigande forskjellar og hardare vilkår for arbeidsfolk. Så kan ein spekulere i om ikkje nettopp det er

Det siste er gjestearbeidere som i kortere eller lengre perioder arbeider i Norge. Arbeidskriminalitet er alvorlig for norsk arbeidsliv fordi det undergraver mulighetene for de seriøse aktørene, men kan også medføre at arbeidsulykker ikke rapporteres, og at arbeidstakere som skader seg, ikke får medisinsk oppfølging eller kompensasjon for redusert arbeidsevne. Ungdom som faller ut av arbeidslivet eller ikke kommer inn i arbeidslivet, er alvorlig for Norge. Denne arbeidskraften er helt avgjørende for å opprettholde Norges velstand i forhold til framtidig arbeidskraft i helse- og sosialsektoren, men også for å finansiere framtidige pensjoner. I Sarpsborg startet Steinar Bodal sammen med Terje Fossby prosjektet Nevenyttig. Formålet var å pusse opp Bodalsstranda i Sarpsborg. Rundt 20 lokale pensjonister hadde engasjert seg i prosjektet, og to dager i uka jobbet unge og gamle side om side for å få stranda klar. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Nav, som plukket ut ungdommene, pensjonistene og frivillighetssentralen i Sarpsborg. Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom frivillige pensjonister og ungdom for å komme ut av Nav og inn i arbeid. Samtidig har pensjonistene vært i arbeidslivet, de har kontakter i arbeidslivet og sitter på unik arbeidsmarkedskompetanse. Dette er en arbeidsmodell som med hell kunne blitt brukt i andre kommuner. Noen partier ønsker å rettighetsfeste tiltak for ungdom for å komme ut i arbeidslivet. Jeg har liten tro på dette. Ofte blir målet å sette i gang tiltak uten å se på innholdet og mulighet for senere å få arbeid. Jeg har mer tro på et samarbeid mellom offentlige instanser og det private næringsliv. Det finnes mange bedriftsledere med et sosialt engasjement som gjerne hjelper ungdom ut i arbeid, men da må man ha fleksible lover og stimuleringstiltak som gir bedriftene mulighet til å tilsette unge mennesker. Fredrikstad kommune utga en rapport med tittelen «Mulighet for mestring» i 2014. Et av de spennende prosjektene som ble beskrevet i rapporten, var bruk av sosialfaglig rådgiver i den videregående skolen. Glemmen videregående skole hadde en ansatt i denne stillingen for å arbeide mot drop-outs i den videregående skolen. Den sosialfaglige rådgiveren hadde et helhetsperspektiv og samarbeidet tett med skolens øvrige personale. Gevinsten var at ungdom kunne få rett tid, noe som er et viktig prinsipp i norsk velferdstenkning, men også at man kunne intervenere på et tidlig tidspunkt. Ungdommer fikk bistand før problemene ble for store. Samtidig fikk ungdom med store utfordringer mulighet til å ta tak i disse og begynne på en endringsprosess. Rapporten framhever at noe av det viktigste var å ha forståelse for og tro på eleven og samtidig gi utfordringer. Ikke minst hadde den sosialfaglige rådgiveren med seg et faglig nettverk og kjennskap til eksterne instanser. Det er jo nettopp dette regjeringen påpeker når man snakker om og ønsker mer tverrfaglig samarbeid for å løse utfordringene til unge mennesker. Det er ikke noe nytt at gjestearbeidere kommer til Norge. Det nye er kanskje at de er flere, og borgere i nye medlemsstater i EU velger å søke lykken i Norge, slik nordmenn gjorde det når de reiste til USA. Utfordringen for Norge er at vi er et attraktivt land å reise til. Vi har gode velferdsordninger, men også gode lønninger. For at vi skal opprettholde våre gode ordninger, kreves det politisk klokskap. Regjeringen ønsker å se over dagens velferdsordninger og gjøre dem mer målrettede. Regjeringen har en helhetlig arbeids- og sosialpolitikk. Arbeidslinjen ligger fast. Målet er derfor å målrette virkemidlene slik at flere kan komme i arbeid, ikke fordi det alene er målet, men også fordi arbeid har en positiv effekt på helse og muligheten for å få venner. Det er også en av begrunnelsene for at flere eldre skal få kunne være i arbeidslivet etter at de har fylt 70 år. Det gir økt
Tidligere talere har karakterisert Arbeids- og sosialdepartementet som «årets budsjettaper» – i sterk kontrast til regjeringas påståtte satsing på arbeidslinja. Her ser vi faktisk en av de tydeligste skillelinjene i norsk politikk: Alle er opptatt av arbeidslinja – at så mange som mulig skal men man har helt ulike svar på hvilke virkemidler som fører til målet. Solberg-regjeringa har gjentatte ganger bevist at den foretrekker pisk. Noen lever fett på offentlige ytelser, og svaret er å kutte i stønader over hele linja, enten vi snakker om sosialklienter, uføre, uføre med barn, enslige forsørgere, folk på tiltak, mennesker med nedsatt funksjonsevne med bostøtte, eller innvandrere og flyktninger som ved oppnådd pensjonsalder har så kort botid at de havner under minstepensjonsnivå. Ansvaret for at folk ikke er i arbeid, legges på den enkelte, som har det vanskelig nok fra før. Samfunnets ansvar for å tilrettelegge tones ned. De som har lite, skal presses ut i arbeid ved å få mindre – men presses ut til hva? Arbeiderpartiet var de første som tok i bruk betegnelsen «arbeidslinja», under daværende sosialminister Grete Knudsen, men definisjonen av begrepet var annerledes enn det dagens regjering legger til grunn. Ja, vi var bekymret for veksten i offentlige utgifter til stønader, men det var bekymringa for menneskene bak statistikken som var retningsgivende for de virkemidlene som ble tatt i bruk. Ett av dem ble altså etter hvert Nav-reformen. Formålet med Nav-reformen var flere i arbeid og aktivitet, færre på For å oppnå dette ble det innført én helhetlig forvaltning, der det før var tre, for å få til en bedre tilpasning til brukernes behov. Individuell plan basert på den enkeltes forutsetninger og muligheter skulle være det nye arbeidsverktøyet. Mer vekt skulle legges på sosialfaglig arbeid, mindre på regelstyring, tiltak ble slått sammen for å gi større muligheter for å skreddersy et tilbud til det den enkelte trengte, og et nytt kvalifiseringsprogram for dem som sto i fare for å bli langtids sosialhjelpsmottakere, ble innført. Premien for ekstra innsats var økt stønad, og jeg vil bare minne om at Fremskrittspartiet – som det eneste partiet – stemte imot kvalifiseringsstønaden, om noen skulle ha glemt det. De som ikke kan, skulle få en raskere avklaring til trygd. Målet var å hjelpe folk til et bedre liv. Så vet vi alle at vi ennå ikke er der. Nav fungerer ikke etter hensikten. Det går i riktig retning, men ikke raskt nok. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har nok en gang hatt høring om alvorlig svikt internt i etaten. En samlet komité deler regjeringas bekymring om at målene med Nav-reformen ennå ikke er nådd, spesielt når det gjelder manglende resultater for overgang til arbeid. Men der stopper også enigheten. Etter Arbeiderpartiets mening bør statsrådens fremste oppgave være å få Nav til å fungere – ikke å straffe stønadsmottakerne for mangler i offentlig forvaltning. et Nav-ombud. Forslaget får ikke støtte fra regjeringspartiene, og det er etter anbefaling fra statsråden om ikke å ta det nå. Solberg-regjeringa valgte, tross advarsler fra de berørte, å trekke Stoltenberg II-regjeringas melding om flere i arbeid – den var ikke bra nok. Sist fredag fikk vi svaret på hva som manglet. De som er avhengige av sosialhjelp, må selv ta ansvaret for at hjelpeapparatet ikke har nok å tilby. Ironisk nok kom dette budskapet på akkurat den tida av året som Fremskrittspartiet i opposisjon pleide å foreslå ekstra penger til sosialhjelpsmottakerne til jul. Noen føler seg nå antakelig lurt. Regjeringa vet at dagens lovverk åpner for aktivitetskrav. Regjeringa vet at når dette ikke skjer, er det som oftest på grunn av rus- eller helseproblemer, eller mangel på relevante tiltak.

noe. Stønadsmottakerne får bare håpe at mellompartiene greier å feste et enda strammere grep om tømmene i de rundene som kommer, og særlig gjelder det i spørsmålet om midlertidige stillinger. En helt fersk undersøkelse fra Sverige viser omfattende misbruk av en tilsvarende ordning: 39 000 personer har vært hos samme arbeidsgiver i mer enn fem år uten å få fast ansettelse. Dette egner seg ikke til å kopiere her.

Da fikk representanten litt tid til å komme med denne stemmeforklaringen.

et budsjett som tar tak i utfordringer vi vet vi står overfor, men som er tøffe å møte. Det måtte altså en borgerlig regjering til for å følge opp utfordringer vi ble bevisste på i et rød-grønt dokument. Perspektivmeldingen er helt klar på det vi har foran oss. Ut ifra debatten som har vært om budsjettet,

Det er prioriteringer som gjør noen viktige omlegginger i velferdssystemet. Det er grunnen til at vi følger opp viktige utvalg på dette området. Det ene er Uførepensjonsutvalget, og noe fra utvalget står vi sammen om. Utvalget var med på å legge grunnlaget for uførereformen, og selv om det kan virke som om de rød-grønne partiene ikke lenger vil vedkjenne seg den, er det en viktig reform, som det er bra at vi er enige om. Det andre utvalget er Velferds- og migrasjonsutvalget. Vi vet at endringer og omlegginger er nødvendig for å sikre bærekraft og legitimitet. Dessverre var det sånn at da jeg spurte Arbeiderpartiet, ved representanten Dag Terje Andersen, i en replikkrunde for litt siden om hvilke velferdsordninger Arbeiderpartiet mener trenger en omlegging for å sikre bærekraft og legitimitet,

Det er et sosialt prosjekt fordi arbeid er bra for helsen. Det er et sosialt prosjekt fordi arbeid gir mulighet til å stå på egne ben. Og det er et sosialt prosjekt fordi arbeid er det som finansierer velferden. Representanten Christoffersen sa at Arbeiderpartiet og regjeringen har ulik definisjon av

et kutt som er vanskelig å forstå. Vi vet at veien inn til utenforskap for mange begynner med sykmelding. Vi skal ha en god sykmeldingsordning i Norge, men jeg må jo spørre hvorfor Arbeiderpartiet ikke ser seg tjent med tiltak som kan få langtidssykefraværet ned. Det er to små kutt på 26 mill. kr som stopper normerte sykmeldinger og et forsøk med en ordning hvor man må be om en ny medisinsk vurdering etter seks måneders sykmelding. Hvorfor i all verden gjør man et slikt kutt? Hvilke alternativer har Arbeiderpartiet for å få ned langtidssykefraværet? Det hadde det vært interessant å få svar på.

Ingeniører og IKT-fagarbeidere har blitt hardest rammet. Alt tyder på at dette vil ramme mange flere oppover langs kysten i tiden som kommer. Bakgrunnen for situasjonen er bl.a. dalende oljepriser, færre kontrakter, mindre vedlikehold og oljeservice og færre modifikasjoner på norsk sokkel. Dette slår direkte inn i leverandørindustrien og skaper uro i hele Politisk krever denne situasjonen handling. Erna Solbergs plan er så langt inaktiv. Det er riktig, som statsråden sier, at det er et rekordlavt antall permitteringer nå. Det er en grunn til at det er det, og grunnen er for dårlige rammebetingelser per nå. De blir heller sagt opp. Det er derfor fristende å spørre hvordan arbeids- og sosialministeren ser på dette. Statsråden er jo fra Verdal, hvor mange ansatte på Kværner der også merker dette på kroppen. Flere reiser nå til Kværner Stord i Hordaland for å jobbe. LO og NHO har vært tydelige på at det er viktig å få reversert permitteringsregelverket raskt, noe Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett legger inn. Det er utrolig at det ene tiltaket som kan bidra til å beholde kompetansen i næringen, ikke tas opp av I dag ser ikke bedriftene på dette som et godt nok redskap i kampen for å beholde ansatte i en krevende tid. De trenger politisk drahjelp. Regjeringen har ikke vært spesielt lydhør overfor LOs og NHOs medlemmer så langt, men vi har jo håpet at statsråden ryddet opp i det, all den tid han selv i opposisjon var svært ivrig når det gjaldt dette verktøyet. Robert Eriksson sa 12. juni 2006

til en svekkelse av produktiviteten og rekrutteringen, og at helse, miljø og sikkerhet ville bli dårligere. Rekruttering av motiverte og kompetente nye medarbeidere, bl.a. lærlinger, er blitt betydelig svekket grunnet økt usikkerhet om fast ansettelse. Jeg er klar over hvordan situasjonen på arbeidsmarkedet er, men vi må her huske på at vi snakker om næringer som

Er det ikke da en statsråds ansvar å ta grep, både for at bedriftene skal få beholde viktig kompetanse og ha en langsiktig rekrutteringsstrategi og i tillegg gi trygghet til de ansatte for at de ikke mister jobbene sine, men at bedriftene ønsker å beholde dem selv om det er krevende tider. Jeg mener det jeg siterte fra innlegget til Robert Eriksson, nå statsråd, fra juni 2006, også er som prøver å se inn i glasskula framover, sier at situasjonen på norsk sokkel kommer til å vedvare i hvert fall i 2015, muligens også i 2016. Da trengs det grep nå. Ellers kan det også tolkes dit hen at statsråden ikke ønsker å ta i bruk dette virkemidlet nå fordi økt usikkerhet, økt ledighet og økt antall midlertidige ansettelser ikke lenger skremmer ham, men

i framtida er mer opptatt av det og mindre opptatt av å svekke lovverket i det norske arbeidsmarkedet. Når regjeringa snakker om et yrkesfagløft, blir det med pratinga. Men for Arbeiderpartiet er det også åpenbart at et løft for yrkesfagene er verdiløst dersom man ikke samtidig tar tak i situasjonen på arbeidsmarkedet. Og hva er da situasjonen som Høyre og Fremskrittspartiet glatt overser? Jo, det er for det første at tilgang på utenlandsk arbeidskraft som er billig, påvirker mange bedrifters vilje til å satse på faglærte. Vi ser at svekkede rettigheter, sosial dumping og useriøse aktører senker statusen til fagutdanningene. Det påvirker unges vilje til å søke seg til yrkesfag, for selv om ni av ti unge ser på som et viktig og samfunnsnyttig yrke, så mener de fleste at utdanninga har lav status. 73 pst. av unge under 30 år mener at bygg og anlegg har lav status. Om elektrofag svarer 65 pst. det samme, og 64 pst. mener at helsefag har lav status. Til sammenligning svarer 80 pst. at studiespesialiserende utdanning har høy status. Årsaken til at unge ser sånn på yrkesfaglige utdanninger, henger først og fremst sammen med situasjonen på arbeidsmarkedet. De svarer at de er bekymret for svart arbeid, useriøse aktører og mer og mer innleie i flere og flere bransjer. Derfor er jeg og hele utdanningsfraksjonen til Arbeiderpartiet bekymret for regjeringas endringer i arbeidsmiljøloven. Vi er bekymret for at det er liten innsats mot sosial dumping. Ungdomsskoleelever som skal velge, ta et valg for livet og bestemme seg for om de kanskje skal gå på yrkesfag, de leser avisa. Hvis flere og flere bransjer preges av midlertidighet, useriøse aktører, underleverandører og innleie, svekker det statusen til bransjene som de unge kunne ha søkt seg til. I denne situasjonen, når vi kan stå i fare for å mangle 90 000 fagarbeidere, og yrkesfagene har for lav status, så velger regjeringa å endre arbeidsmiljøloven. Samtidig snakker de om et yrkesfagløft. Det henger ikke i hop. Et løft for yrkesfagene er lite verdt dersom arbeidsmarkedet preges av flere midlertidige stillinger og fortsatt useriøsitet. For å si det på en annen måte: Det hjelper ikke hva Torbjørn Røe Isaksen dersom elevene skal sendes ut i Robert Erikssons arbeidsliv. Det holder heller ikke å snakke om et løft for yrkesfagene, for så langt har det blitt med ordene. I dette budsjettet la regjeringa opp til å bruke mindre på yrkesfag til neste år enn man gjør i år, altså et netto kutt. I virkeligheten finnes det ikke spor av et yrkesfagløft i statsbudsjettet. Samtidig ser vi endringer i arbeidsmiljøloven som vil gjøre situasjonen utrygg for flere unge og svekke viljen til å satse på yrkesfag. Arbeiderpartiet har i vårt alternative statsbudsjett satset på fagarbeideren. Vi vil øke støtten for å skaffe flere læreplasser så elevene får fullført utdanninga. Vi vil gi skolene oppdatert utstyr på fagutdanningene. Vi mener yrkesfaglærerne også fortjener oppmerksomhet og vil gi dem et kompetanseløft. Og, ikke minst, vi vil at elevene skal møte et anstendig og trygt arbeidsliv når de er ferdig utdannet. Dette er klare budsjettprioriteringer. Det er prioriteringer som er med på å sikre framtidas velferdsstat, for det vil være helt umulig å skape verdier hjemme, i norske bedrifter, basert på norsk kunnskap, uten at bedriften har fagkompetanse og gode fagarbeidere. Arbeiderpartiet vil løfte yrkesfagene i handling, ikke bare i retorikk, og vi vil beholde sterke rettigheter i arbeidslivet. Ungdom som skal velge yrkesfag, skal vite at de går inn i et trygt arbeidsmarked – ikke Robert Erikssons arbeidsmarked, som er på vei mot løsarbeidersamfunnet med de endringene de nå gjør i arbeidsmiljøloven.

Torbjørn Røe Isaksen opp et bilde av seg selv hvor han gikk til venstre ved en gedigen veimerking. I tillegg ble det presentert et nettsted som het arbeidspartiet.no, og det skulle virkelig understreke at det var Høyre som hadde endret politikk, og at man hadde gjort betydelige endringer – symbolske endringer og reelle endringer. Samtidig sa Torbjørn Røe Isaksen at han kun ville gjennomføre endringer som kunne få stor tilslutning, både fra arbeidsgiverorganisasjoner og fra arbeidstakerorganisasjoner. Det stikk motsatte skjer. Når regjeringa presenterer endringer i arbeidsmiljøloven, høster det storm, både blant arbeidsgivere og blant arbeidstakere. Regjeringa gikk til valg på noe annet enn det den nå gjennomfører. Det samme gjelder tiltaksplasser. Vi er enige om at krav til aktivitet er den beste omsorgen som en kan få. Før valget ble Stoltenberg-regjeringa kritisert for at tiltaksnivået var for lavt. Men hva er det regjeringa nå presenterer: kutt i antall tiltaksplasser, og samtidig presenterer komiteens leder i dag at det kan være tegn som tyder på at ledigheten går opp. Det hjelper jo ikke med krav hvis det ikke er slik at man har konkrete krav å stille til folk i form av tiltaksplasser. Regjeringa gjør altså noe annet enn det den gikk til valg på. Det samme ser vi når det gjelder trepartssamarbeidet: Det skulle bli bedre, men det er lenge siden trepartssamarbeidet har vært så preget av politisk diktat og manglende evne til å lytte til både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er ikke slik at en borgerlig regjering vil endre på sykelønnsordninga, det er bare skremselspropaganda, fikk vi vite før valget. Men det var ikke det. Jeg er glad for at arbeidsministeren har endret syn og forsto dette, men regjeringa gjør altså noe annet enn det den gikk til valg på. Det samme gjelder anbudsutsetting innenfor attføring. «Vi ønsker ikke anbud innenfor attføring, fordi jeg tror det fører til et dårligere og smalere tilbud.» Det sa Robert Eriksson før valget. Høyre sa at de var enige, og at de var imot anbud på dette området. Men dette gjennomføres helt uten diskusjon i Stortinget, Stortinget, det blir avgjort utenfor stortingssalen, og stortingsmeldinga på dette området blir presentert etter at forskriften er endret. Fattige barn skulle få mer, samtidig som det skulle stilles tøffere krav til dem som er utenfor arbeidslivet. Sannheten er at dette handler om gode mål, som strider mot hverandre. Det er dilemmaer. Det ser vi når det kuttes i penger til de arbeidsledige, det ser vi når det kuttes i barnetillegget, og det ser vi på mange andre Nav-kutt. Det er sikkert ment å stimulere til arbeid, men det går ut over barn som ikke har foreldre i arbeidslivet. Vi skal ha et solid sikkerhetsnett for dem som ikke kan være i arbeid, sa komiteens leder. Vel, på mange områder ønsker han nettopp å kutte i dette sikkerhetsnettet. Når regjeringspartiene nå opplever motgang på meningsmålingene, mener Siv Jensen at det skyldes Per Sandberg sier at det handler om mangel på kommunikasjonsrådgivere i departementene. Jeg tror tilbakegangen skyldes at velgerne er uenig i regjeringas politikk. I valgkampen framførte disse partiene et budskap om at de nesten ikke ville forandre Norge, bare styre landet bedre, med noen nye fjes. Men statsbudsjettet viser at regjeringa ønsker å styre Norge i en annen retning enn det de formidlet i valgkampen. Undersøkelser viser at flertallet i Norge mener at det er skritt i feil retning. Det er ikke oppslutning om regjeringas politikk. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg vil snakke om forslaget om å innføre minstelønn i Norge. Jeg registrerer at representanten

Det er en ærlig sak å ville innføre minstelønn i Norge, men det er uredelig å begrunne dette med sosiale rettigheter til arbeidstakerne. Det er jo nettopp fordi fagbevegelsen er så bevisst på egne interesser at den raser mot forslaget om minstelønn. Å svekke det organiserte arbeidslivet for å motvirke sosial dumping er et stort paradoks. I de landene i Europa der minstelønn er innført, ligger den gjerne på ca. 30–50 pst. av gjennomsnittet. Minstelønn løser ikke problemene med sosial dumping, men standardiserer lav lønn for dem som står svakest i arbeidslivet. Kort tid etter at tiltaket ble innført i Tyskland, sank organisasjonsgraden til 18 pst. Det er nettopp samordnet lønnsfastsettelse som er en av suksessfaktorene i modellen vi har i Norge. Når representanten Rotevatn hevder at det er prinsipielt betenkelige sider ved allmenngjøring, fordi det er en frivillig avtale mellom to parter, så mener jeg at han fjerner seg fra virkeligheten. Det er naivt å tro at det er et jevnt maktforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og det er nettopp derfor et organisert arbeidsliv er så viktig og nødvendig og har vært en suksess for norske arbeidere. Ser representanten Rotevatn viktigheten av sterke arbeidstakerorganisasjoner for å utjevne dette maktforholdet? Og ser representanten Rotevatn og de andre forslagsstillerne at å innføre minstelønn i Norge er et alvorlig angrep på det organiserte arbeidslivet, i lys av de europeiske

fantasifortelling om hvor flott det er med langhelg-turnus. Eksempelet om Fauskes fortreffelighet har statsråd Eriksson nevnt ved flere anledninger, men de tillitsvalgte kan fortelle at dette forsøket måtte avvikles, fordi de som jobbet under ordningen, ble slitne av På pressekonferansen fredag fikk de av oss som ikke fikk vært til stede, høre om spørsmålet om hvem som egentlig ønsket disse endringene velkommen. Da var et av statsrådens svar: akademikerne. Disse igjen svarte med å sende ut en pressemelding der de raste mot forslaget.

Men vi vet også at ikke alle har like lett for å komme gjennom dette systemet, eller at man kunne trengt mer hjelp og veiledning enn man får. Derfor har SV fremmet et forslag om Nav-ombud, som jeg skulle ønske at alle som hadde støttet ideen om tidligere, også ville verne om

Flere vil også trenge å bli sett av Nav. Det er flere som mister jobben, som har nedsatt arbeidsevne. Da trenger vi et nært og tilstedeværende Nav. Men SV mener fremdeles at vi har behov for et Nav-ombud, som kan lose folk gjennom møtet med Nav, være med på å ta opp kampen når man tror at ting ikke har gått rett for seg. Jeg lurer på hva som egentlig har endret seg siden daværende stortingsrepresentant Eriksson var en pådriver for dette forslaget. Høyre har som mål å skape pasientenes helsevesen og har en visjon om et samfunn der alle kan delta. Denne visjonen er en av grunnplankene i regjeringens helse- og velferdspolitikk, noe som også gjenspeiles i statsbudsjettet. Tidligere i år fremmet regjeringen en sak om lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse, BPA, noe Stortinget vedtok i juni. BPA er en alternativ måte å organisere tjenester og personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne, personer med stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Rettighetsfestingen av BPA bidrar til å legge til rette for at disse, på lik linje med oss andre i samfunnet, skal kunne nå sine mål. For den enkelte bruker vil retten til BPA bety mer forutsigbarhet og et mer aktivt og uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse. BPA er ganske enkelt et frigjøringsverktøy som gir funksjonshemmede samme handlingsrom til livsutfoldelse som andre. Det gjør det mulig for enda flere med funksjonsnedsettelse å delta i arbeidslivet, og lovfestingen kom langt på overtid – for å si det ganske forsiktig. Allerede i 2004 ba Stortinget regjeringen om å fremme lovforslag om rett til brukerstyrt personlig assistanse, noe Stoltenberg II-regjeringen valgte å ikke gjennomføre. I etterkant ble det startet en lang kamp for å få på plass en rettighetsfesting. Denne kampen ble spesielt tatt og støttet av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti her i Stortinget, men det måtte et regjeringsskifte til for å få på plass dagens lovfesting, og det er gledelig at dette nå også følges opp i statsbudsjettet. BPA gir personer med funksjonshemming samme handlingsrom til livsutfoldelse som det landets øvrige borgere har. Det handler om forutsigbarhet for personer som fra før har et svært tøft liv på grunn av sin funksjonsnedsettelse. Når budsjettet i tillegg gjennom flere tiltak bedrer tilretteleggingen for funksjonshemmede i arbeidslivet, bidrar vi med dette til at flere slipper til i arbeidslivet. Vi må sørge for at alle som kan og alle som vil, får delta i arbeidslivet.

kun etter ideologiske linjer. Mest til dem som har mest behov for hjelp, sa en representant fra Høyre her oppe i stad – og så kutter de til uføre, arbeidsledige og aleneforsørgere og gir store skatteletter til folk som har store eiendommer, god jobb og høy lønn. Jeg vet ikke hvorfor de trenger det mer, men det som regjeringen foreskriver, virker altså ikke Først til uføretrygden og barnetillegget: Ja, jeg er skuffet over Kristelig Folkeparti, som ikke ser at det står igjen 4 500 barn med foreldre som er varig syke, og som har hatt en veldig lav lønn fra før og derfor skal leve – varig – resten av sin barndom og ungdom i fattigdom. Det er helt unødvendig, for det vil ikke komme ett menneske til som Kristelig Folkeparti vet like godt som SV, er at fattigdom gjør at folk blir syke, de blir mer utstøtte, de kommer lenger bort fra arbeidslivet. Det viser også Nav sjøl i sine rapporter. Så det virker ikke heller, det er det som er problemet. Og det blir flere fattige. Så til kutt i overgangsstønaden for aleneforsørgere: Det er tre år man nå krever at folk skal gå på kvalifisering, og det virker! Fafo har undersøkt det, og det virker faktisk bedre for innvandrerkvinner enn for norske kvinner; de kommer i like stor grad som norske kvinner ut i arbeid. Det er et fantastisk resultat, men det vil regjeringen fjerne, for det er for godt! Ett år er nok, sa Erna Solberg her under spørretimen. Hvem i

Det er arbeidslinja. Det er den ordentlige arbeidslinja. Disse kuttene har ingenting med arbeidslinja å gjøre – heller ikke det innholdsløse tvangsarbeidet for folk som går på sosialhjelp. Jeg har spurt regjeringen: Hvor mange kroner har dere lagt inn i kommuneøkonomien for at det skal bli tiltak, for at noen skal kunne drive arbeidsledelse, for at noen skal hjelpe disse som går på sosialhjelp, til å komme inn i en aktivitet som er meningsfull? Svaret er null. Dette skal altså ikke koste én krone, men det skal være et innholdsløst tvangsarbeid som kun er moralisme. Det fører ikke til arbeid. Vi er i en situasjon hvor arbeidsledigheten vokser. på Vestlandet. Hvordan blir så dette møtt av regjeringen? Jo, det er interessant å se: kutt i tiltaksplasser, iherdig motstand mot ethvert tiltak som kan bidra positivt, og et aktivt arbeid som forverrer situasjonen på arbeidsmarkedet gjennom å lovfeste adgang til midlertidige ansettelser, noe som vil undergrave arbeidsmarkedet og lovfeste adgang til midlertidige ansettelser, noe som vil undergrave arbeidsmarkedet og gjøre det vanskeligere for folk å holde på jobber – for å nevne noe. Jeg synes det er interessant å se på hva statsråden sa i juni 2006 da han var stortingsrepresentant. Da hadde vi 62 000 ledige, og Eriksson advarte helt riktig mot følgene av å stramme inn på permitteringsregelverket: Man ville få flere midlertidige. Lite ante vi den gangen at Eriksson faktisk skulle komme til å mene at midlertidige ansettelser er veldig bra. Den gangen handlet det om å gå fra fem til ti dager med arbeidsgiverperiode. I dag har vi 72 000 ledige, nekter å gå fra 20 til 10 dager med arbeidsgiverperiode, samtidig som han legger fram lovforslag som vil gi frislipp av midlertidige ansettelser. Dette vil slå hardt inn i arbeidsmarkedet. La meg si litt om hva som gjør at ledigheten stiger sterkt nå, og komme med et konstruktivt forslag til noe som kan gjøres for å motvirke deler av dette. Det er Vi har hatt en kostnadsgalopp i bransjen som har gjort ting vanskelig. I tillegg har vi fått en sterk kapitaldisiplin i oljeselskapene som gjør at investeringer og vedlikehold stoppes opp, og vi har en oljepris som faller, som også forsterker utviklingen. Mange mister jobben – i første omgang utenlandske innleide, som ikke dukker opp på norske statistikker, i neste omgang titusenvis av norske arbeidstakere. Kompetanse og kapasitet forsvinner. forsvinner. Da er spørsmålet hva som kan gjøres. Permitteringsregelverket har vi vært inne på. Jeg har lyst til å ta opp et annet tema som er innenfor statsrådens ansvarsområde, nemlig dette med plugging av brønner. Det er i dag ifølge Martin Straume i BP 3 000 brønner som kunne vært plugget permanent på norsk sokkel. Petroleumstilsynet har selv identifisert ca. 200 forlatte brønner hvor det er problemer.

som følge av økende innvandrerandel i befolkninga, som en konsekvens av bl.a. EØS-avtalen. Det er derfor ikke noe «dersom», fordi det skjer med full fart allerede i dag. Representanten Heggelund må ta inn over seg dette faktum og svare på hvordan en skal finansiere velferdsstaten når yrkesandelsprosenten går stadig nedover. Så til statsrådens slagord for arbeidslivet: trygt, fleksibelt og familievennlig. Som jeg sa i mitt forrige innlegg: De tre ordene inneholder store innebygde motsetninger. Fleksibelt, bekreftet statsråden, betyr mer midlertidighet. Men når en har mer midlertidighet, blir det mer utrygt, og det blir Derfor vil jeg anbefale at statsråden bytter ut slagordet med ett som er mer i tråd med det som faktisk skjer, for det vil en over tid stå seg på. Så var det spørsmålet om minstelønn. Det er krisetiltak i arbeidslivet i flere land, med svakere fagbevegelse i mange fag, slik som de har. Derfor innfører en minstelønn. I Norge går regjeringa mot minstelønn. Det er for radikalt nå. Men Venstre er for, og partiet Venstre har fått støtte av Fremskrittspartiet i komiteen. Når representanten Rotevatn får spørsmål om nivået på minstelønn – om den skal være 30–50 pst. av f.eks. 150 kr timen, som vil si 50 kr–75 kr per time – svarer ikke representanten på det. Det vi står overfor her, er at en tenker seg lovfesting av en minstelønn som ikke er til å leve for og med i det kostnadshøye Norge. Det berører hele grunnlovsparagrafen at en skal kunne få et arbeid som en kan leve av. Det er viktig at vi får den debatten opp og ut blant folk flest, for det er viktige spørsmål som nå står til debatt i det norske samfunnet, som følge av de store endringene i arbeidsmarkedet. Til slutt vil jeg bare si at det på side 6 i Innst. 81 L for 2014–2015, som gjelder endringer i lov om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge, er blitt en feil: Det står i innstillinga at Senterpartiet ikke støtter regjeringas forslag. Som det framgår av Innst. 15 S for 2014–2015, støtter Senterpartiet regjeringas forslag, og det er Senterpartiets syn.

Bare et kort svar til innlegget fra Høyres representant, Stefan Heggelund, som lurte på hva som var forskjellen på vår og regjeringspartienes tilnærming til arbeidslinja. Jeg mener jeg var ganske tydelig på det i mitt første innlegg, men den største forskjellen er pisken, i form av kutt i stønader, som regjeringspartiene går inn for. er på to måter man kan oppfylle målet om at det skal lønne seg å jobbe: Den ene er å kutte i stønader. Den andre er å jobbe for et anstendig arbeidsliv, med lønninger det går an å leve av. Stefan Heggelund var også inne på Prop. 10 L for 2014–2015, som vi har til behandling i dag under sak nr. 2. Jeg hadde ikke tenkt å si så mye om den, men det jeg egentlig hadde tenkt, var å gi litt ros til statsråden. Da Stortinget oppdaget at det var en feil i proposisjonen ved det forslaget som gjelder ny samordningsregel for personer uten uføretrygd fra folketrygden, men med uførepensjon fra tjenestepensjonen, at ingen ville komme dårligere ut, men at det altså viste seg at ganske mange ville komme betydelig mye dårligere ut, skal statsråden ha ros for at han hev seg rundt og svarte positivt på Stortingets henvendelse. Men når Heggelund sier at de rød-grønne ikke helt vil vedkjenne seg uførereformen, skjønner jeg egentlig ikke hva han mener med det, for det vil vi. Men det vi derimot ikke er med på, er alle de omkampene og kuttet som regjeringspartiene nå prøver seg på når det gjelder det som et nesten samlet storting vedtok i forrige periode. Det vi alle var enige om, var at ingen skulle tape, men i denne perioden har Høyre og Fremskrittspartiet prøvd seg på omkamper om saker de tapte i forrige periode når det gjaldt uførereformen. Det var omkamp på spørsmålet om fastsettelse av inntekt før uførhet. Det var omkamp på innretninga av barnetillegget, der Høyre og Fremskrittspartiet sto alene i forrige periode og ble stående alene nå også, heldigvis. har nå kommet et forslag om overgangsordning for uføre med gjeld som ellers ville tape. Arbeiderpartiet ønsker at regjeringa skal jobbe med en permanent ordning. Det ligger nå forslag på bordet som vil føre til kutt i bostøtte for uføre hvis ikke noe gjøres. Og Arbeiderpartiet har sagt at vi vil at regjeringa skal komme tilbake til forslaget i revidert nasjonalbudsjett 2015, hvor inntektsgrensen i bostøtten justeres i takt med de generelle endringene i lønn og trygd. Det må oppfylles. Det har vi ikke fått noen signaler om ennå. Det gjelder selvfølgelig også kutt i grunnstønad, hjelpestønad, kutt i bilordning, som har blitt bedre for dem som er i arbeid eller utdanning, men dårligere for dem som er så dårlige at arbeid og utdanning ikke er aktuelt. Så vi står ved uførereformen, og jeg er litt i tvil om Høyre og Fremskrittspartiet står ved alt det som er vedtatt. Regjeringen la i sitt forslag til statsbudsjett opp til tidenes dugnad for de rikeste i dette landet. Nå er

Likevel er det fortsatt slik som Høyres parlamentariske leder sa det da forliket ble lagt fram: Hovedgrepene står fast. De rikeste får mer, og satsingen på arbeid og det å få folk ut i jobb er fortsatt for svak. Høyre ser ikke ut til å forstå at det går an å satse på de brede lagene av befolkningen for å skape grunnlag for vekst i samfunnet. Det er ikke gjennom skatteletter som sildrer ned fra de rikes bord, at dette landet har vært bygget eller vil Vi ser at den lavtlønnsstrategien vi finner i en del bransjer, er destruktiv, og det er i dag et svært sterkt press på kompetanse og arbeidslivsstandard – særlig i yrkesrettede deler av arbeidslivet. Dette, sammen med underdekning av yrkesrettet kompetanse og en økende inkluderingsutfordring, må ses i sammenheng om vi skal klare å løse oppgaven med å bygge landet for framtiden. For å sikre et kompetent, produktivt og godt arbeidsliv kreves et kraftig løft for fagutdanning, en styrket innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og et mer inkluderende arbeidsliv. Dette er et av hovedgrepene i Arbeiderpartiets alternative budsjett, og det bygger på det som er Norges største konkurransefortrinn: en høyt utdannet befolkning, med høy kompetanse i alle deler av produksjonen. Dette gjør oss omstillingsdyktige, produktive og innovative. Vi kan noen ganger i den politiske debatten få inntrykk av at alle nye løsninger skapes på et kontor, der folk sitter og tenker ut lure ideer. De fleste i arbeidslivet vet at gode, nye løsninger skapes i brytningen mellom kompetente fagarbeidere og arbeidsledere. Arbeiderpartiet har lagt fram sin fjerde strategi i kampen mot sosial dumping. Skal vi få ungdom til å velge de yrkesfagene som samfunnet vil trenge i framtiden, må vi skape attraktive arbeidsplasser. Negativ lønnsspiral, snusk og egen helse som konkurranseelement er ikke en del av dette. Regjeringens satsing på Arbeidstilsynet og kontroller er bra, men summen av regjeringens arbeidslivspolitikk blir likevel negativ for de fleste. Til slutt lanserer Arbeiderpartiet også et viktig løft i dette budsjettet. Vi tar et nytt grep. Vi ser at lærlingtilskuddet må opp. Det må være på det samme nivået som kostnaden for en plass i tredjeklasse på videregående Det er å ta fagarbeideren på alvor. Det er å ta fagarbeidernes utdanning på alvor. Det styrker kvaliteten, det gjør utdanningen bedre, men det gjør det ikke minst mer attraktivt å ta inn lærlinger. Det er et viktig grep for å bygge framtidens Norge, sammen med de andre tingene som Arbeiderpartiet lanserer i sitt alternative budsjett. Representanten Heggelund påstår at Arbeiderpartiet har forlatt arbeidslinjen. Hans argument for det er

at en sånn ordning skulle kunne understøtte arbeidslinjen. Det kan bidra til at dette blir en fattigdomsfelle. Man fyller ikke på med de fattigdomsbekjempende tiltakene som Brochmann-utvalget forutsetter at skal gjøres. Men ikke bare det: Hva gjør dagens regjering? Jo, den går enda lenger. Det skal lønne seg å jobbe, sier representanten Heggelund. Samtidig kritiserer han SV for at de såkalt betaler folk for å jobbe mindre, samtidig som hans egen regjering øker kontantstøtten, kutter barnehageplasser, gjør det dyrere å bruke barnehage og foreslår kutt i overgangsstønaden som ville fått flere – spesielt damer – over på sosialhjelp. Er det arbeidslinjen? Nei. Man har stelt seg til med et permitteringsregelverk som gjør at bedrifter land og strand rundt sier opp folk, der man før kunne permittert. Dette er ikke kutt i pappaperm. Vi i Arbeiderpartiet lytter til faglige råd. Vi lytter til dem det gjelder, og vi har alltid stått på en arbeidslinje. Mens vi styrte, pekte de fleste pilene i riktig retning. Vi sysselsatte flere, andelen uføre gikk ned, sykefraværet gikk ned, og vi hadde færre på sosialhjelp – nettopp fordi vi hører på faglige råd og gjør mer av det som virker. IA-avtalen er et godt eksempel på det. Når Stefan Heggelund og Høyre og Fremskrittspartiet nå i hvert fall diskuterer karensdager og ønsker å innføre normerte sykmeldinger, er det på tvers av alt det vi vet fungerer, på tvers av det ekspertene sier fungerer. Vi har sett det i Sverige. Det skaper mer byråkrati. Mange må gå på jobb før de er friske, men mange blir også værende hjemme når de er friske. Det er en veldig lite hensiktsmessig løsning. Vi i Arbeiderpartiet er for å lytte til partene i arbeidslivet. Vi lytter til forskerne. Vi står på en arbeidslinje som virker. Regjeringen gjør det motsatte. Jeg er litt undrende til at representanten

Tidligere statsråd Anniken Huitfeldt sa at jeg hadde sagt at arbeidsledigheten var på vei oppover, eller noe sånt. Det jeg sa, er at arbeidsledigheten har gått litt opp, nå i det siste gikk den ned, men regjeringen følger nøye med på situasjonen i arbeidsmarkedet, nettopp for å kunne sette inn tiltak dersom det blir behov for det. Det vi har sett, er at Rogaland, Vest-Agder og Hordaland er de fylkene som er mest utsatt, sier Else-May Botten. Det tror jeg på. jeg på. Jeg har vært på en rekke konferanser på Vestlandet de siste ukene, og ikke minst de siste dagene. Det som jeg hører, er at noen av de bedriftene som i dag ikke får arbeidskraft, sier at de «ser fram til» – når januar-februar-mars kommer, når permitteringene går ut og oppsigelsesfristen er gått ut – å ansette disse folkene. Derfor er det grunn til å tro tro at mange av disse faktisk vil få jobb fordi de har den arbeidskraftkompetansen i dag. Så er det altså sånn at hvis en ansatt i en bedrift blir syk – og det blir han jo i snitt flere ganger i løpet av et år – er arbeidsgiverperioden for en bedrift 16 dager. Hvis den samme ansatte istedenfor å bli syk, blir permittert, som man kanskje i beste fall blir hvert fjerde år, hvert femte år eller hvert sjette år – forhåpentligvis – er arbeidsgiverperioden 20 dager, altså fire dager mer. Og forskjellen mellom de rød-grønne og vårt forslag er ti dager. Det er ikke det som avgjør om vi har et permitteringsregelverk som fungerer eller ei, tilbakemeldinger vi får, viser at det funker.

Trepartssamarbeidet vil fungere også i framtiden, men vi skal ikke være enige eller uenige i nødvendigvis alt for at det skal virke eller ikke virke. Vi er opptatt av å ha en god dialog. Samtidig er det underlig det den tidligere statsråden sier i dag når hun tar ordet. Grunnen til at denne regjeringen har høye ambisjoner, er det som Anniken Huitfeldt ikke klarte å løse da hun var statsråd: dette med uføregrad, en arbeidsledighet som var for høy, og ikke minst ble det gjort en altfor dårlig jobb for mennesker med nedsatt arbeidsevne og ungdom utenfor arbeidslivet. Der har denne regjeringen en viktig jobb å gjøre. I jakta på argument for å kutte i velferda er

Arbeidspolitisk talsperson i førre periode, Røe Isaksen, likte å snakke i bilete om at det hadde gått av ei bombe under velferdsstaten. Robert Eriksson har, som stortingsrepresentant, hevda at Stoltenberg-regjeringa transporterte folk vekk frå arbeid til trygd og kamuflerte arbeidsløysa. Denne stafettpinnen har no gått i arv til stortingsrepresentantane Kambe, Wiborg, Heggelund og Rotevatn, som tidvis framstår mest som vandrande

Ja, vi har store utfordringar på arbeidsmarknaden. Det erkjenner vi også. Det er for mange med restarbeidsevne eller funksjonsnedsetjingar vi ikkje greier å inkludere i dag. Og mange som kunne jobba fulltid, jobbar berre deltid. Men den skildringa av ei påstått trygdebølgje som høgrepartia forsvarar politikken sin med, er ikkje noko anna enn grovt misvisande. Eg synest det er noko spesielt å prøve å framstille velferdsstatens største suksess som det største problemet. At folk har tryggleik, også dersom dei fell utanfor arbeidsmarknaden, er grunnleggjande positivt. Det ser vi også på sysselsetjinga, på yrkesdeltakinga i Noreg, som er blant dei høgste i verda. Derfor er det høgrepartia som har forklaringsproblemet og bevisbyrda når dei vil kutte i velferda. Og eg meiner argumentasjonen ikkje held mål. Vi er alle saman einige om å arbeidslinja. I over 100 år har arbeid til alle vore vår jobb nr. ein. Men for Arbeidarpartiet går det ei grense for kor mange norske borgarar som skal trykkast litt lenger ned for å sveipe med seg dei få unntaka frå regelen om at det skal løne seg å jobbe. Dette passar eigentleg godt, for eg tok ordet for å kommentere litt av representanten

at det ikkje gjer inntrykk på Arbeidarpartiet det vi fekk høyre på radioen i dag tidleg, at 40 000 står utanfor både arbeidslivet og Nav-systemet og lever eit rotlaust tilvære utan å kome seg inn i jobb. Kva er tiltaka som blir føreslåtte? Det er ei vidareføring av alt Arbeidarpartiet har gjort i regjering – som ikkje har fungert. Eg synest òg det er interessant at Holen Bjørdal snakkar om landa rundt oss, våre europeiske naboar, og peiker på at der er det heilt tydeleg at deregulering og liberalisering av arbeidsmarknaden ikkje har fungert. Er det noko som er ein skrivebordsteori, så er det nettopp den verkelegheitsbeskrivinga der. Lat oss sjå på landa som har hatt utfordringar i eurokrisa og gjeldskrisa som har vore dei siste åra. Kor er det det går bra, kor er det ein har fått fart på veksten igjen? Jo, det er i Spania, det er i Irland, ja det er til og med no i Hellas, der ein har deregulert, der ein har liberalisert, der ein har fått fart på økonomien igjen. Kor Det er i Frankrike, det er i Italia, som har enorme utfordringar med tøffe strukturar i sine arbeidsmarknader, med lite liberale regelverk – der Arbeidarpartiets søsterparti dessutan sit i regjering. Det skal seiast at dei har teke til orde for å liberalisere, men slit med å få gjennomslag for det hos fagrørsla. Det er mørke skyar i horisonten. Det som skjer på norsk sokkel, er alvorleg. Så må ein stille seg spørsmålet: Er alvorleg. Så må ein stille seg spørsmålet: Er dette berre ein midlertidig dupp, slik mange synest å tru, eller er det kanskje starten på noko som mange av oss har snakka om lenge, ei meir permanent omstilling? Eg trur det siste, og då synest eg dette valdsame, intense ropet frå dei raud-grøne om å bruke meir pengar på Det blir brukt som eit slags sanningsvitne at både arbeidsgjevar og arbeidstakar er for det. Ja, sjølvsagt er dei det, sjølvsagt er dei for at skattebetalarane skal ta ein større del av rekninga med permitteringar, det er opplagt. Men skal ein få folk vidare ut i jobb, skal ein frigjere arbeidskraft, skal ein bruke alle dei kloke hovuda som vi alle snakkar om, på å byggje framtidas næringar, ja så må dei få moglegheita til nettopp det. Det siste vi treng, er å begynne å tulle med dei viktigaste rammevilkåra for norsk arbeidsliv, norsk næringsliv: EØS-avtalen, våre internasjonale avtalar, som representantar for Senterpartiet og SV intenst tek til orde for å seie opp. Det siste vi treng, er strukturkonservative sosialdemokratar med proteksjonistiske vener på slep, med notorisk reformiver og ei usvikeleg vilje til å skattleggje det som finst av arbeidsplassar og næringsliv. Vi får no eit budsjett der vi tek imot fleire flyktningar enn nokosinne, byggjer fleire studentbustader enn nokosinne, har eit større grønt skatteskifte enn nokosinne og styrkjer arbeidslinja. Det er eit budsjett eg med glede skal stemme for. Representanten

kom med en kommentar som er blitt vanlig fra Arbeiderpartiet i det siste, nemlig at vi underkommuniserte vår politikk i valgkampen. Det er en beskyldning man kan komme med hver gang man ikke har lyst til å snakke om sin egen politikk. Valgresultatet var helt klart, derfor er det et bredt flertall på Stortinget for å gjøre noen justeringer i som f.eks. vil senke tersklene inn til arbeidslivet. Poenget må jo være at vi har en arbeidsmiljølov som er god for dem som er i arbeid, men som også legger til rette for at det er enkelt for dem som står utenfor, å få en fot inn. Jeg har vært i debatter med flere i denne salen hvor man bl.a. har vist til en artikkel som alle kan søke seg fram til på Statistisk sentralbyrås nettsider, hvor man ser hvordan midlertidige stillinger kan være et springbrett til faste ansettelser. Fredric Holen Bjørdal mener at vi overdramatiserer uføreutviklingen i Norge. Tilsynelatende mener han det uten omtanke for alle dem under 30 år som har fått et uførevedtak. uførevedtak. Jeg bare minner om at den kurven var bratt stigende under de åtte årene de rød-grønne partiene styrte. Representanten Trettebergstuen viser til at andelen uføre gikk ned under den rød-grønne regjeringen, til tross for at det for lengst er avdekket at det er en maskering av de reelle uføretallene i Norge. Det er blitt snakket mye om perspektivmeldingen her, og at de borgerlige partiene leser den meldingen feil. Vel, de rød-grønne partiene skrev i sin egen melding at det har vært en sterk vekst i helserelaterte ytelser i Norge, og at det ikke kan forklares med situasjonen i arbeidslivet, at det ikke kan forklares med at vi har fått dårligere helse i Norge. Hva er da svaret til de rød-grønne? Er det å forsøke å gjøre noen omlegginger i velferdssystemet, fortsette å satse på arbeidslinjen? Nei, det er status quo, og alle endringer som blir gjort, blir det sagt at er usosiale. Så må jeg avlegge representanten Karin Andersen en liten visitt, for hun snakket om overgangsstønaden i sitt innlegg, og hvordan overgangsstønaden er en suksess. Da er det betimelig å spørre henne om hun innrømmer at SV tok feil da de gikk mot å gjøre om stønaden, som ikke var annet enn en fattigdomsfelle da den var på ti år, til en treårig ordning. Det var også usosialt, ifølge SV. Det har vært en relativt forutsigbar debatt. Men jeg synes også det er

men det hadde vært en fordel om opposisjonen også kunne lagt frem sine løsninger på de utfordringene samfunnet har, f.eks. når vi har 650 000 mennesker utenfor arbeidslivet. Det er et resultat av den politikken som har blitt ført. Så har vi nå en ny regjering, et nytt flertall, som er klare på at de ønsker å ta tak i den problemstillingen, og ønsker å komme med nye og spennende forslag som kan hjelpe mange av dem som ønsker å komme ut i arbeid, tilbake i arbeid. Da velger noen heller å forsvare systemene, forsvare det etablerte. Når f.eks. Fremskrittspartiet gjennom mange år har påpekt at Nav har betydelige utfordringer, har vi blitt møtt med taushet. Det er først nå vi har fått en arbeids- og sosialminister som har satt ned et ekspertutvalg som går gjennom hele Nav for å finne ut hvordan vi kan få det mer effektivt. Det er først nå vi har en

Vi har 207 000 mennesker som i dag er midlertidig ansatt, og da synes jeg det er galt å kalle det et løsarbeidersamfunn. Så er det noen som har vært innom at vi bør se på forskningen. Det er jeg helt enig i, og da er det interessant å se at av dem som er midlertidig ansatt, kommer to av tre ut i fast jobb etter to år. Det viser at det kan virke for noen. Så var spesielt Truls Wickholm innom den standardfrasen at skattelettene bare går til de rike. Da vil jeg bare minne om at regjeringens forslag til endringer i formuesskatten ville medført at 280 000 pensjonister skulle betale redusert skatt, og 100 000 pensjonister skulle slippe å betale formuesskatt. Jeg mener at pensjonister også fortjener skattelette, i likhet med folk flest og næringslivet. Det vil gjøre at folk får beholde mer av sin egen inntekt, og ikke minst vil det også generere økt aktivitet i økonomien. Det er nesten så en må si at en skal høre mye før ørene detter av. Først til dette Først til dette med midlertidige ansettelser: I dag får folk jobb fordi regelverket er slik. Det er nettopp det regjeringen vil fjerne. Til representanten Wiborg: Han bør gå tilbake og se på Fremskrittspartiets forslag til budsjetter i Stortinget da Nav-reformen ble vedtatt. Det var massive kutt i flere år, noe som hadde satt Nav i en helt umulig situasjon hvis de hadde fått det som de ville. Når det gjelder overgangsstønaden,

Det er historien til Høyre, og den er lang og stygg på mange områder. Det er altså SV som forandret overgangsstønaden til en aktivitetsstønad, og den virker. Denne regjeringen har ingen arbeidslinje, det er en arve- og formuelinje. «Å hjelpe» betyr å fjerne inntektene til dem som har det vanskeligst. Det virker ikke. Jeg har vært opptatt av at de som er på sosialhjelp, skal få god oppfølging, for jeg vet at det virker. Derfor er jeg skuffet over at det ikke ligger mer penger til kvalifiseringsprogrammet, som nå er evaluert, og som virker veldig bra. Det får mange flere inn i jobb. Men dette vil ikke regjeringen satse på. Man legger ikke én krone inn i kommuneøkonomien sånn at de som er på sosialhjelp, kan få god oppfølging – og det virker. For dem som gjør det med vett og forstand, tar utgangspunkt i de individuelle forhold, ser hva som mangler – om det er helse, kvalifisering eller hva det er – og gir god og tålmodig oppfølging, virker det. Folk kommer seg ut av det. Men det å få mindre, det å bli utsatt for tvang, det å skulle gå på et eller annet innholdsløst bare fordi noen mener at det er bra for en, virker ikke, for det virker demotiverende. Jeg har hørt flere her i dag si at det er en del av tiltakene som ikke har virket godt. Det er jeg enig i. Det er demotiverende, det ødelegger for den som blir tvunget til å gå på noe som ikke er meningsfylt, og som ikke fører fram. Derfor bør man også nå bruke vett og forstand og skjønne at det ikke hjelper å gjøre dette når det gjelder de aller mest vanskeligstilte. Man må gi tiltak som har kvalitet. Det hjelper heller ikke å si at man skal ha mange færre tiltak, slå alle tiltakene sammen og så legge dem ut på anbud. Det vil gjøre at vi får færre som tilbyr gode tiltak. Her trenger vi kvalitet, og vi trenger å samarbeide med noen som kan det, som bygger seg opp, som har kompetanse på å hjelpe folk, og som ikke driver med det for å drive business sjøl, men for å hjelpe folk tilbake til arbeid. En av fordelene ved ikke å ha vært politiker, men ansatt i privat næringsliv i 20 år først er En av fordelene ved ikke å ha vært politiker, men ansatt i privat næringsliv i 20 år først er selvfølgelig å ha arbeidserfaring, som alt fra garderobevakt, sekretær og kontoransvarlig til markedssjef, debattredaktør og kommunikasjonsdirektør. Men 20 år i arbeidslivet har også gitt meg erfaring som fast ansatt, midlertidig ansatt, permittert og arbeidsledig. Midlertidig ansettelse ga meg erfaring og et bein innenfor og førte til fast ansettelse. Verst var det å være permittert. Å ha lojalitet til en arbeidsgiver, men være på Nav til under halv lønn føltes usikkert og vanskelig. Å være arbeidsledig, derimot, var en avklart situasjon som gjorde at jeg kunne ta midlertidige jobber samtidig som jeg søkte på andre stillinger. At så mange her mener at permittering er et gode for arbeidstakerne, er for meg et mysterium. Det er først og fremst et grep for arbeidsgiverne. Dermed kan de holde på folk på skattebetalernes regning via Nav i stedet for at konkurrenter eller andre bransjer som trenger kompetansen, får nettopp de folkene de trenger. Med min erfaring blir noe av debatten rundt arbeidsmiljø og arbeid litt merkelig. Jeg har merket meg kritikken både fra særlig på punktet om at en oppmykning ikke gir muligheter for flere. Ikke overraskende er jeg uenig. Hva med arbeidsgiverne, hva sier de? Noen svarer at ja, lettere adgang til midlertidige ansettelser vil gjøre at de tør å satse litt mer på utradisjonelle ansettelser, som en med spesielle behov, eller med hull i CV-en. Og jeg velger å tro dem på det. Men helt ærlig tror jeg dette først og fremst vil gi f.eks. vekstbedrifter en mulighet til å ansette så mange de Derfor var jeg ikke overrasket over at det nettopp var en gründerbedrift som ble brukt som eksempel i Dagsrevyen. En engasjert gründer sa at en oppmykning av arbeidsmiljøloven ville gi dem mulighet til å tørre å ansette flere, og dermed øke deres muligheter for suksess og på sikt gi faste ansettelser, og faste ansettelser var målet. Fast ansettelse er også fortsatt hovedregelen i de nye bestemmelsene som er foreslått, og for de aller fleste arbeidsgivere er bestemmelsene helt unødvendige. Faste ansettelser gir ikke bare trygghet til arbeidstaker, men også til arbeidsgiver. Det innebærer store kostnader å ha en såkalt høy turnover med stadig nye folk som skal læres opp og følges opp. For de fleste bedrifter er det lønnsomt å ha et godt arbeidsmiljø, med en jevn turnover, fordi det sikrer både kontinuitet, fornyelse og lojalitet.

Jeg vet at jeg som ung arbeidstaker satte pris på den sjansen, og derfor støtter jeg selvsagt regjeringens forslag. Det er mulig jeg vil trenge den sjansen igjen når jeg i framtiden som avdanket politiker må kompensere for å ha stått utenfor arbeidslivet i flere år og skal integreres tilbake i produktivt arbeid.

Fleirtalet meiner at dette vil styrkja arbeidslinja. Ja, det kan vera, men eg meiner det er ein brutal måte å tolka arbeidslinja på. Eg synest det er oppsiktsvekkjande at vi har hatt ein debatt i haust der uføre ikkje skal vera uføre, og der barnerike familiar nærmast vert stempla som trygdemisbrukarar. Eg høyrde på Politisk kvarter hin dagen der til og med Kristeleg Folkeparti argumenterte for og forsvarte den nye avtalen, der fattige barnefamiliar med uføre foreldre ikkje måtte få for masse. Det store kuttet som regjeringa først føreslo i barnetillegget ved å leggja om frå behovsprøving til standardiserte barnetillegg, vart rett nok lagt vekk i forhandlingane, og det var veldig bra. Det framforhandla forslaget er forbetra sett opp mot regjeringa sitt opphavelege forslag, men den nye modellen får uheldige konsekvensar for økonomien til mange uføre familiar med fleire barn som i dag lever på og er avhengige av den inntekta. Å endra i barnetillegget utan å setja inn kompenserande tiltak meiner eg er svært usolidarisk og vil ikkje akkurat bidra til å minska barnefattigdommen i Noreg. Så er det vel òg slik at mange uføre ikkje er i stand til å jobba meir. Eg synest det er både urettferdig og mislukka å svekkja inntektene til uføre med ansvaret for fleire barn. Modellen som Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti føreslår, er uheldig og vil kunna låsa dei som er uheldig og vil kunna låsa dei som hadde låg inntekt før dei vart sjuke, t.d. deltidsarbeidarar, i ein svært vanskeleg økonomisk situasjon. Sjeldan har uttrykket «det er betre å vera frisk og rik enn fattig og sjuk» passa betre. Senterpartiet går imot å innføra eit tak på uføretrygd for behovsprøvd barnetillegg med inntekta før uførheit, fordi vi meiner det rammar økonomisk inntektssvake familiar med barn. Kvar er barneperspektivet i denne debatten? Skal vi straffa barn fordi dei har uføre foreldre? Senterpartiet meiner at samfunnet må stilla opp i nokre tilfelle sjølv om ytingane samla sett gir noko større inntekt enn den inntekta ein hadde før ein vart sjuk og ufør.
Neste taler er Kristin

Vi prioriterer det som er aller viktigst i skolen, nemlig lærere. Vi bruker over 1 mrd. kr på Lærerløftet i 2015. Regjeringen har økt bevilgningen til videreutdanning med 695 mill. kr bare det siste året. I 2013 brukte den rød-grønne regjeringen 340 mill. kr på videreutdanning. Det viser det enorme taktskiftet Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har fått til. Det er ikke mye sikkert vi kan si om fremtiden, men vi vet at vi kommer til å mangle fagarbeidere. Derfor vil regjeringen gjennomføre et yrkesfagløft. Regjeringen har tre hovedmål for dette yrkesfagløftet: tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, mer fleksible løp i fag- og yrkesopplæringen og bedre kvalitet og relevans i opplæringen. Vi har økt lærlingtilskuddet to ganger på to år, og sist lærlingtilskuddet ble økt, var i 2009. Det er fem år siden. Derfor blir det litt hult å høre på Arbeiderpartiet, som fremstiller regjeringens yrkesfagløft som dårlig. Med økningen i årets budsjett på 4 000 kr per kontrakt har også lærlingtilskuddet økt med 7 500 kr totalt siden vi overtok fra de I 2015 har vi også bevilget 8 mill. kr til kompetansehevingstiltak for yrkesfaglærere, og målet er at yrkesfaglærere jevnlig skal ha mulighet til å oppdatere sin kompetanse sånn at elevene lærer mer. I tilleggsproposisjonen for 2014 bevilget vi 114 mill. kr ekstra til fag- og yrkesopplæringen, og det ble lagt vekt på tiltak som bedrer vilkår for bedrifter og styrker kvalitet på opplæring, bl.a. økt lærlingtilskudd og ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn elever med

for å sjå på korleis ein kan tilpasse eit system til Noreg, slik at vi kan sørgje for at òg dei som sit nedst ved bordet, har ei anstendig løn å leve av. Å innføre nasjonal minsteløn var kampsaka for arbeidarpartiet i Tyskland. Det er ikkje akkurat eit land i krise. Men no er det innført, og ein har fått eit betydeleg løft for dei som var i låginntektsgruppene. Det er heller ikkje sånn at det organiserte arbeidslivet går massivt mot dette. Virke støttar denne høyringa. Dei ser kampen mot dei useriøse, tek det på alvor. YS var interessert i å få kunnskap på bordet, såg behovet for det. Det er skuffande at dei raud-grøne ikkje gjer det. Jeg tok ordet da jeg hørte representanten Kambe snakke om permitteringsregelverket. Det har vært interessant å sitte og høre på dagens debatt. Regjeringa skyer. Ja, på Vestlandet ser vi disse svarte skyene. Hittil i år har 10 000 jobber forsvunnet i oljeservicenæringen. Analyser sier at 12 000–13 000 jobber vil forsvinne i 2015. Hva gjør så regjeringa med dette når man ser disse tallene? Regjeringa dobler bedriftenes kostnader med permitteringer, og komitéleder Kambe bagatelliserer disse ti dagene. Han burde kanskje ha snakket med Nav-rådgiver Gustav Svane i Rogaland, hans eget hjemfylke, som ser konsekvensene av regjeringas politikk. Nav-rådgiveren sier at han nå ser likhetstrekk med finanskrisen, men forskjellen er at det nå er flere oppsigelser enn permitteringer. I Rogaland var det i september 2 326 oppsigelser og bare 181 permitteringer – nesten 13 ganger så mange oppsigelser som permitteringer, og

og det virker som om alle utenom regjeringspartiene har forstått alvoret. NHO krever handling, LO krever handling, og vi i opposisjonen foreslår handling. Representanten Kambe sa han ville vente og se, bare vente litt til, vente med å handle. Handlekraft har blitt til ventekraft. Statsministeren sa i finansdebatten at hun var redd for tilbakefall. Jeg lurer For dette budsjettet er et tilbakefall til gammeldags høyrepolitikk. Det er mer til dem som har mest, og det blir større forskjeller. Det er langt ifra nye ideer, som mange har prøvd å snakke om her i dag. Derfor er jeg glad for at opposisjonen i hvert fall viser at en annen retning er mulig. Det tror jeg velgerne ser. La meg starte med representanten

Vi følger opp i regjering og foretar den gjennomgangen, og vi har allerede nå satt i gang flere tiltak som vil løfte brukernes opplevelser, brukernes rettigheter, og sørge for riktigere og tettere oppfølging, nettopp fordi vi ønsker å forbedre Nav og de utfordringene Nav står overfor. Vi gjør dette i tett samarbeid med Nav. Så sier man i forhold til sosialhjelp at er nærmest som å svikte brukerne. Jeg er enig med Karin Andersen i at vi må bruke kvalifiseringsprogrammet mer. Derfor har jeg også hatt møte med fylkesmennene forrige uke for å sørge for at kommunene bruker de plassene man har til rådighet på kvalifiseringsprogrammet. Mange kommuner gjør ikke det, de utnytter ikke det potensialet som er. La oss først utnytte det potensialet som er. Så er det viktig å møte folk med respekt og ta folk på alvor. Da setter man også gode aktivitetskrav. Dette gjelder ikke bare for den enkelte bruker. bruker. Karin Andersen sier at man sender dem over på meningsløs aktivitet. Nei, kommunene skal forplikte seg til å gi meningsfylt aktivitet, som sikrer at man kommer tilbake til jobb eller utdanning, slik som man har gjort i Fjell kommune, slik som man har gjort i Kvinesdal, slik som man har gjort i Verdalen – og jeg kunne ha ramset opp mange kommuner. Det er det som er hele formålet, nemlig at vi tar folk på alvor istedenfor å møte dem med likegyldighet. Så til permitteringsregelverket. Jeg stiller meg undrende til representanten Bottens innlegg, der hun viser til min hjemkommune og til Kværner Verdal. Ja, det er en del i Verdalen som nå drar til Stord og jobber. Men er ikke det bra, da? Mener virkelig Arbeiderpartiet at det hadde vært en bedre politikk å si at de menneskene burde ha gått ned 38 pst. i lønn og vært hjemme i Verdalen og mottatt dagpenger, istedenfor å være i fullt arbeid?

Derfor har denne regjeringen styrket bevilgningene til ferie til alle og sørget for at flere unger nå får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Derfor har vi redusert barnehageutgiftene for dem med dårligst råd. Derfor har vi økt kjernetiden. Derfor har vi også lagt om stipendene, slik at de som vokser opp med foreldre med dårlig økonomi, får bedre stipendordninger og kan få 10 000 kr mer i året. Vi følger opp

Men for Senterpartiet står samtidig det samfunnsmessige målet om jambyrdige økonomiske forhold mellom folk fast. Vi må i Norge nå sette inn kraftige tiltak mot de angrepene som skjer mot dette målet. Det skjer i arbeidslivet ved at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning ikke lenger har forrang framfor EUs regler om fast ansettelse, som blir utfordret gjennom midlertidige ansettelser gjennom det som mange har sagt er et løsarbeidersamfunn internasjonalt sett.

Wiborg har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Når det gjelder minstelønn, fremstilles det her i dag som at enten skal man ha dagens system for lønnsdannelse, eller så skal man ha minstelønn. Det er mulig å ha en kombinasjon av begge systemene, noe som også da vil bidra for de 50

som handler om at Sosialistisk Venstreparti er klare på at kampen mot fattigdom er et overordnet mål. Samtidig er de imot mer eller mindre enhver form for skattelette, og Sosialistisk Venstreparti foreslo redusert utbytteskatt på aksjeutbytte. Mitt spørsmål er: Hvordan gagner det de fattige i Norge? Flere har tatt ordet for å kritisere Kristelig Folkeparti for løsninga når det gjelder barnetillegget. Jeg har derfor behov for å avklare hvorfor jeg mener det er god

Og derfor mener jeg at det er en stor seier at vi ivaretok behovsprøvinga, så det fortsatt skal være sånn at de som har mest behov for barnetillegg, skal få det fremdeles. Så mener jeg det er fullt ut forsvarlig å si at en heller ikke skal få mer enn 95 pst. utbetalt enn det en hadde før en ble ufør. Det handler om at uføretrygd er en stønad for bortfall av inntektsmuligheten. Det skal ikke være sånn

Men jeg er veldig stolt av at over 28 000 barn kommer mye bedre ut nå enn etter forslaget fra regjeringa. Derfor mener jeg det er en stor seier. For, på den andre siden, dersom du er i et lavtlønnsyrke – du får 250 000 kr, 300 000 kr, 350 000 kr utbetalt – er det ikke sånn at du får mer utbetalt hvis du har mange Tvert imot er kanskje heller utfordringa at hvis du har mange barn, må du gå ned i stilling og ned i lønn for å kunne klare å ta deg av barna. Derfor mener jeg den ordninga som Stortinget nå vedtar, vil være god, og forhåpentligvis vil den også kunne være varig. I tillegg har vi kjempet igjennom f.eks. utvidet mulighet for gratis I budsjettforliket er det 20 mill. kr ekstra i tillegg til de – nå husker jeg ikke antallet – 50 mill. kr, tror jeg, som regjeringa la inn i tilskuddsordninga for fattige barnefamilier, og det samme med ferietiltak osv. Jeg mener det er en god ordning, en ordning som skaper legitimitet til trygdesystemet, og som forhåpentligvis kan bli varig. Representanten Anette

Dette er også en del av Brochmann-utvalget og det de advarer mot. Regjeringen har ingen arbeidslinje, tvert imot. De betaler folk for ikke å jobbe og gjør flere barnefamilier fattigere. Det er noe annet enn Arbeiderpartiets arbeidslinje, som går på å få folk ut i arbeid og aktivitet gjennom målrettede og støttende arbeidsmarkedstiltak.

tilfellet. Det er noen grunner til det, og det er noen kriterier for det. Én av hovedårsakene til det er at Norge er et land med små forskjeller. Når vi nå vedtar det budsjettet som skal vedtas her i dag, blir det – mot våre stemmer – vedtatt større forskjeller. Vi går altså imot én av de tingene som har gjort Norge til verdens beste land å bo i, fordi den nye regjeringa tydeligvis mener at rike mennesker blir stimulert av å få mer penger, og at fattige mennesker blir stimulert av å få mindre penger. En annen grunn som har bidratt til at vi har kommet godt ut på denne type internasjonale sammenligninger – det er selvfølgelig mange grunner – er den orden og ikke minst det samarbeidet som vi har i arbeidslivet mellom partene og myndighetene, og for så vidt mellom det organiserte Norge og myndighetene generelt. Flere har nevnt arbeidsmiljøloven – som jeg hadde trodd vi skulle vente med til den skulle diskuteres her – og i det forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven som er lagt fram, ser vi at de faglige etatene til departementet går imot, Arbeidstilsynet advarer, Statens arbeidsmiljøinstitutt advarte mot en del av de tingene som skjer ved endring av arbeidsmiljøloven, og en samlet arbeidstakerside i Norge går imot, på samme måte som med permitteringsreglene, der en samlet arbeidsgiverside og en samlet arbeidstakerside nå er enig i det Robert Eriksson mente den gangen han var stortingsrepresentant. Men likevel er det sånn at regjeringa hører ikke på sånt, regjeringa vet bedre. Hvis det skulle være sånn at kartet og terrenget ikke stemmer, er regjeringa overbevist om at det er kartet som er riktig. Det drar oss i feil retning i forhold til ambisjonen om å holde oss høyt oppe på statistikken over de land det er best å bo i. Tidligere var nåværende statsråd Eriksson opposisjonspolitiker, og jeg synes han mange ganger på en måte pekte lenger på den samme veien som den rød-grønne regjeringa sto på. Han kritiserte pensjonsordningene for å være for dårlige, han kritiserte permisjonsregelverket for ikke å være godt nok, og han mente at vi skulle sette inn ytterligere tiltak for velferdssamfunnet Norge. Ja, daværende stortingsrepresentant Eriksson var en mann av veldig store ord

det har vært lite konstruktive innlegg fra de rød-grønnes side i debatten her i dag. Det er mye svartmaling av det fremlagte budsjettet. Jeg synes at Arbeiderpartiet ikke har kommet med noen nye grep eller forslag til løsninger for å bidra til å legge til rette for at flere folk kommer inn i arbeidslivet – et parti som har snakket varmt og høyt om arbeidslinjen i årevis. Det er ingen nye tanker – bare å fortsette med det som er prøvd til nå. Er Arbeiderpartiet fornøyd med at vi har så mange mennesker i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet? Vi har riktignok lav arbeidsledighet, men det er altså 650 000 som har helserelaterte ytelser, eller som har trygd og er utenfor arbeidslivet – og noen arbeidsledige. Synes Arbeiderpartiet at de tiltakene vi har nå, er gode nok? Jeg synes det er rart at de ikke er villig til å prøve noe nytt for å hjelpe hjelpe flere til å få et bein innenfor. Midlertidig ansettelse har det vært snakket en del om i dag. Fra regjeringens side er det lagt frem et ønske om å prøve å få til det. Det har jo vist seg at det har vært et springbrett inn i arbeidslivet for mange – flere har fått fast stilling. Med dagens regelverk er det mulig å få en midlertidig stilling hvis man f.eks. skal erstatte en som er sykmeldt, eller det er et vikariat – en såkalt vakant stilling. Nå ønsker regjeringen å myke opp dette, slik at flere kan få prøve seg og få den inngangen som har vist seg å være bra for veldig mange, som har fått fast ansettelse etter en tid som midlertidig ansatt. Dette er ikke en rasering, men en forsiktig oppmyking, med klare begrensninger, slik at det ikke skal misbrukes. Nei, regjeringens politikk fører oss ikke i feil retning – den fører oss i riktig retning ved å få flere inn i arbeidslivet. Representanten Karin Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

progressiviteten både i formuesskatten og i inntektsskatten. Jeg er veldig enig i det som representanten Kjersti Toppe sa om dette med

debatten om midtstreken i norsk arbeidslivspolitikk, de ville nærme seg fagbevegelsen – partiet Høyre ville gå til venstre. Men hva ser vi nå? Vi ser altså forslag som er relativt ytterliggående, og som møter en samlet opposisjon fra arbeidstakerorganisasjonene. Tidligere arbeidslivspolitisk talsmann for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, sa at de ville gjennomføre endringer som ville få gehør hos arbeidstakerne – det var jo det partiene gikk til valg på – og hvis man blir fornærmet for at det nå trekkes fram som en del av diskusjonen, ja, da blir man ganske fort slitne! Så er det snakk om hvordan man kan få flere folk ut i arbeid. arbeid. Den tidligere regjeringa lanserte en stortingsmelding med mange offensive grep, som flere tiltaksplasser og mer lønnstilskudd for å få folk ut i arbeid. Det den nåværende regjeringa har gjort, er å sitte og jobbe med en stortingsmelding uten nye tiltak, utenom ett: flere midlertidige ansettelser. Og de som jobber med utsatte grupper på arbeidsmarkedet, sier jo det motsatte: Midlertidige ansettelser hjelper ikke de svakeste, snarere tvert imot, og de land som har prøvd det, har ikke fått flere svake grupper inn i arbeidslivet. Så her er det ingen nye tiltak, og jeg synes regjeringa har blitt ganske tidlig slitne hvis de ikke tåler diskusjon om dette. Den største skuffelsen synes jeg er tiltaksplasser, for det er den virkelig viktige måten å få folk ut i arbeid på, og når det kuttes i dette, kutter man i det aller viktigste virkemidlet for å få flere utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet.

Aktivitetsplikt er ikke noe nytt. Lønnstilskudd er ikke noe nytt. Kutt i tiltaksplasser er ikke noe nytt. Kommersialisering av tiltak er heller ikke noe nytt. Kutt i trygdeordninger og i stønader er ikke noe nytt. Når det vises til at midlertidige stillinger gir folk muligheter, ja, så er det innenfor dagens regelverk. I Sverige har de et videre regelverk, og der er det 39 000 som har gått på midlertidige stillinger i mer enn fem år. Representanten Arve Kambe har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

for det er høy oppslutning om velferdsordningene i Norge. Det er høy oppslutning om målsettingene om lav arbeidsledighet, høy sysselsetting og stabil kronekurs, men vi mener at våre forslag går i en bedre retning enn de rød-grønnes. Så synes jeg tendensen er, særlig fra Arbeiderpartiets side, når vi leser deres alternative statsbudsjett, at de har brukt året i opposisjon dårlig. Det er kun satt fram kopier av nedstemte forslag eller trukne forslag fra rød-grønne meldinger. Jeg tror at skal man vinne et valg, gjør man ikke det ved å gjenta det man har gjort før. Man vinner valg med å ha ny politikk, og debatten i dag viser at Arbeiderpartiet har ingen ny politikk. Jeg har fulgt denne debatten fra kontoret, og jeg må si at det er

Det finnes ingen eksempler noe sted, som flere representanter allerede har sagt, på at dette fører et samfunn inn i en moderne retning. – Jeg bare sier det først. At høyresida i Norge mener dette – det er jo dette høyresida står for, det er jo dette som er høyrepartiene. Men det som jeg ikke forstår,

vil angripe det ordnede arbeidslivet, og NHO er en del av det. De er vel forblindet av håpet om at det skal gi dem lettere forhold og raskere fortjeneste, men det vil bare vare en kort stund. Det ser vi i alle andre land, hvor næringsvirksomhet og verdiskaping faller også fordi organisert. Hvis man var så pass kapitalistisk som representanten Rotevatn er, ville jeg virkelig tenkt meg grundig om før jeg gikk langs et sånt spor, for avkastningen på kapital forutsetter nemlig det stabile samfunn og det stabile arbeidslivet, og det får man ikke med disse ordningene. Det behøver man ikke være sosialdemokrat for å mene. Det kan man gå til både økonomer og forskning for å få demonstrert. demonstrert. Representanten Rotevatn som er så sterk tilhenger av det han kaller forskning og vitenskap, burde faktisk gå til det og legge det til grunn i denne debatten og ikke bli forblindet av sin egen liberalistiske tenkning, som det i virkeligheten er, for det er ikke liberal tenkning. Dette er brudd med Venstres fundamentale historiske rolle. Dette er liberalisme, ikke liberalt, slik som Rotevatn prøver å kalle det og prøver å dekke sin argumentasjon med. Det er uriktig, og derfor hadde jeg lyst til å si dette. Det er slik som Rotevatn prøver å kalle det og prøver å dekke sin argumentasjon med. Det er uriktig, og derfor hadde jeg lyst til å si dette. Det er

ikke bare for oss som er her i dag, men også for barn og barnebarn, som kommer etter oss. For å skape nye arbeidsplasser og for å sikre de arbeidsplassene vi har i dag, vet vi at vi må ha en massiv satsing på skole. Dette gjør regjeringen bl.a. gjennom en storstilt satsing på lærerne. I tillegg inneholder dette budsjettet en sterk satsing – en vekst – i universitets- og høyskolesektoren for å bidra til økt kvalitet i våre utdanningsinstitusjoner, for ikke å snakke om det taktskiftet vi ser i forskningspolitikken etter at Erna Solberg overtok som statsminister. Det vi må gjøre for å sikre at Norge skal være verdens beste land å bo i, også i fremtiden, er å satse på kunnskap gjennom barnehagen, gjennom skoleløpet, gjennom utdanningen og forskningen, og legge til rette for at vi kan skape arbeidsplasser – også i fremtiden. Representanten Kirsti Bergstø har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort

samfunn – og grunnen til at vi er kåret til verdens beste land å bo i – handler om at vi har små forskjeller. Det handler om at et samfunn med små forskjeller er et samfunn basert på tillit, med lav kriminalitet, med mobilisering, der man kan ta utdanning og ha en karrierevei uavhengig av hvor man kommer fra. Men det fordrer jo en politikk der man faktisk bruker de store summene på de viktige oppgavene, der vi bruker dem på fellesskap og velferd og ikke på skattelette til de rike. Vi ser det skillet i debatten her, der de rød-grønne fremdeles vil at Norge ikke bare skal være det beste landet for noen, men verdens mest rettferdige land å bo i. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1–5. Etter ønske fra arbeids- og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

representanten Bente Stein Mathisen,

Denne holdningen vitner om veldig liten tillit til fagpersoner og ledere i alle de private velferdsinstitusjonene vi har her i landet. Jeg er sikker på at sykepleiere ikke endrer adferd og måten å jobbe på om de jobber i en privat bedrift. Høy etisk standard og faglig integritet vil være viktig, enten det jobbes på et offentlig sykehus eller i et privatdrevet sykehjem. Det samme vil gjelde for en snekker eller en arbeidsleder, om det jobbes i driftsavdelingen i en kommune eller i en privatdrevet attføringsbedrift.

Avklaring i ordinær virksomhet anskaffes i åpen konkurranse etter anskaffelsesreglene, og avklaring i skjermet virksomhet kjøper Nav fra attførings- og vekstbedrifter uten konkurranse. Det samme gjelder oppfølgingstjenesten. Den ene oppfølgingstjenesten anskaffer Nav i åpen konkurranse, den andre, Arbeid med bistand, kjøper Nav fra de godkjente

Den forrige regjeringen erkjente i Meld. St. 46 for 2012–2013 Flere i arbeid at dagens ordning ikke er i samsvar med regelverket, og at en ville vurdere dette nærmere. Nå er det regjeringen Solberg som styrer, og de tar dette på Regjeringen foreslår derfor å forenkle tiltakssystemene ved å slå dem sammen, slik at det blir én ordning når det gjelder arbeidsavklaring, og en ordning når det gjelder oppfølgingstjenester. Det vil gi et mer oversiktlig og enklere tiltakssystem, som er bedre tilpasset folks behov for hjelp, og som blir lettere å forholde seg til for både dem som jobber i Nav, arbeidsgivere og arbeidssøkere. Begge de nye tiltakssystemene skal anskaffes etter anskaffelsesreglene. Kjøp av arbeidsmarkedstiltak i åpen konkurranse endrer ikke på hvem som skal ha tilbudene, eller på tiltakenes faglige innhold og kvalitet. Vi har med den samme brukergruppen å gjøre, som trenger trygghet, støtte og forutsigbarhet både i avklaringssituasjonen, i arbeidstreningen og i attføringsarbeidet inn mot arbeidslivet. Det må utarbeides klare kriterier for dette og for hvilken oppfølging som trengs i Regjeringen varsler at det vil bli en tettere oppfølging av leverandørenes resultater både når det gjelder kvalitet og overgang til arbeid. Nav vil sette konkrete kvalitetskrav til leverandørene som de må dokumentere at de oppfyller. Det skal stilles krav til oppnådde resultater av tiltaksgjennomføringen. Ved å åpne opp for like konkurransevilkår får vi flere aktører på banen og ikke færre, som Karin Andersen hevdet i et innlegg tidligere i dag. Flere aktører vil bedre kunne dekke variasjonen i de sammensatte behovene brukerne har for hjelp til å komme i arbeid. Det handler veldig mye om motivasjon. Med økt valgfrihet vil det være enklere å finne et tilbud som sammenfaller med den enkeltes kvalifikasjoner og yrkesønsker. Det hevdes at hvis det åpnes opp for mer konkurranse, ødelegges grunnlaget for de etablerte arbeids- og vekstbedriftene som lenge har kunnet drive uten konkurranse. Mange av attførings- og vekstbedriftene driver veldig godt, de kan vise til gode resultater og trenger ikke å frykte anbudskonkurranser. De vil hevde seg godt i konkurranser med den erfaring og kompetanse de besitter. I tillegg blir det også plass til andre aktører, som f.eks. Pøbelprosjektet, som er en del av Ferd Sosiale Entreprenører. av prosjektet i 2007 hatt 1 600 pøbler i prosjektet, og 94 pst. av disse er i jobb, under utdanning eller på vei ut i jobb – en ganske god prosentsats. Det er viktig med mangfold og at det åpnes opp for kreativitet og nye løsninger. Ulike mennesker trenger ulike tilbud. I arbeidet med å inkludere flest mulig i arbeidslivet må vi slippe til alle gode krefter. Det er

Forvitring eller fornying i Norden 2014–2030 – i kortform: NordMod 2030 – som har sett på hvorledes nasjonale og internasjonale endringer påvirker den nordiske samfunnsmodellen. I sluttrapporten står det bl.a. følgende om arbeidsinnvandring og press på den nordiske modellen: «Rekrutteringen av arbeidsinnvandrere er gjerne sterkest i bransjer med små kvalifikasjonskrav, manuelt arbeid, lav organisasjonsgrad, og dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Dette kan føre til at systemet for lønnsdannelse svekkes, produktivitetsveksten reduseres, at lønnsgolvet brekker opp og at lønns- og inntektsforskjellene øker. Forskning fra Norge viser at økt innvandring har en målbar effekt på lønnsnivået . Konsekvensen av dette kan i neste En annen konsekvens er at skjerpet konkurranse om de lavest lønte jobbene kan øke risikoen for utstøting av svake grupper fra de nordiske arbeidsmarkedene Senterpartiet mener at Stortinget i drøfting av tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne ikke lenger kan se bort fra den svært store tilstrømminga av utenlandsk arbeidskraft til og at den har vært så stor at vi har fått en fortrengningseffekt som har vært av det mest markante. Fortrengningseffekten vil si at etablerte arbeidstakere eller personer som står svakt på arbeidsmarkedet, risikerer å bli utkonkurrert av ny arbeidskraft fra utlandet. Både innvandrere og personer med redusert arbeidsevne er eksempler på arbeidstakergrupper som er utsatt for denne konkurransen. Personer med nedsatt arbeidsevne blir i dag presset ut av arbeidsmarkedet, utstøtingsmekanismene er flere. På denne bakgrunn fremmer Senterpartiet følgende forslag: «Stortinget bed regjeringa leggja fram ei vurdering av konsekvensane for sysselsettjing av personar med nedsett arbeidsevne som følgje av det svært store omfanget av utanlandsk arbeidskraft frå EØS-området.» Jeg tar opp forslaget. Den neste saken er representantforslaget fra Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås: «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at unge mennesker med uføretrygd gis rett til arbeidsmarkedstiltak på lik linje med mottakere av arbeidsavklaringspenger.»

mener på denne bakgrunn at derfor bør uføre i aldersgruppa 20–30 år med diagnose for å kunne bli friskere gis rett – og jeg understreker rett – til medisinsk vurdering gjennom Nav hvert annet år for å få vurdert om helsesituasjonen har forbedret seg slik at en har mulighet for å utføre arbeid. Dersom svaret er ja på det spørsmålet, må den uføretrygdede gis rett til arbeidsmarkedstiltak på linje med mottakere av arbeidsavklaringspenger, samtidig som vedkommende har rett til å få tilbake innvilget uføretrygd om arbeidsforsøket må oppgis. Derfor fremmer Arbeiderpartiet og Senterpartiet følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at unge uføre hvert annet år gis rett til hvert annet år gis rett til medisinsk vurdering gjennom Nav, slik at vedkommende ved bedre helsetilstand skal gis rett til arbeidsrettede tiltak på linje med mottakere av arbeidsavklaringspenger.» Flertallet – Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – avviser dette forslaget, mens SV fremmer sitt forslag som ligger til grunn for den stortingsbehandling som vi nå står oppe i. Jeg tar opp forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Til slutt er det en svært viktig sak fra representanten Karin Andersen og Snorre Serigstad Valen, som lyder: «Stortinget ber regjeringen innføre rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet og/eller veiledning og arbeidstilbud innen tre måneder for ungdom under 25 år som ikke er i utdanning eller arbeid. Denne retten skal ikke erstatte ordinær studiefinansiering.»

for unge ledige under 20 år. Det er også en samlet komité som mener at målet med den kommende meldingen om livslang læring og utenforskap er å utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne med svake grunnleggende ferdigheter. Hele komiteen er glad for at statsråden varsler at tiltak for unge voksne som verken er i jobb eller i utdanning, vil bli drøftet videre i dette arbeidet. Så langt enigheten. Det er videre et mindretall fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som mener at utfordringene med å få ungdom under 25 år – og som ikke har nedsatt arbeidsevne – i arbeid, er så store at de foreslår nye tiltak. Disse medlemmene mener derfor at det må gjøres økonomisk attraktivt for både offentlige og private arbeidsgivere å ansette ungdommer under 25 år, som verken er i arbeid eller under utdanning, som lærekandidater. Og der er vi ved poenget – lærekandidater. Vi står altså i den situasjonen at en rekke ungdommer i gruppen 20–25 år ikke har arbeid, de har ikke utdanning, de er ikke lærlinger, og da må vi tenke nytt. Dette mindretallet har da følgende forslag:

kommunene. Som navnet sier, gjelder det altså å lære mer om et fag – i en toårsperiode. Det å lære mer i et fag vil for denne ungdommen som går inn som lærekandidat, også gi grunnlag for økt inntekt gjennom sitt arbeid. Dette blir en avtale mellom den arbeidssøkende, arbeidsgiver og Nav. Det er en måte å tenke nytt på for nettopp å målrette det praktisk med hensyn til arbeid. Avklaringer og planer, handlingsplaner for ungdom – vel, det har vi sett mye av, men det som er den store mangelen, er praktiske arbeidsplasser for den gruppen av ungdom som ønsker å ha noe å gå til, ønsker å lære mer, og dermed ønsker å få respekt for sitt arbeid, ved at en kan vise at en får til Her har vi muligheter, og det er forslaget fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. Jeg tar opp forslaget. Representanten Per Olaf Lundteigen har tatt opp de forslagene han refererte til. For Arbeidarpartiet er

Som samfunn er vi dessverre ikkje i mål med å inkludere alle i arbeidslivet, og behovet er framleis til stades for å fornye og vidareutvikle arbeids- og velferdspolitikken, slik at fleire får moglegheit til å ta del i arbeidslivet – særleg i lys av at det hos Nav er registrert over 200 000 personar med nedsett arbeidsevne. Det er eit mål for Arbeidarpartiet at personar med nedsett arbeidsevne i større grad enn i dag skal kunne kome i arbeid, eventuelt kombinert med ei gradert uføreyting. Ei stor utfordring er at mange personar i yrkesaktiv alder er utanfor arbeidslivet og tek imot helserelaterte ytingar. Det var for å møte desse utfordringane at Stoltenberg-regjeringa hausten 2013 la fram Meld. St. 46 for 2012–2013, Flere i arbeid – ei melding som Høgre og Framstegspartiet dessverre trekte tilbake. Det betyr at det er gått over eitt år utan at noko har skjedd på dette området, bortsett frå at statsråd Eriksson har bestemt seg for å kommersialisere arbeidsretta tiltak utan å ville rådføre seg med Stortinget. Det meiner Arbeidarpartiet er feil, og vi stør SVs forslag om å stoppe auka kommersialisering på dette området. Det vil eg kome tilbake til. Det er ikkje rom for kvileskjer i arbeidet med å få fleire inn i arbeidslivet. Og det gjer at Arbeidarpartiet i Stortinget i juni i Dokument 8:73 for 2013–2014, foreslo noko av dei aller viktigaste tiltaka i vår Meld. St. 46 for 2012–2013 i håp om å få med stortingsfleirtalet på det, fordi vi meiner det er nødvendig med ein strategi for betre arbeidsmoglegheiter for personar med nedsett arbeidsevne og meir bruk av gradering i dei helserelaterte ytingane. Sentralt i ein slik strategi meiner vi må vere å setje kritisk søkjelys på korleis arbeidslivet er innretta i dag, kva slags moglegheiter det gir og korleis offentlege inntektssikringsordningar, tiltak og Målet for Arbeidarpartiet er at strategien skal føre til at flest mogleg skal kunne ta del i og oppretthalde tilknytinga til det ordinære arbeidslivet. Vårt forslag til strategi er basert på to delstrategiar. For det første er det ein tilknytingsstrategi, som inneheld tiltak som sikrar tilknytinga til arbeidslivet. Særleg viktig er det for menneske som har nedsett arbeidsevne på grunn av helseproblem, og som dermed står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Desse må få bli verande i ei stilling på redusert tid og med arbeidsoppgåver dei kan meistre. Tilknytingsstrategien må supplerast med tiltak for å inkludere fleire av dei med nedsett arbeidsevne som i dag står utanfor arbeidslivet, og som ønskjer eit arbeid å gå til. Om ein lukkast med å sikre tilknytinga til dei som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, vil færre isolert sett ha behov for bistand for å få arbeid. Tiltak retta mot etterspørselssida i arbeidsmarknaden vil kunne gje nytt arbeid og inkludere fleire av dei som elles ville ha enda opp med full uføretrygd. Ved å tilby personar med nedsett arbeidsevne eit arbeid dei kan meistre, kan ein også oppnå ei styrking av det samla arbeidstilbodet. Arbeidarpartiet synest det er leit at regjeringspartia og støttepartia ikkje her ønskjer å vere med på å utvikle ein slik strategi. Vi meiner at det ville lagt grunnlaget for å inkludere fleire av dei som i dag står utanfor arbeidslivet, inn i inntektsgjevande arbeid. Så registrerer eg til slutt at regjeringa i statsråd no før helga endeleg har fremma ei melding om verkemidla i arbeidsmarknads- og velferdspolitikken. Det er bra.

de forslag han refererte til. Vi behandler i dag fire representantforslag samlet. Det er en utfordring, for vi ønsker jo å omtale hvert forslag for seg, samtidig som vi ønsker å knytte noen kommentarer til enkeltforslag og til det som er likt i forslagene. La meg først knytte noen kommentarer til det bildet som de fire forslagene tegner når man ser på Her er det altså en tilsynelatende god idémyldring i opposisjonen. De rød-grønne mener å ha funnet flere gode tiltak for ulike grupper som sliter i arbeidslivet, og som kan tenkes å trenge hjelp for å få arbeid. Men når man ser mer kritisk på forslagene, viser det seg at det enten er litt lite innhold, at det kan være svake forslag, eller det kan være forslag som kanskje best bør ses i sammenheng med andre forslag. Det aller mest interessante er likevel følgende: Ved å flagge sine standpunkter til en rekke løsrevne tiltak så tidlig binder opposisjonen seg til masten. De går sterkt ut med argumentasjon for sine forslag og er tilsynelatende blinde for å se forslagene i en sammenheng. Når opposisjonen binder seg på denne måten, skal det bli veldig nå som regjeringen kommer med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og en melding om arbeidsmarkedet. Det skal også bli veldig spennende å høre hvordan opposisjonen reagerer på konstruktive forslag fra ekspertgruppen som nå gjennomgår Nav. Representantforslaget fra arbeiderpartirepresentantene er et godt eksempel på resirkulering av gamle forslag. De punktene som listes opp i forslaget, er i all hovedsak resirkulert fra arbeidslivsmeldingen, den forrige regjeringen la fram helt på tampen av sin regjeringstid. Faktisk er det ganske interessant å huske på hvilket tidspunkt de la fram den meldingen. Det var like før stortingsvalget, og på det tidspunktet var det klart – i hvert fall for de fleste av oss – at de rød-grønne lå meget tynt an med hensyn til å få en valgseier. De aller fleste regnet nok med et regjeringsskifte. Kan vi virkelig ta på alvor en melding som legges fram rett før valget? Kan vi virkelig tro at listen med tiltak er realistisk, og ikke kun valgkamputspill? Dette forslaget var lett når det gjaldt innhold, og tungt når det gjaldt valgkampretorikk. Det er ikke bedre i dag. Derfor er jeg glad for at den sittende regjering har en langt mer realistisk og positiv tilnærming til hvordan de med nedsatt arbeidsevne kan sikres bedre arbeidsmuligheter. Jeg er glad for at regjeringen trakk stortingsmeldingen «– Flere i arbeid», og jeg ser fram til at det kommer en ny sak med mer konkrete tiltak. Når det gjelder forslaget fra representanten Karin Andersen om å stoppe økt kommersialisering av arbeidsrettede tiltak for å sikre best mulig kvalitet og resultater i Nav, ble jeg nesten litt nostalgisk og rørt. Her er det jo det gode, gamle SV som har gjenoppstått. gjenoppstått. Da jeg begynte i politikken, lenge før Kristin Halvorsen prøvde å gjøre Sosialistisk Venstreparti til et – skal vi si – mer stuerent parti, var SV et gjenkjennelig sosialistisk parti. De var mot NATO, noe som de synes å ha feid under teppet de senere år. De var for å skatte kapitalister vesentlig strengere enn i dag og ikke gi dem skattelette, slik vi fikk høre om i finansdebatten, hvor SV faktisk foreslo at utbytteskatten skulle settes ned. Men nå er SV tilbake i god, gammel form. Det skal altså ikke være lov å tenke kommersielt når man skal hjelpe folk ut i arbeid. De som skal ut i arbeid – i hvert fall ca. halvparten av dem – skal tross alt ut i kommersielle virksomheter, men det skal ikke være lov å tenke kommersielt. Hvilket fiendebilde er det som egentlig eksisterer i representanten Karin Andersens hode? Er det virkelig så vanskelig å tenke seg at noen skal få lov til å tjene en krone eller to, mens de samtidig gjør et samfunnsnyttig arbeid? Jeg er glad for at slike tanker i all hovedsak er forvist til ytre venstre, og jeg er glad for at dagens regjering lar alle som kan bidra, få lov til å gjøre det. Å være kommersiell – eller ideell, for den saks skyld – er en berikelse i arbeidet med å sikre en best mulig kvalitet og best mulig resultater i det arbeidsrettede tiltaket. Det viktigste må være å få folk i jobb, og så får det ikke være så avgjørende viktig hvem som står bak sysselsettingstiltakene.

Men vi mener, som statsråden, at det ikke er mest formålstjenlig å innføre en rettighet som skal gjelde for alle under 25 år. Fremskrittspartiet mener det blir uheldig at man på et prinsipielt, aldersmessig kriterium nærmest skal overprøve de faglige og individuelle prioriteringene Nav-kontorene gjør. Fokusering og ressurser må rettes mot dem som har mest behov for oppfølging og tilrettelegging, samt dem som står nærmest arbeidslivet, og ikke være basert på et kategorisk kriterium som alder. Det er viktig at Navs ressurser konsentreres om dem som har størst behov, og om dem som har et reelt behov for bistand fra Nav. Det er kun med en slik politikk at Norge vil lykkes med å få flest mulig i arbeid. Fremskrittspartiet finner også at det blir en urettferdig forskjellsbehandling å lovfeste en slik rettighet kun for de personene som er under 25 år. Det er heller ikke heldig å gjøre ungdom til Nav-brukere i så ung alder.

psykisk lidelse. Av disse er mange psykisk utviklingshemmede, eller de har en utviklingsforstyrrelse. Videre er det mange som har sykdommer i nervesystemet, misdannelser eller kromosomavvik. Sett i lys av disse diagnosegruppene vil et system med jevnlig revurdering av uførepensjonen ha liten effekt for å få flere ut i arbeid. Et annet moment er for å bidra til at forholdsvis få kommer ut i arbeid. For å styrke arbeidslinjen og få flere i arbeid er det nok bedre å prioritere ressursutnyttelsen i Nav for dem som står nærmest arbeidslivet. En annen viktig mulighet som uførepensjonister har i dag, er arbeidsrettede tiltak fra Arbeids- og velferdsetaten. Dette tilbudet gis til alle uføre som har liten mulighet for at uførepensjonen kan reduseres eller bli helt borte. Sett i lys av at ekspertgruppen som nå gjennomgår Nav, vil komme med flere gode tiltak om hvordan vi skal få flere uføre i arbeid, og av at de ennå ikke har konkludert i sitt arbeid, mener Fremskrittspartiet at det er for tidlig bastant å trekke konklusjoner når det gjelder nye oppfølgingstiltak overfor unge uførepensjonister.

og jeg opplever at den meldinga som kom nå på fredag, er et godt svar på den meldinga og også med flere konkrete tiltak. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet har hatt utålmodighet og fremmet forslag til mange tiltak her. Slik jeg ser det i den situasjonen vi har nå, vil det beste være å ta med seg de innspillene og de forslagene som ligger der, og som for så vidt allerede er fanget opp i meldinga som kom på fredag, og bruke dem i arbeidet framover. Det er ingen tvil om at vi har et potensial for å bli bedre på å følge opp mennesker med nedsatt arbeidsevne som har begynt å falle ut av arbeidslivet eller som har falt og hjelpe dem tilbake igjen. Der mener jeg, som Kristelig Folkeparti har tatt opp mange ganger, at vi også har en stor jobb å gjøre med å få fortgang i arbeidet med å få mennesker på tiltak, og mennesker med nedsatt arbeidsevne, som per definisjon trenger bistand fra Nav, må få den hjelpen mye raskere. Vi kommer ikke til å støtte forslagene i sak nr. 6, men vi kommer til å ta opp igjen forslagene når vi skal behandle meldinga som nettopp er kommet. gjelder sak nr. 7, representantforslag fra SV, opplever jeg at det også for så vidt er noe som nesten er avklart i den meldinga som Stortinget nå får mulighet til å diskutere. SV ønsker å stoppe kommersialiseringa av arbeidsrettede tiltak for å sikre best mulig kvalitet og resultater i Nav. Jeg må si at jeg langt på vei er enig i mye av det som forslaget tar opp.

så tar vi opp kampen ved behandlinga av stortingsmeldinga for å sikre et best mulig attføringsløp for mennesker som er falt ut av arbeidslivet. Jeg vil også si at SVs representantforslag som er til behandling nå, mangler et viktig poeng, og det gjelder innretninga, der en har anbud kombinert med nettopp det som vi er inne på, at en har en brukergruppe med forskjellige behov, og det er det som er det store problemet. Som sagt er det noen tiltak allerede som kan fungere med noe anbud, og det som nå prøves ut av regjeringa, med støtte fra Venstre, har i andre land vist heller dårlig. Jeg har meldt klart fra til statsråden om hva Kristelig Folkeparti mener om det, og forventer også at han følger opp når det gjelder denne problematikken, som han har argumentert for at han skal gjøre. Derfor kommer jeg heller ikke til å støtte dette forslaget. Når det gjelder sak nr. 8, som gjelder unge uføre, vil jeg presisere at å være ufør er noe som en blir etter veldig lang tid, etter undersøkelser, og en har vært gjennom en rekke tiltak før en kan bli ufør. Men så er det også slik at for noen kan helsa bli bedre, og det er fantastisk hvis den blir det, og da ønsker alle å få de menneskene ut i arbeid igjen. Vi vet også at ca. en tredjedel kombinerer uføretrygd med arbeid, og forhåpentligvis kan de kanskje komme litt tilbake. tilbake. Derfor mener jeg at forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet og forslag nr. 2, fra SV og som handler om å gi de som ønsker det, en ny helsevurdering pluss muligheten til å kunne få arbeidsmarkedstiltak, er gode forslag, en god idé, og minner veldig sterkt om det forslaget Kristelig Folkeparti fremmet i forbindelse med den nye uførereformen som ble behandlet i denne sal for noen år tilbake. år tilbake. Vi argumenterte nettopp med det samme, at hvis det er uføre, særlig unge uføre, som ser at helsa blir bedre, så bør vi kunne gi dem mulighet til å få helsevurdering og til å kunne få arbeidsmarkedstiltak for å hjelpe dem tilbake. Vi kommer til å støtte forslag nr. 1, men jeg regner med, som flere før meg har understreket, at dette blir en del av behandlinga av 9 gjelder rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet eller jobb innen tre måneder for unge under 25 år. Det er heldigvis sånn at det er relativt lav arbeidsledighet i Norge, men jeg er glad for at komiteen og statsråden understreker at det må gjøres enda mer for å hindre at ungdom er uten jobb eller utdanning. Det viser seg at det her er mange tiltak allerede,

hele løpet i sammenheng for der er det mange skjæringspunkter. Det som ligger i forslag nr. 1 her, som peker mot meldinga, og som er et godt forslag til hvordan en skal få ungdom uten arbeid og uten utdanning, inn i arbeid, synes jeg er et godt forslag, så det ønsker vi å støtte.

om å inkludere fleire. Det er det tverrpolitisk einigheit om. At folk i arbeidsfør alder blir gåande ledige, anten på grunn av helseplager eller mangel på arbeidstilbod, er det absolutt ingen som tener på. Seinast i dag kunne vi på NRK høyre om at unge vaksne i eit tal som svarar til ein mellomstor norsk by, 40 000, går ledige utan eingong å ha vorte fanga opp av Nav-systemet. Vi har rett nok inga arbeidsplikt i dette landet, men som politikarar har vi ei plikt til å sørgje for at det løner seg å jobbe for den enkelte, at velferdssystemet oppmodar til aktivitet og arbeidsinnsats, ikkje passivitet, og at det same systemet er raust nok for dei som ikkje kan jobbe. Så til dei konkrete forslaga: Først til representantforslaget frå Karin Andersen. Det er ingen tvil om at det har vore ei viss uro i attføringsbransjen etter dei varsla forskriftsendringane frå regjeringa. Sånn sett er det nyttig at denne debatten blir løfta inn i salen. Venstre støttar like fullt forslaga som regjeringa har kome med og sett i verk, om å slå saman dagens avklarings- og oppfølgingstiltak, for det første fordi det allereie i stortingsmeldinga Flere i arbeid frå den raud-grøne regjeringa vart varsla at dagens praksis truleg var i strid med innkjøpsregelverket, og at dette var noko ein måtte kome tilbake til. No har ein kome tilbake til det. For det andre trur Venstre at dei føreslåtte endringane som no blir gjennomførte, kan gje brukarane av avklarings- og attføringstenester større valfridom og auka mangfald i tenestetilbodet. Når ein no opnar for at fleire aktørar kan vere med og gje sine bidrag til dette viktige arbeidet, også når dei ikkje har kommunal aksjemajoritet, så er det å forvente at vi får sjå ein auka kvalitet i det samla tilbodet for brukarane. Det er viktig at tilbydarane av sånne tenester blir vurderte på bakgrunn av nettopp kvaliteten dei tilbyr, og ikkje berre aksjonærane som står bak. Når det er sagt, kan det vere utfordrande å utforme gode nok anbod som i tilstrekkeleg grad måler denne kvaliteten på ein god måte. Derfor vil eg seie, på vegner av Venstre, at det er all grunn til å følgje nøye med framover og forsikre seg om at dei endringane som no trer i kraft, faktisk fører til gode resultat. Her kviler det eit ansvar på statsråden, og Venstre har tiltru til og forventningar om at regjeringa vil følgje det opp på ein god måte framover. Så til representantforslaget frå Arbeidarpartiet: Det forslaget adresserer ei svært viktig utfordring, nemleg at hundretusenvis av nordmenn i arbeidsfør alder dessverre står utanfor arbeidslivet på grunn av nedsett arbeidsevne. Ikkje noko anna land brukar større del av sitt BNP på helserelaterte trygdeytingar enn nettopp Noreg. Særleg når det gjeld situasjonen for dei med nedsett funksjonsevne, er det dessverre stor grunn til uro. Der har nemleg utviklinga gått feil veg, stikk i strid med målsetjingane i IA-avtalen. Denne utanforskapen er det viktig å ta tak i, og eg oppfattar i stor grad at dette er eit tverrpolitisk mål. Fleire av forslaga frå Arbeidarpartiet er henta frå stortingsmeldinga Flere i arbeid, som vart trekt tilbake av Høgre–Framstegsparti-regjeringa. Departementet la fram den nye stortingsmeldinga om dette temaet her føregåande fredag, og eg ser fram til å gå djupare inn i problemstillingane der. Venstre ser det også som naturleg at ein del av forslaga i representantforslaget frå Arbeidarpartiet blir vurderte i behandlinga av den nye stortingsmeldinga. Her er det absolutt ein del tiltak som er verdt å sjå nærare på, sjølv om Venstre definitivt ikkje er einig i alle. Meldinga som vart lagd fram no på fredag, gjev etter mitt syn – slik Kristeleg Folkeparti også nemnde – eit godt grunnlag for ein god diskusjon i Stortinget. Det same gjeld for så vidt representantforslaga frå SV, sakene nr. 8 og 9. Det er også element der som kan vere verdt å vurdere vidare når vi skal sjå dette i ein større samanheng, både på bakgrunn av meldinga som er lagd fram, og på bakgrunn av arbeidet til Nav-utvalet. Eg vil seie at særleg Dokument 8:97, som handlar om unge uføre og moglegheita for betre tilgang til hjelp og tiltak frå Nav, er eit forslag eg har sympati for, og som det er naturleg å sjå på i det vidare arbeidet med å inkludere fleire i arbeidslivet. Så vil eg også seie til slutt at når ein høyrde på den førre debatten, om budsjettet osv., så var det fort gjort å få eit inntrykk av – iallfall når ein høyrde på enkelte representantar – at er ein ufør, står ein utanfor arbeidslivet, så er det på ein måte ikkje noko håp, då er ein det. Eg er glad for at det gjennom mange av forslaga vi her diskuterer, kjem tydeleg fram at det er veldig mange som har ei arbeidsevne, som kan nytte den arbeidsevna, og som vil kunne gjere det og vere positive bidragsytarar både til samfunnet og til si eiga helse gjennom at ein har gode økonomiske verkemiddel og incentiv for at det skal skje. Det trur eg er eit syn på verkelegheita som vi bør samle oss Hvem skal velferdsstaten romme? Hva slags hjelp skal hjelpetrengende få? Og hvordan skal vi kunne klare å lage en arbeidslinje som folk kan balansere på uten å ramle utenfor? Det er noen av flere spørsmål som tas opp i de forslagene som er nå. Dessverre synes jeg at vi ser et større skille i komiteens behandling av sakene enn det som egentlig har kommet fram på talerstolen her. For det bør jo være sånn at man kan samles om gode forslag man tror på om viktig politikk, om man mener de er riktige, uavhengig av når de fremmes, eller hvem som gjør det. Bare en kommentar til forrige debatt: Regjeringserklæringen sier at at hullene i sikkerhetsnettet skal tettes. Jeg kan absolutt se at Kristelig Folkeparti sitter med nål og tråd og syr febrilsk i et forsøk på å tette noe, men problemet er at i den andre enden har du Høyre og Fremskrittspartiet med hver sin saks, som sørger for at sikkerhetsnettet får stadig større hull.

bedre. Det er også våre forslag eksempler på. Vi vet at vi kan bedre, både som samfunn og som ansatte i velferdsstaten. Da må ansatte på Nav få gode muligheter til å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon. Det krever et nært Nav, et Nav som er til stede der folk bor, med åpne dører og med tillit i lokalsamfunnet og kjennskap til det lokale næringslivet. Det krever et Nav der man får bruke faglig skjønn og med mindre firkantede, rigide systemer, der man får mulighet å se den enkelte. Og det krever et Nav der ressurser og virkemidler svarer til de utfordringene som faktisk finnes. Vi må sørge for

det. I dag ble det kjent, som det også har blitt nevnt, at 40 000 unge er helt ute fra arbeidsliv, fra Nav, fra noen form for oppfølging. Jeg hørte et intervju med en av disse ungdommene på radioen i sted, og han sa at han fryktet at det tok så lang tid, og at det uansett var lite hjelp å hente om han tok kontakt med Nav. Derfor ble det liksom ikke til at han gjorde det. det. Dessverre er det en beskrivelse av en opplevelse som altfor mange har. Det vil vi gjøre noe med. Da synes jeg det er interessant å høre Fremskrittspartiet, som sier at de som skal få hjelp, er de som står nærmest arbeidslivet – det er de som skal prioriteres – når vi vet at det ungdom, og iallfall ikke de 40 000 det var snakk om på radioen og i nyhetsbildet i dag. Ungdom er i en spesiell stilling. Ungdom er i en sårbar stilling i arbeidslivet. Når arbeidsløsheten stiger, er det ungdom som er særlig utsatt. Ungdom har ofte liten arbeidserfaring og har veldig ofte behov for kvalifisering. Man er ikke foretrukket arbeidskraft som ung. Samtidig er ungdommen en av de aller viktigste ressursene vi har i samfunnet vårt. Det er framtiden vår. Det er sløsing av verste sort å la unge mennesker gå uten arbeid eller uten meningsfull aktivitet – det er sløsing både med den enkeltes liv og dager og ikke minst med samfunnets ressurser. Derfor vil SV ha en ungdomsgaranti med innhold, en ungdomsgaranti som virker, og som vil utløse nødvendige midler for de tiltakene som trengs. I tillegg til ungdomsgarantien vil SV at unge uføre skal få rett til oppfølging på lik linje med dem som i dag mottar arbeidsavklaringspenger. Og hva handler egentlig det om? Jo, det handler om at livssituasjonen kan endre seg, og at en

så kort som overhodet mulig. Men det handler også om den enkeltes livskvalitet og muligheten til å få hjelp og oppfølging i det som kan være en livssituasjon. Så en kommentar knyttet til forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Det kan leses som om det skal åpnes opp for en revurdering av uføretrygden hvert andre år. Derfor var jeg skeptisk til det. Er det noe den gruppen ikke trenger, er det usikkerhet rundt ytelser og situasjon. SV er på prinsipielt grunnlag imot at fellesskapets midler skal gå til profitt for private selskaper – det har Høyre helt rett i. Vi tror heller ikke at markedsmekanismer svarer på våre viktigste utfordringer, eller at det er den mest effektive måten å gi gode tilbud på. Derimot tror vi på trygge vilkår, på stabilitet, for å sikre den kvaliteten som trengs i tiltak, og for å sikre at det er tiltak som skal tilpasses enkeltmennesket, ikke mennesket som skal passe inn i tiltakene. Avslutningsvis vil jeg si at jeg synes det er leit at det ikke er flertall for forslaget om en strategi for mennesker med nedsatt arbeidsevne, selv om det er positivt at mange har meldt at de berømmer forslaget, sammen med de andre forslagene som er reist, og ser fram til en debatt om det. Av og til blir de rød-grønne kritisert for ikke å være konstruktive nok. Jeg vil oppfordre våre venner i komiteen fra andre partier til å se på forslagene og ikke bare på hvem som stiller dem. Med dette tar jeg opp SVs forslag. Representanten Kirsti Bergstø har hatt opp

hvilke forslag man fremmer og hvilke muligheter som gis for å kunne hjelpe flere tilbake. Det tror jeg nok at vi har litt ulik oppfatning om. La meg starte med å si hvorfor denne regjeringen valgte å trekke forslaget og stortingsmeldingen Flere i arbeid som kom fra den forrige regjeringen. Det var flere grunner til det. For det første mener jeg at meldingen ikke var ambisiøs nok til å kunne hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. Jeg registrerer at representantforslaget vi behandler i dag, baserer seg på denne meldingen. Flere av forslagene i den meldingen krevde både ytterligere utredning og konkretisering. Det er ikke tatt opp i representantforslagene. Derfor er jeg glad for at regjeringen nå på fredag la fram en proposisjon med en meldingsdel med klarere innretning på hvordan man skulle sørge for å hjelpe flere tilbake til arbeidslivet. Jeg er glad for at vi har fått en ny oppfølgings- og tilretteleggingsavtale som betyr at bedriftene og den enkelte får en kontaktperson i Nav, og at det skal følges opp kontinuerlig. Det tror jeg er bra. En av de store utfordringene har vært at man ikke har klart å følge opp godt nok. Det at man nå legger til rette for å få til en oppfølging, viser at denne regjeringen tar utfordringen på alvor. I tillegg er det I tillegg er det viktig at man nå klarer å få på plass en ordning der man har et nytt inkluderingstilskudd og et nytt oppfølgings- og tilretteleggingstilskudd. Det gamle tilretteleggingstilskuddet var, som man kjenner til, sånn at man overførte et beløp til driftsstøtte til en arbeidsgiver som tok imot en person. Det var ingen garanti for at det ble en god tilrettelegging. Ved at midlene nå må brukes til tilrettelegging, vil flere få mulighet til å få en tilrettelagt arbeidsplass, sånn som Namsen auto i Grong i Nord-Trøndelag gjorde for Steffen Johansen, 24 år og lam fra brystet og ned. Man får en kontaktperson i Nav, der man følger opp og finner ut hvilken tilrettelegging som skal til. man bruke midlene for å få på plass den nødvendige heisen, slik at han kan styre og ha orden på delelageret, sørve mekanikerne på en god og riktig måte og fungere i arbeidslivet. Det mener jeg er mer målstyring av midlene som gjør at man faktisk kan få bedre resultater. Det at man nå legger om lønnstilskuddsordningen og sier at man har en varig lønnstilskuddsordning for dem som står i fare for å bli uføretrygdet, og at de menneskene kan få det lønnstilskuddet helt frem til de blir pensjonister, vil gjøre det mulig og lettere for bedrifter å kunne ta imot en person og la ham få lov til å bli med i en arbeidssituasjon. Ketil var en av dem som jeg også møtte på onsdag. Han er godt oppi femtiårene, hadde hatt en stor knekk i livet og hadde utfordringer med å kunne komme tilbake til arbeidslivet. Han var, som det ble sagt fra Nav, en helt klar og opplagt person til å bli varig uføretrygdet. Med den nye lønnstilskuddsordningen sier både Nav og bedriften at Ketil faktisk kan få mulighet til å delta i arbeidslivet frem til Det er et målrettet virkemiddel som vi tror vil fungere bedre. Derfor har vi valgt å legge frem egen politikk på dette området. Jeg synes det er bra at man nå også peker på og kommer med flere forslag knyttet til arbeidsavklaringspengene. Som kjent er det i gang flere evalueringer på det området. De vil bli lagt frem i nær framtid. og vi skal også legge frem politikk på området – som også er varslet i meldingen som ble lagt frem på fredag. Da vil vi komme tilbake og se på både inngangskravene, gradering, stønadslengde og aktivitetskrav. Det er ting som vil bli vurdert. For å kommentere SVs forslag knyttet til om de som er uføretrygdet, skal få samme muligheten til arbeidsrettet oppfølging som de som går på

altså at man setter inn tidligere og mer målrettet innsats for å forhindre uføretrygding, i stedet for at man først blir uføretrygdet og deretter skal begynne med oppfølgingen. Jeg har mer tro på tidligere og rett innsats enn det som kommer frem i representantforslaget. Samtidig ligger allerede de mulighetene i dagens regelverk. Jeg har lyst til å si litt om anbud og

Anbud har vi hatt på avklarings- og oppfølgingstiltakene. Men vi har hatt en ordning som er slik at på noen få plasser kan alle få lov til å bli med og legge inn anbud, mens majoriteten av oppfølgings- og avklaringstiltakene gir man bare gjennom en godkjenningsordning. Når jeg ser at gode sosiale entreprenører, som KREM, Pøbelprosjektet m.fl., lykkes med å utvikle gode metoder for å få flere lykkes med å utvikle gode metoder for å få flere folk tilbake til arbeidslivet for bedre avklaring og god oppfølging, da synes jeg det blir rart – hvis målet er å hjelpe flere tilbake til arbeidslivet – at man ikke skal ta i bruk kompetansen på en god måte, ta i bruk den lærdommen og også la dem få lov til å bli med og bidra og kvalifisere folk tilbake til arbeidslivet på like vilkår med alle andre. Det er faktisk sånn at at de arbeidsmarkedsbedriftene som har høy kompetanse og gjør en god jobb, vinner også de fleste anbudene på området. Det betyr at det ikke vil bli en maktforskyvning, og at det ene utraderer det andre. Man snakker om store kommersielle aktører. Jeg kjenner ikke én stor kommersiell aktør utenfor landets grenser som står og banker på døra for å komme inn og overta arbeidsmarkedspolitikken vår. Kan noen si meg hva den store kommersielle aktøren heter, og hvor den er? Jeg vil gjerne vite det, sånn at vi i alle fall kan lage god bestillerpolitikk fra Nav når vi skal bestille tjenestene som fungerer best for folkene som skal tilbake til arbeidslivet. Derfor tror jeg det er viktig at man fokuserer på dette. Men jeg tror også det er viktig at man tar utgangspunkt

tre til seks måneder for deretter å bli sendt tilbake til Nav, og så blir man sendt til en ny bedrift uten oppfølging for så å bli sendt tilbake til Nav. Jeg mener at dette ikke er noen god måte å drive kvalifisering på. Da har vi heller et nytt arbeidstreningstiltak i ordinær virksomhet som også forplikter Nav til å bli med på å følge opp arbeidsgiver, følge opp den enkelte – og som også kan kombineres med lønnstilskudd hvis man etterpå velger å satse på å ansette personen fast.

og forslag til løsninger som ligger i meldingen. Men jeg gleder meg til å komme tilbake til Stortinget og diskutere den meldingen. Jeg er overbevist om at vi også der kan finne gode flertall i denne sal og få mer spisset virkemiddelbruk som vil hjelpe flere som står utenfor, inn i arbeidslivet. Det blir replikkordskifte. Det er viktig med tidligere og tettere oppfølging, spesielt av ungdom i

innførte i 2013-budsjettet en forsterket ungdomsgaranti som de kalte ungdomsløftet. Den gikk ut på at vi satte av 35 mill. kr til ungdomskoordinatorer i Nav-systemet, slik at alle unge i møte med Nav i løpet av én måned med én saksbehandler skulle få sin egen aktivitetsplan som inneholdt de tiltakene den enkelte ungdommen trengte – en plan for veien ut i arbeid og aktivitet. Jeg var ivrig etter å se hvordan den ble fulgt opp og stilte statsråden et spørsmål om oppnåelsen av garantien for ett år siden. Da sa statsråden at den akkurat hadde begynt å virke, og at han skulle sørge for en bedre måloppnåelse med den nye garantien enn den forrige hadde. Hva har statsråden gjort for å sørge for at ungdomsløftet blir oppfylt? Vi gjør flere ting. For det første gjør vi Nav i stand til å bli flinkere til å følge opp dem som trenger hjelp, tettere oppfølging inn mot arbeidsplass, inn mot den enkelte ungdommen, og vi bruker mindre tid på skjemaer og mer tid på oppfølging. Det er bra. Men ennå lykkes vi ikke godt nok, ennå er det fortsatt altfor mange som ikke får gleden av å få en overgang til arbeidslivet. Jeg synes det på mange måter er litt synd, og det er betenkelig at vi ikke klarer å få flere over. Hvis du sammenlikner 2013-tallene med 2006-tallene, er det like mange som vi ikke klarer å få inn i arbeidslivet etter x antall år med Nav-reformen, som det var før vi startet Nav-reformen. Det er betenkelig. Det er også derfor vi nå har satt ned

ville se på muligheten av et varig lønnstilskudd for dem som står i fare for å bli uføretrygdet fram til 67 år – også et interessant forslag. Vi vet at det er mange som ikke er syke nok til å bli uføretrygdet, samtidig som de er så syke og slitne at vil kunne stå i arbeid hver dag. Derfor er det få arbeidsgivere som er villige til å ta belastninga med å ha personer hos seg som har et slikt forhold til arbeidslivet. Jeg kunne spørre: Hvor stort omfang ser statsråden at en slik ordning vil få? Her snakker vi om mange mennesker og store penger som må flyttes, for å få til det som er statsrådens intensjon. Jeg takker for spørsmålet. Det er et stort og viktig spørsmål, og jeg skal ikke begynne å driste meg til å tallfeste det. Men det jeg i hvert fall kan si, er at i dag bruker vi samlet over 1 mrd. kr på lønnstilskuddsordninger. Det er litt i overkant av 5 000 mennesker som får delta i dem. Det forteller meg at vi får for lite ut av de midlene vi allerede i dag bruker. Jeg ønsker en mer ambisiøs bruk av lønnstilskudd – spesielt også et varig lønnstilskudd – og håper også at vi kan få mer ut av det lønnstilskuddet enn det vi har lønnstilskudd – spesielt også et varig lønnstilskudd – og håper også at vi kan få mer ut av det lønnstilskuddet enn det vi har fått ut av tidligere lønnstilskudd. Uten at jeg tallfester hvor mange det nå kan hjelpe, håper jeg at flest mulig som står i fare for å havne på varig uføretrygd, men som har en arbeidsevne, og som kan bidra, får muligheten til å ta et lønnstilskudd og være på en arbeidsplass i stedet for å bli stemplet varig ut. Så vil jeg til å bruke disse mulighetene og ansette også disse menneskene og å bli flinkere til å ta denne arbeidskraften i bruk. Statsråden refererte også til ungdom. Mange ungdommer har kanskje problemer med rus og psykiske problemer, er i den sårbare alderen 20–25 år, og har verken arbeid eller utdanning. SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer i innstillinga på dette punktet forslag om såkalte lærekandidater, hvor arbeidsgiver får økonomisk støtte til å ansette disse ungdommene som lærekandidater. Jeg skulle gjerne hatt statsrådens nærmere vurdering av dette forslaget, og hvorfor ikke statsråden går inn for at det kan være med i vurderinga av de tiltakene som kommer i den kommende meldinga. Meldingen er allerede lagt frem. Den ble lagt frem nå på fredag, og det er litt vanskelig å ta inn forslag i en melding som allerede er gått til statsråd og overlevert Stortinget. Lærekandidatordningen ligger også under en annen statsråd, som egentlig bør svare på bruken av den. Det jeg er opptatt av, er å sørge for at vi får mer målstyrt oppfølging gjennom Nav, bedre virkemidler til å følge opp den enkelte, og den enkelte ungdom. Det er derfor vi også skal gå i gang med å se på bl.a. arbeidsavklaringspengeordningen. Kanskje bør det være slik at nettopp den gruppen representanten Lundteigen peker på, folk med psykiske lidelser, folk med rusbakgrunn, kanskje med kroniske sykdommer kanskje også kombinert med psykiatri, kan få et lengre og tettere oppfølgningsløp. Jeg tror de individuelle avtalene vi til nå har nettopp fordi vi ikke har klart å få til den overgangen til arbeid som vi hadde ønsket oss. Da tror jeg vi må gå gjennom ordningen på nytt, både inngangsvilkårene, stønadslengden og oppfølgingsregimet rundt den, for å sikre bedre oppfølging for den enkelte og bedre overgang til arbeid. Statsråden avviser at unge uføre skal få rett til oppfølging fordi muligheten for oppfølging er til stede. Da tenker jeg at det er viktig å minne om at man også i dag har mulighet til å sette arbeid eller aktivitet som vilkår for sosialhjelp. Men min interesse har falt på en snuoperasjon knyttet til dette med konkurranseutsetting av tiltak: Daværende stortingsrepresentant Eriksson argumenterte sterkt imot en slik type kommersialisering og konkurranseutsetting med bakgrunn i at han fryktet et smalere tilbud. Hva er det statsråd Eriksson mener har endret seg siden da? For det første argumenterte jeg den gangen – som jeg gjør fortsatt – med at man ikke ønsket anbud på skjermet arbeidsmiljø. Det er det heller ikke lagt ut noe anbud på. Samtidig har jeg sett effekten av at det er flere nye aktører, at det er flere som lykkes i stor grad. Mitt politiske mål, det viktigste for meg, er ikke hvem som får lov til å kvalifisere folkene; det viktigste er at folk blir kvalifisert, at det blir større overgang til arbeidslivet. Når jeg ser – med årenes gang – at det finnes en masse gode krefter der ute, ja, så vil jeg ta i bruk de gode kreftene, nettopp for å sørge for at vi får større overgang til arbeidslivet. Det å bli sitert på noe man mente for x antall år siden, er sikkert interessant for en opposisjon. Jeg synes det er mest interessant som arbeidsminister å følge utviklingen hver eneste dag, lære av det som fungerer, og bruke det som fungerer. Har jeg tatt feil tidligere, ja, så har jeg tatt feil tidligere, men da bruker jeg iallfall det som fungerer best mulig, og det vil jeg også gjøre i fremtiden. Jeg vil ikke være like

nettopp for å forsterke innsatsen rettet mot ungdomsgruppen, følge dem opp tettere og raskere med én saksbehandler, slik at de ikke skulle vingle mellom flere. Men som vi vet, er alt dette – hvis det skal fungere – avhengig av at man er på Nav i styringsdialogen. Derfor lurer jeg på: Hva har statsråden gjort for å sørge for at intensjonen i at ungdom blir prioritert, og at det også blir prioritert å ha én saksbehandler, slik at de ikke blir virrende rundt i systemet? For det første skal vi fra neste år legge om bl.a. med en Nav-veileder ute på de videregående skolene for å følge opp ungdom og forhindre drop-out. Det er ett tiltak jeg har god tro på. Jeg tror som sagt på tidligere innsats, det å sørge for at vi kan gå inn i skolene med god karriereveiledning og god oppfølging, både for å forhindre drop-out og for å sikre at ungdom kommer på den rette vei utdanningsmessig. Det tror jeg er bra, det er viktig, og det er et riktig tiltak for å sikre god, rett oppfølging for de ungdommene. Replikkordskiftet er over. Arbeid til alle og arbeidslinjen har alltid vært kjernen i Arbeiderpartiets politikk. En forutsetning for at arbeidslinjen skal være reell, er

er et veldig godt eksempel på hvordan en aktiv arbeidsmarkedspolitikk kan se ut, og hvordan den kan fungere. Man innførte en garantiordning for ungdom nettopp fordi man så at ungdomsledigheten var høyere enn ledigheten i andre grupper. Man innførte en garanti som gikk på tiltak, og den virket – man så at ledigheten gikk ned. Så tok – dessverre, må jeg si – den høyredominerte Bondevik-regjeringen over og fjernet garantiordningene. Man førte altså ikke lenger en aktiv arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom. Og hva skjedde? Jo, ledigheten gikk opp. Da de rød-grønne tok over i 2005, var en av de første tingene vi gjorde, å gjeninnføre ungdomsgarantiene, nettopp fordi vi så at ledigheten blant unge var høyere enn blant voksne. En av våre prioriteringer var nettopp å gjøre den inkluderende arbeidslinjen reell og få flere inn i arbeid og aktivitet – vi gjeninnførte garantiene, de begynte å virke. Så evaluerte vi dem etter noen år i regjering, i forrige periode, og vi fikk høre og kom til at de hadde for dårlig måloppnåelse. Da den rapporten kom, gikk Høyres daværende talsperson, Torbjørn Røe Isaksen, ut i VG og sa: Se her, måloppnåelsen er for lav, vi vil fjerne garantiene. Arbeiderpartiet hadde en annen vei. Vi sa i samme avis samme dag: Vi ser at måloppnåelsen er for dårlig, vi vil styrke garantiene. Dette er den tradisjonelle skillelinjen mellom Arbeiderpartiet og høyresiden i norsk politikk. Vi fører en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Når vi ser at den ikke fungerer, styrker vi den. Høyresiden har en mer passiv linje. De gikk inn for å fjerne ordningene fordi de ikke var gode nok. Så gikk vi og spurte: Hva trenger dere for å gjøre disse garantiene reelle? Da sier Nav: Jo, vi trenger penger til oppfølging, vi trenger å frigjøre personell. Vi lagde en ny ordning som vi kalte ungdomsløftet, som egentlig bare var to enkle ting: penger til ungdomskoordinatorer på de største Nav-kontorene, slik at alle ungdommer som kommer til Nav, i løpet av én måned med én saksbehandler, skal ha en aktivitetsplan som skal være den ungdommens – hva skal jeg si – resept og oppskrift på veien ut i arbeid og aktivitet, nettopp fordi vi vet at det er avgjørende at spesielt unge blir snudd i døren tidlig, blir hjulpet tidlig. Som jeg sa i replikkordskiftet med statsråden, er vi avhengig av at regjeringen og statsråden i sin styringsdialog med Nav sørger for at denne garantien, dette ungdomsløftet, blir realisert. Vi har en forventning om at statsråden sørger for nettopp det, sørger for at ungdomskoordinatorene er på plass, blir værende, og at Nav i styringsdialogen får klare instrukser om at dette er prioritert. Får man til det, mener vi at intensjonene i de representantforslagene som vi behandler her i dag, blir ivaretatt. Da blir hver enkelt ungdom møtt i døren og sett på som de individene de er, med de behovene de har, og møtt ut fra det på en rask, effektiv og enkel måte. Det er

et mål for regjeringen å få flere i arbeid. Arbeid gir muligheter for å møte andre mennesker, skape seg sosiale nettverk, men også mulighet for egen inntekt som gir økt livskvalitet og mulighet til å klare seg selv. For de som har nedsatt funksjonsevne, må det gis mulighet for å tilrettelegge slik at man kan være en aktiv deltaker i arbeidslivet. Nedsatt funksjonsevne er ikke det samme som 45 for 2012–2013, med tittelen Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming, vektlegger FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, som ble vedtatt av FNs hovedforsamling i desember 2006. Konvensjonens hovedmål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Meldingen og konvensjonen er tydelig på at dette også skal gjelde i arbeidslivet. Det er derfor viktig å kunne tilpasse arbeidshverdagen for hver og en slik at man kan bruke sine kreative ressurser i størst mulig grad. Da regjeringen nedsatte en ekspertgruppe for å gjennomgå arbeids- og velferdsforvaltningen, var dette for å vurdere mulige endringer som kan gjøre organisasjonen bedre i stand til å nå hovedmålene for arbeids- og velferdspolitikken. En viktig del av ekspertgruppens arbeid er å identifisere og foreslå tiltak slik at Nav-kontoret kan sikre god brukermedvirkning og gi gode brukeropplevelser. Det er også viktig at arbeidsgivere får en mulighet til å ha en fast kontaktperson i Nav som kan veilede arbeidsgivere i støtteordningene som Nav rår over, og skreddersy disse til arbeidstakere som ønsker Vi har tidligere hatt arbeidsinnvandring til Norge da man reiste fra Tyrkia, Pakistan og Europa til Norge og fikk arbeid i industribedrifter. Dette var en tid der man gjennom sitt arbeid fikk lønn og kunne etablere seg med sin familie i Norge. Utfordringene i dag er større, og vi har internasjonale forpliktelser til å ta imot mennesker som kommer fra krigsherjede områder, noen også traumatiserte. Disse utfordringene stiller Nav overfor store og krevende oppgaver når man skal tilrettelegge for deltakelse i arbeidslivet. Økt kulturkompetanse, språk og arbeidsmarkedskompetanse vil stå sentralt. Deltakelse i arbeidslivet gir økt mulighet for bedre integrering, bedre mulighet til å etablere sosiale nettverk, men også språkkunnskaper. Det er vanskelig å se at man kan lykkes med integrering uten at man blir deltaker i arbeidsmarkedet eller velger å ta seg utdanning. For mange kan midlertidig tilsetting være en vei inn i arbeidsmarkedet, for senere å bli fast ansatt. For de fleste er arbeid målet, men for noen kan det være problemer som gjør at de ikke kan delta uten at man får til endringer i familiesituasjonen. Dette kan være problemer knyttet til psykiatri, men også rusproblematikk eller tradisjonelle utfordringer i familierelasjoner. Familievernet i Region øst utga en spennende rapport i 2014 med tittelen Gode Relasjoner – vårt oppdrag. Oppvekstvilkårene og Politiske og samfunnsmessige trender bidrar til at synet på foreldrerollen forandrer og utvikler seg. Hvilke behov ser dagens foreldre for informasjon, kompetanse og kunnskap om det å være foreldre? Kan det være slik at mange av utfordringene for ungdom mellom 18 og 24 år som enten slutter på skolen eller i arbeidet, er av familiemessig art i forhold til nye utfordringer i foreldrerollen? Er det situasjonen, vil ikke det å registrere seg som arbeidssøker hos Nav alene være løsningen. Aktivitetsplikt i stedet for at de mottar passive ytelser, kan for noen av disse ungdommene gi gode resultater. De vil få bedre oppfølging, en strukturert hverdag, hjelp til jobbsøking og et sosialt treffsted. Nav står overfor store utfordringer. Det har blitt en stor organisasjon som kanskje er for stor. Det blir interessant å se hva ekspertutvalget vil konkludere med. Uavhengig av dette bør man vurdere å samarbeide tettere med frivillige lag og foreninger. De sitter på en unik kompetanse. Tjenestene i Nav bør flyttes nærmere der brukeren er, selv om dette er på skoler eller i folks nærmiljøer. Kanskje man burde samarbeidet tettere med lokalsamfunnsutvalg. Det samme gjelder innvandrerorganisasjoner. Disse organisasjonene sitter på en unik kompetanse og kjennskap til kulturelle koder. Kan dette være en mulighet til å arbeide mer målrettet for å få innvandrere ut i arbeidslivet? Arbeid og familie er to sider av samme sak. Mennesker må være for offentlige velferdsordninger, men det krever at systemet ser individet. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det er i utgangspunktet gledelig at vi nå har fått ikke ett, ikke to og ikke tre, men fire forslag som handler om Nav og om innholdet i Nav, og hvordan man i utgangspunktet kan forbedre Nav. Vi vet, som vi var inne på i en debatt tidligere i dag, at det var stillstand i mer eller mindre åtte år og et forsvar av det bestående. Da er det i hvert fall gledelig at vi nå får debatten over på at det er flere områder innenfor Nav som ikke fungerer, og som vi bør forbedre. Men samtidig er det sånn at man kan komme langt med gode intensjoner, men det er fortsatt mye mer som trengs. For mer av en politikk som ikke har virket, er sjelden en god idé. Jeg mener at i flere av disse forslagene vi har til behandling her i dag, er det snakk om å videreføre og forsterke tiltak som er prøvd, men som heller ikke virker. La meg ta det ene, som handler om å stoppe kommersialiseringen, eller stoppe mangfoldet i arbeidsrettede tiltak. Vi i Fremskrittspartiet har heller tro på at vi trenger mer mangfold når det gjelder arbeidsrettede tiltak. Vi trenger flere kloke hoder og flere hender som kan bidra til å hjelpe folk ut i arbeidslivet. Om det er noen som i utgangspunktet tjener noen penger på det, bekymrer meg lite, for det viktigste er å hjelpe folk ut i arbeid. Man snakker også om at de kommersielle er nesten farlige. Jeg må innrømme at det var en interessant debatt vi hadde i denne sal for en måneds tid siden, da vi hadde besøk av bl.a. Erlandsens Conditori. De viste tydelig at private bedrifter kan være et godt supplement, og kan bidra til å få mennesker ut i varig arbeid, med hjelp og støtte fra det offentlige. Så har det vært snakk om forslaget om ungdomsgaranti. Alle er enige om at ungdom er en viktig ressurs, på lik linje med at eldre er en viktig ressurs. Men det jeg tror ungdom trenger, er ikke fagre, politisk vedtatte mål, ambisjoner, lovnader og flere valgløfter. Det ungdom trenger for å kunne komme seg ut i arbeid, er faktisk studieplasser og en utdanning som sørger for at de er godt skolert. Ikke minst trenger vi arbeidsplassene som også er tilpasset de behovene ungdommene har. Det er akkurat den debatten vi har vært innom tidligere i dag også, og som vil fortsette neste år, at vi trenger en regjering som gjør porten videre, gjør det enklere for flere å komme inn i arbeidslivet. Det er jeg glad for at regjeringen er i full gang med. Det er få ting som er vakrere enn ungdommens energi, pågangsmot og optimisme. På samme måte er det få ting som er mer vemodig enn når de Det er få ting som er vakrere enn ungdommens energi, pågangsmot og optimisme. På samme måte er det få ting som er mer vemodig enn når de unge mister håpet og faller fra. Den forsømmelsen vi har sett den oppvoksende generasjonen i Europa opplever i forbindelse med krisen, har og vil få vidtrekkende konsekvenser i tiden som kommer. med Europa har vi relativt lav ungdomsledighet, men den er fortsatt altfor høy, som NRK kunne melde om i dag. Framtiden må formes politisk, og da er det avgjørende med jobb til de unge. Det er et viktig prinsipp at man har et sikkerhetsnett i arbeidslivet, sånn som arbeidsledighetstrygd, sykelønnsordninger, permisjoner osv. Ungdom med liten eller ingen jobberfaring har ikke de samme rettighetene, og bare en garanti vil utløse de midlene som skal til for at ungdom skal få den satsingen framtiden fortjener. For de ungdommene som ikke kommer seg videre med arbeid, representerer det ofte en personlig katastrofe, men det er også et samfunnsproblem, fordi de dette gjelder, havner fort på Jeg finner det veldig underlig at etablerte voksne får sponset boliger de ikke engang bor i, samtidig som studenter lever på smuler og bruker studielånet sitt på å betale de samme etablerte voksne. Det er underlig at regjeringen ivrer etter å gi store pengegaver til landets rikeste gjennom å fjerne formuesskatten. Visst begrunner de det med arbeidsplasser, men like visst er brorparten av økonomer i Norge uenig i den effekten. Bare en garanti vil gi den satsingen som ungdommen fortjener. Jeg er overbevist om at det vil få flere i arbeid, men dessverre er ikke ungdom som faller fra, prioritert på samme måte som privilegerte voksne av denne regjeringen. Man lærer tidlig at politikk handler om prioriteringer. Et par år seinere erfarer altfor mange ungdom at de ikke er prioritert. Å prioritere privilegerte voksne framfor ungdom som faller fra, er dårlig prioritering. Å vedta en ungdomsgaranti vil være en riktig prioritering. Jeg tror jeg skal fortsette der forrige taler slapp, for det er det dette handler om. Alle vet at hvis ungdom blir gående uten noe å gjøre, ikke går på skole, ikke har arbeid, vil det kunne få ganske negative følger ganske fort. Og vi vet alle at mange kan trenge noe helt annet enn å gå på skole. Noen trenger arbeidstrening, noen trenger å komme i jobb, noen trenger helseoppfølging, og noen trenger veldig mange ulike tiltak. Men i dag er det slik at veldig mange må vente lenge før de får det. De kommer til Nav, eller de detter ut av skolen, og så får de ikke noe å gjøre i det hele tatt. Regjeringens svar på dette er innholdsløst tvangsarbeid uten en krone på bordet. Det SV foreslår, er å gi disse ungdommene rett til tiltak, utdanning eller skoleplass raskt, slik at de ikke blir gående uten noe å gjøre. For jeg tror det er et helt feil signal å gi. Jeg er helt enig med dem som sier at man bør snu i døra og få noe fornuftig å gjøre veldig fort. Det må handle om veldig mange ulike måter å tilnærme seg dette på, ut fra individuelle behov og hva den enkelte trenger. I flere år har det vært kjempeproblemer med ventetid på tiltak, så SV er helt enig i at det må gjøres en forsterkning på dette området. Det er derfor vi har fremmet dette forslaget, fordi vi vet at det er så viktig. Så til det andre forslaget, som handler om at vi ikke ønsker kommersialisering av de skjermede tiltakene. Det er fordi all erfaring viser at det blir ikke mer mangfold, det blir mer enfold. Det blir de store aktørene som kommer til å vinne disse anbudene. Nå hører jeg at man skyver Fontenehuset, Pøbelprosjektet og slike ting foran seg. Det er fullt mulig å endre regelverket slik at man kan inngå kvalitetskontrakter med disse aktørene. Jeg følger også litt med på Twitter, både når jeg sitter i Stortinget og ellers, og jeg kan jo si at i Pøbelprosjektet er de svært enig med SV i at vi nå trenger en slik ungdomsgaranti. For det er nettopp en slik ungdomsgaranti som utløser de tiltakene som Pøbelprosjektet kan bruke. Det er veldig mange flere ungdommer som kunne hatt bruk for Pøbelprosjektet, enn de som får hjelp derfra i dag. Mange flere kunne hatt bruk for hjelp fra Fontenehuset eller fra andre gode samarbeidspartnere, som er non profit-organisasjoner og brukerorganisasjoner de fleste av dem. Men problemet er at det blir ikke prioritert å legge penger på bordet til disse tiltakene Det er akkurat sånn som det ble sagt her, at de pengene prioriteres til de mest velstående, som har både jobb og formue og høy lønn og alt på det tørre, mens disse ungdommene hadde trengt at vi prioriterte dem.

I ei rekkje saker har dagens regjering vist fram ei evne og ei vilje til å presse gjennom det eg vil kalle ideologiske forslag, utan å ta omsyn til innspel frå fagleg hald eller dei som blir råka. Arbeids- og sosialfeltet har vore særleg utsett for denne arbeidsmetoden. Her synest normaltilstanden no å vere fråvær av dialog med partane i arbeidslivet. Dette er ei arbeidsform som uroar meg, fordi det rammar ein av hovudstolpane i korleis vi til no har valt å utvikle fellesskapet, men også fordi eg opplever at regjeringa sitt manglande ønskje om innspel frå partane i arbeidslivet, faglege etatar, forskarhald og sivilsamfunnet fører til dårlegare løysingar på viktige område. Også i dag skal vi behandle saker som har sitt utspring i regjeringa si arbeidsform, der dialog tydeleg er underordna som metode. Trass stor fagleg motstand har arbeids- og sosialminister Eriksson gått inn for å endre tiltaksforskrifta, slik at fleire av tiltaka på attføringsfeltet skal ut på anbod. I same endring slår han saman tiltakstilbodet til grupper med ulike behov, og det er bakgrunnen for representantforslaget Dokument 8:76 S for 2013–2014 frå SV, om å stoppe auka kommersialisering av arbeidsretta tiltak. Nær 90 pst. av høyringsinstansane, deriblant Høgre-styrte Bergen kommune, KS, NHO, attføringsbedriftene og andre faginstansar, er kritiske eller svært kritiske til Erikssons forslag. Arbeidarpartiet står derfor saman med eit stort fleirtal av aktørane innan feltet i kritikken av forslaget. Vi fryktar at anbodsutsettjinga vil ramme dei svakaste brukarane og dei som står lengst frå det ordinære arbeidslivet. er ikkje framandt for å diskutere endringar innan dei arbeidsretta tiltaka. Det vi reagerer på i dag, er at regjeringa, utan stortingsbehandling, vedtek desse endringane rett før dei legg fram ei stortingsmelding om det same temaet. Det er ei arbeidsform som eg meiner ikkje skapar tillit. like undrande som veldig mange andre til det etter kvart så mykje omtala sitatet til dåverande stortingsrepresentant Robert Eriksson på attføringsmessa. Eg skal ikkje spekulere i kvifor Eriksson sa det han sa – om han segla under falskt flagg eller om han har skifta meining etter kvart. Det er det ikkje godt å vite, men i alle tilfelle er Arbeidarpartiet skuffa over at statsråden politisk har snudd så til dei grader at han no går inn for politikk som han tidlegare åtvara mot. I denne saka har ikkje regjeringa lytta til alle dei aktørane som meiner endringar vil ramme dei svakaste brukarane, og som ikkje ser nytte av endringa. Arbeidarpartiet støttar derfor representantforslaget og ber regjeringa stoppe kommersialisering av tiltak innan avklarings- og oppfølgingsområdet i Nav, for å sikre kompetansen, gje tryggare vilkår og stabilitet og best mogleg kvalitetsutvikling i tiltaka. Det ble umulig å holde seg i ro da representanten Wiborg gikk opp og la ut i det vide og det brede om en ungdomsgaranti som ikke virker, og som vi ikke trenger. Det er interessant å se ut på kontinentet, ut i Europa, der det i enkelte land er annenhver ungdom som er arbeidsledig, og der vi snakker om de tapte generasjoner. Der ser man til Norden og Norge, og man forsøker og strever etter å få til en ungdomsgaranti. Sosialdemokrater og moderate høyremedlemmer har gått sammen i EU-parlamentet for å sikre ungdom framtiden, for å sikre arbeidslinjen og for å sikre det som kameraten og representanten etter meg kommer til å snakke om, nemlig bærekraften i velferdsstatene. Arbeidslinjen er helt grunnleggende, men da må man også ha noe å tilby, og en ungdomsgaranti skal sikre nettopp det: sikre at man har arbeid, eller at man får utdanning. Dette er noe av det mest grunnleggende, for det er vi enige om, alle vi som sitter i denne salen: De er så ødeleggende, de hullene i CV-en, de oppholdene fra arbeid og de oppholdene fra skole. Men dette er en helhet som må henge sammen. Det betyr jo at man også må være villig til å prioritere lærebedrifter når det kommer til anbud til det offentlige. Da må man tørre å stille krav i anbudsprosessene – ikke bare si at prisen skal råde, for det er faktisk dyrere å drive med fagopplæring enn å drive med innleie av arbeidskraft. Man må tørre å stille krav når man skal bygge det nye regjeringskvartalet, når vi skal investere i sykehusene våre. Vi må tørre å rydde opp på de arbeidsplassene hvor vi har de store anbudene, og hvor vi skal bygge fellesskapet, sånn at vi får prioritert fagopplæring og ungdom, sånn at vi unngår å få tapte generasjoner. Det er å gå bakvendt inn i framtiden. Det må være mulig å løfte blikket og se til dem som har prøvd akkurat det samme, uten en ungdomsgaranti når de går inn i nedgangstider, se hvordan det har gått. De fraråder det, og de ser til Norge. La oss verne om ungdomsgarantien, la oss verne om arbeidslinjen og få ungdom i arbeid eller utdanning. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe om aktivitetsplikt. Jeg synes det er helt utrolig at representanten fra Sosialistisk Venstreparti sier det er viktig at ungdom har noe å gå til, og så er man imot aktivitetsplikt. Det henger ikke på greip, og jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at partier kan være imot at tiltak som fungerer godt i flere kommuner, ikke skal gjelde for ungdom i alle kommuner. Så må jeg si til representanten Holen Bjørdal at man skal være litt forsiktig med å si at enkelte har seilt under falskt flagg, når vi under den debatten som har vært, f.eks. om barnetillegget, har sett hva Arbeiderpartiet sto for, og hva de nå påstår at de har stått for. Ellers var det spennende å høre representanten Trettebergstuens innlegg. Der fikk vi en fem minutters hyllest av et tiltak som i mange år har vist seg ikke å virke, nemlig ungdomsgarantien. Aller først: Vi deler synet på hva som er utfordrende. Vi har et for stort antall mennesker i yrkesaktiv alder som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Arbeidsledigheten blant unge er vesentlig høyere enn blant befolkningen ellers, og det er ikke bærekraftig, verken når vi tenker på velferdsstatens bærekraft eller det å sørge for at behovet for arbeidskraft etterkommes. Her stopper enigheten. Vi er opptatt av å senke terskelen inn i arbeidslivet. å strø om oss med garantier til ulike grupper tror vi at tilnærmingen må være – uavhengig av hvilken gruppe man tilhører – at det er en mulighet til å komme inn i ordinært arbeid. Måloppnåelse måles ikke gjennom hvor mye penger vi bevilger, men gjennom hvor mange som faktisk kommer i jobb. Det er i dette perspektivet at Arbeiderpartiets Verken i gode eller i vanskelige tider har ungdomsgarantien vist seg å være en suksess. Det virker som om det har blitt så mye prestisje i denne saken fra Arbeiderpartiet at de er blendet, og løsningen på problemet er å gjøre mer av det som ikke virker. Vi er opptatt av å løse de store oppgavene vi har i dag, slik at vi ruster Norge for framtiden. Da er ikke mer av det som ikke virker, en løsning for denne regjeringen. Vi må sørge for at flere får prøve seg i ordinært arbeid, fordi vi vet at det er slik realkompetansen styrkes, f.eks. ved å utvikle og utvide ordningen med lønnstilskudd. Representanten Trettebergstuen nevnte forskjeller mellom de rød-grønne og de borgerlige. Her er en forskjell: I flere år har Arbeiderpartiet bevilget penger til noe som ikke virker. Vi senker terskelen til arbeidslivet. Jeg tok også ordet fordi jeg reagerte på representanten Karin innlegg. Hun sa at regjeringen ikke bryr seg om ungdom som går ledig. Hun snakket også varmt om «Snu i døra»-prosjektet. Vi er jo nettopp opptatt av at vi skal møte ungdommen i døra på Nav, og at de kan snu der få et aktivitetstilbud i stedet for bare å motta penger. Torbjørn Røe Isaksen viste til det de gjorde i Åmli kommune i forrige periode, da man var på besøk der, og hvor de hadde et veldig vellykket prosjekt. Der var det ganske mange ungdommer som ikke var i arbeid eller på skole, og man innførte en aktivitetsplikt for at de fikk motta penger. Det hadde veldig gode resultater. Jeg må også si at jeg reagerer veldig negativt på denne negative holdningen man har til private, at det bare er store kommersielle aktører som bare skal tjene store penger. Nav driver med anbudskonkurranse også i dag. Jeg ber representanten fortelle hvilke store aktører som inndriver stor profitt på den arbeidsavklaring og arbeidsoppfølging vi har i Norge i dag. Jeg kjenner ingen. Og til representanten Holen Bjørdal fra Arbeiderpartiet: Mener ikke Arbeiderpartiet at vi skal følge det regelverket vi har for anskaffelser i Norge? En juridisk gjennomgang har vist at vi ikke gjør det når det gjelder en god del av de tjenestene som Nav kjøper i dag, fordi det ikke er konkurranse. Jeg må lure på om representanten Heggelund i det hele tatt har vært til stede i komiteen og vært med på behandlingen av de sakene som ligger til grunn, når han sier at SV ikke vil ha tiltak for ungdom. Det er jo nettopp det SV foreslår! SV er nesten det eneste partiet som foreslår at disse ungdommene skal ha rett til tiltak, arbeid, kvalifisering eller skoleplass. Det vi er imot, er at man skal komme til Nav og få noe innholdsløst tvangsarbeid bare for å disiplineres, for det vet vi kommer til å virke motsatt. Det er ikke bra. Så det er helt motsatt av det representanten fra Høyre nå sier. Det er SV som foreslår at disse ungdommene skal få rett til tiltak. I dag går de og venter. Det er mange kommuner som har vilkår for sosialhjelp i dag. Det har SV vært helt for. De som gjør det med vett og forstand, lykkes. De som gjør dette som en tvang, uten å ha godt innhold i tiltakene, mislykkes. Og regjeringen har lagt null kroner på bordet i kommuneøkonomien for at kommunene skal kunne lage slike gode opplegg. For eksempel trengs det arbeidsledelse. trengs det noen som kan drive den kvalifiseringen, den oppfølgingen på helse eller den sosialfaglige oppfølgingen som mange av disse ungdommene trenger. Men i Høyre og Fremskrittspartiets hode er dette tydeligvis gratis, det er vel noen som skal gjøre disse jobbene gratis for dem, og disse ungdommene skal da få et tilbud som det ikke er kvalitet i. SV prioriterer dette så høyt at vi velger å si at disse ungdommene skal ha en rett.